for Rogaland fylke: Sissel Knutsen Hegdal Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger meddelelse om at den innvilgede permisjon for representanten Else-May Botten er trukket tilbake. – Dette tas til etterretning. Før sakene på dagens kart vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16. Presidenten ber først om forslag på nye medlemmer av

Bente Thorsen, Mazyar Keshvari og Sivert Haugen Bjørnstad er foreslått som nye varamedlemmer istedenfor Oskar J. Grimstad, Gjermund Hagesæter og Ulf Leirstein. Flere forslag foreligger ikke, og presidenten foreslår at det voteres på vanlig måte. Presidenten vil foreslå at sakene nr. 2 og 3 behandles under ett. – Det anses vedtatt. Presidenten vil foreslå at debatten ordnes slik: Debatten går over to dager og

Presidenten vil foreslå at debatten ordnes slik: Debatten går over to dager og starter med innlegg fra parlamentariske ledere på inntil 10 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker. 44 innlegg på inntil 5 minutter fordeles mellom partiene slik: Arbeiderpartiet 14 innlegg, Høyre 12 innlegg, Fremskrittspartiet 7 innlegg, Kristelig Folkeparti 3 innlegg, Senterpartiet 3 innlegg, Venstre 3 innlegg og Sosialistisk Venstreparti 2 innlegg. Cirka to Cirka to tredjedeler av innleggene holdes i dag, de resterende holdes i morgen. Det åpnes for inntil fire replikker på hvert innlegg etter to av innleggene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet og etter ett av innleggene fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti. Fem statsråder med en etterfølgende replikkrunde på inntil seks replikker. Etter avvikling av fordelt taletid i dagens møte åpnes det for innlegg på inntil 3 minutter. Dagens møte avsluttes senest kl. 22. Onsdagens møte settes kl. 10 og starter med et innlegg fra statsministeren på inntil 15 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil tolv replikker. Så følger de resterende innleggene på inntil 15 minutter, med etterfølgende replikkrunde på inntil tolv replikker. Så følger de resterende innleggene på inntil 5 minutter, og deretter eventuelle resterende treminutters innlegg fra dagens møte samt de som melder seg under onsdagens debatt. – Dette anses vedtatt. Stortingsvalget har

flertall sammen med SV og Senterpartiet. Men velgerne gjorde også denne gangen Arbeiderpartiet til landets klart største parti. Vi skal forvalte tilliten velgerne har vist oss, på en ansvarsfull måte. Det skal vi gjøre for å løse de mange uløste oppgaver landet vårt fortsatt står overfor. Både trontalen og regjeringserklæringen bekrefter at det går godt i Norge. Aldri har en regjering overtatt en økonomi som er i bedre stand. Aldri har flere mennesker vært i arbeid. Ledigheten er lav både historisk sett i Norge og sammenlignet med andre land. Produktiviteten er høy. Det er skapt over 350 000 nye arbeidsplasser og flere tusen nye bedrifter. Det har blitt mer lønnsomt å jobbe. Pensjonsreformen, uførereformen, begrensning i kontantstøtten og endringer i skattesystemet har bidratt til dette. Arbeiderpartiet er ikke fornøyd. Derfor vil vi forsterke arbeidslinjen. I forslaget til statsbudsjett for 2014 reduseres skattene på lave inntekter, samtidig som skatteklasse 2 fjernes og hull i skattesystemet tettes. Det vil bidra både til en mer rettferdig fordeling og til at flere får mer igjen for å jobbe. En ansvarlig oljepengebruk er avgjørende for at den gode utviklingen i norsk økonomi skal fortsette. Det er viktig for næringslivets konkurransekraft og for alle med boliggjeld. Det er også viktig for å unngå en økende todeling i norsk økonomi. Vi er inne i en periode med sterkt vekst i pensjonsfondet og lav ledighet. Det er derfor i tråd med handlingsregelen at oljepengebruken skal ligge klart under 4 prosent-banen. Vår regjering har fulgt opp dette ved å ligge på 2,9 pst. Jeg håper at den nye regjeringen holder seg til en slik ansvarlig pengebruk. Det er gjennomført et kunnskapsløft i norsk skole. Tilbakegangen i norsk skole er snudd til framgang. Før falt resultatene på internasjonale undersøkelser. Nå stiger de. Men heller ikke her er Arbeiderpartiet fornøyd. Derfor mener vi det er nødvendig å bygge på den framgangen vi har sett de siste årene, og gjennomføre nye løft i norsk skole. Vi går inn for å doble etter- og videreutdanningen av lærere, mer tidlig innsats for barn som henger etter og mer tilrettelegging for de flinkeste elevene. Norge har blitt mer mangfoldig og mer rettferdig gjennom de åtte årene vår regjering har styrt. Forskjellene har blitt mindre. Som mange andre land har Norge hatt en tendens til økende ulikhet de siste tiårene. Hos oss stoppet denne tendensen opp i perioden etter 2005. En moderne familiepolitikk har bidratt både til mangfold og til rettferdighet. Barnehage til alle, alle, til en pris som er til å leve med, pappapermisjon og rett for homofile til å gifte seg med den man elsker er eksempler på dette. I forslaget til statsbudsjett for 2014 viderefører vi denne politikken, med opptrapping til to barnehageopptak i året og ytterligere reell reduksjon i foreldrebetalingen. Vi vet at det er sterke drivkrefter i samfunnet som drar i retning av økte forskjeller. Vi ser det i arbeidsmarkedet, i boligmarkedet og i aksjemarkedet. Politikken må være en motvekt mot disse kreftene – og i hvert fall ikke det omvendte. Vi ser også gode resultater innenfor helse og omsorg. Antall behandlinger på sykehusene går opp, og kvaliteten øker.

Vårt mål er en million flere behandlinger i norske sykehus, og vi står på vårt løfte om 12 mrd. kr mer til sykehusene. Vi vil lovfeste retten til dagtilbud for personer med demens, og vi vil forbedre tilbudet med brukerstyrt personlig assistanse. Vår tids viktigste utfordringer er fattigdom og klima. Norge har vært en pådriver for en internasjonal klimaavtale. Utslippene i Norge går nå ned. Utslippene er på sitt laveste nivå siden 1995, med unntak av finanskriseåret 2009. Vi har vært i front for det viktigste enkelttiltaket for å få ned verdens utslipp, nemlig redusert avskoging. Vi bidrar gjerne til å forsterke klimaforliket, og vi skal fortsette å ta ansvar for verdens fattigste. Derfor blir jeg urolig når regjeringen i sin plattform ikke står fast ved at 1 pst. av våre inntekter skal gå til bistand. Regjeringserklæringen inneholder mye som alle partier kan stille seg bak. Jeg er glad for at dagens regjering følger opp mange av de satsingene den forrige regjeringen satte i gang, som forenkling for næringslivet, digitalisering av offentlig sektor, ytterligere opptrapping av forskning og reform av politi og beredskap. Den nye regjeringen må måles på det den gjør, og på løftene regjeringspartiene ga før valget. Jeg har forståelse for at der regjeringspartiene er uenige, blir det kompromisser. Men på mange viktige områder var de enige, og de kan ikke forhandle seg bort fra det de var enige om, etter valget. Felles løfter de ga i Jeg går ut fra at det ikke betyr at de allerede nå har bestemt seg for å bryte valgløftene. Både Høyre og Fremskrittspartiet lovet minst 12 mrd. kr mer til sykehus. Jeg ser fram til at det følges opp. Begge partier lovet også å avskaffe de regionale helseforetakene. Det lover de fortsatt, men etter to dager sier den nye helseministeren at det er usikkert om de greier å gjennomføre det i løpet av fire år. Det betyr at helseforetakene skal være på oppsigelse i fire år. Det skaper uklare ansvarsforhold, usikkerhet og redusert gjennomføringskraft i den store og viktige sykehussektoren. Både Høyre og Fremskrittspartiet lovet mange nye, konkrete veiprosjekter utover vår rekordsatsing i Nasjonal transportplan. Jeg er spent på hvordan det følges opp kombinert med reduserte bompengeandeler i nye prosjekter. Dette kommer i tillegg til at de lovet mellom 25 og 100 mrd. kr i skattekutt. Arbeiderpartiet sa før valget at alt dette ikke henger sammen. Jeg tror de kommende budsjettene vil vise at vi hadde rett. Regjeringserklæringen avspeiler noen av de viktigste veivalgene som preget valgkampen, offentlig finansiert fellesskole eller privatisert skole, en politikk for mer rettferdighet eller skattekutt til dem som har mest fra før, styrkede arbeidstakerrettigheter eller mer midlertidige ansettelser og redusert overtidsbetaling. For Arbeiderpartiet er det viktig at vi fortsetter å bygge et samfunn og ordninger bidrar til å gi hver enkelt mer frihet. Fellesskolen, helsevesenet og folketrygden er viktige ordninger for å sikre folk frihet. Den norske modellen handler om å gjøre ting i fellesskap. Jeg vil advare den nye regjeringen mot å rokke ved rettferdighet og fellesskapstenkningen i Norge. Statsministerens mål var å etablere en flertallsregjering. Det lyktes hun ikke med. Det betyr at flertallet må etableres i Stortinget. Jeg ser fram til arbeidet i Stortinget. Vi skal ta ansvar som det største opposisjonspartiet, men samtidig stille krav med våre verdier og politiske valg som utgangspunkt. Det blir replikkordskifte. Først: Det er en glede å få ønske Jens Stoltenberg tilbake til Stortinget som stortingsrepresentant. Velkommen hit! Det er

opposisjon. Så er det jo den forrige statsministerens lodd å skjønnmale situasjonen og si at det aldri har vært bedre i Norge enn det er nå. Ja, vi er enige om det, det er veldig bra i Norge, men den tidligere arbeidsministeren Anniken Huitfeldt pekte på at arbeidsmarkedet er noe svekket det siste året, og Kristin Skogen Lund i NHO sier at det investeres 20 mrd. kr i Fastlands-Norge, mens det investeres 200 mrd. kr i oljesektoren. Så lavt nivå har det ikke vært på investeringene i Fastlands-Norge siden 1970. Ser representanten Stoltenberg behov for endringer? Ser representanten behov for brede forlik om viktige samfunnsspørsmål i årene som

Det at vi har Europas laveste ledighet, er bra, men vi er ikke fornøyd. Det at vi får til mye, er bra, men vi er ikke fornøyd. Vi skal gjøre noe med fastlandsøkonomien, men tallene er helt feil. Det investeres like mye i fastlandsøkonomien som i oljesektoren. Det er blant de myter høyresiden har skapt, som er vrengebilder av hvordan det går i landet vårt. Men jeg bidrar gjerne til å gjøre Norge bedre, gjerne i brede forlik, og ser fram til å samarbeide med mange partier i Stortinget.

så var vel ikke velgerne så fornøyd med det – mens Stoltenberg II-regjeringen, som fikk sitte i åtte år, først og fremst har vært preget av mer pengebruk og lite reformer. Ser representanten Stoltenberg behov for å gjøre noen overordnede endringer for å sikre bedre tjenester til innbyggerne, og ser han behov for å inngå i brede politiske forlik for å ta Norge videre? Jeg ser absolutt behov for omfattende reformer, i tråd med det som den avgåtte regjeringen har gjennomført i åtte år. kanskje største reformen av noen offentlig ordning noen gang er pensjonsreformen. Den har vært et hovedprosjekt for denne regjeringen. Uførereformen, som begynner å virke i 2015, er en annen stor reform. Hele omleggingen av Forsvaret er kanskje et av de mest vellykkede eksempler på omstilling i offentlig sektor. Det vi har gjort i sykehusene, er også omfattende omstillinger som gjør at vi nå også mer igjen for pengene vi investerer i helsesektoren. Så reformer er i tråd med både Stoltenberg I- og Stoltenberg II-regjeringen. Vi har også lansert nye store prosjekter, som digitalisering av offentlig sektor og forenkling for næringslivet, og vi er i gang med mange andre prosjekter, bl.a. omstilling i politiet. Så vi deltar gjerne i dialog, samarbeid og forlik. Men jeg merker meg at en av de store reformene høyrepartiene lanserte, nemlig avskaffing av helseforetakene, har de nå sagt at de trenger fire år på å utrede. Vi brukte i overkant av ett år på statlig overtakelse av sykehusene i 2001. Denne regjeringen skal bruke fire år på å utrede en justering av reformen. Det vitner ikke om stor gjennomføringskraft. Også jeg vil ønske Stoltenberg velkommen tilbake til Stortinget. Jeg må innrømme at gleden er

Stoltenberg. I den forbindelse påpeker han den høye sysselsettingen i Norge. Ja, vi har en god sysselsetting i Norge per i dag. Men det er faktisk slik at enkelte har havnet utenfor jobbmarkedet, som er så viktig i velferdsstaten, og det gjelder særlig funksjonshemmede. funksjonshemmede. Både i trontalen samt i det budsjettet som er framlagt, finner man svært få spor etter tiltak knyttet til hvordan vi skal få flere funksjonshemmede i arbeid. Vil Stoltenberg og Arbeiderpartiet være med på at vi legger om politikken på dette feltet nettopp for å sørge for at også de funksjonshemmede i større grad kan få ta del i arbeidsmarkedet, og dermed også i den velferden som vi andre har?

Når det gjelder funksjonshemmede, er det mange ting som bør gjøres og skal gjøres. Det ene er at lav ledighet også bidrar til å hjelpe dem som sliter i arbeidsmarkedet, inn. Høy sysselsetting bidrar til det samme. Vi har også lansert økt bruk av lønnstilskudd. Hele uførereformen, som jeg tror er en veldig undervurdert reform, har ett hovedmål, nemlig at det skal være lettere å kombinere uføretrygd med arbeid. Det har vi lyktes med i fantastisk grad når det gjelder alderspensjon. Nå er det mange som kombinerer alderspensjon

Mitt spørsmål er: Er det noko område der representanten Stoltenberg ser at den førre raud-grøne regjeringa har gjort ting som er gale, der ein burde tenkt annleis? På søndag er det bots- og bededag. Det er mogleg å angra sine synder og på den måten òg koma vidare! Så mitt spørsmål er ikkje om det er noko område ein ikkje er fornøgd med, men om ein faktisk ser at ein kunne gjort ting

at når det gjelder f.eks. inkludering, når det gjelder å bringe mennesker som står utenfor arbeidslivet, tilbake til arbeidslivet, er det områder hvor vi har fått til veldig mye, men hvor det ikke er mulig å si at vi er fornøyd. Derfor ønsker vi å gjøre mer på de områdene. Men det er altså i større grad eksempler på at vi ønsker å gjøre mer enn eksempler på områder hvor jeg vil si at vi har gjort ting helt galt. Jeg lover å tenke nøye på spørsmålet til søndag!

Likevel var opposisjonsleder Stoltenberg på parti med meg når han var skuffet over at regjeringen blant sine åtte satsingsområder ikke hadde med klima. Er det sånn at den forvandlinga nå har skjedd, og at han plutselig er på lag igjen? Kan vi regne med det? Jeg mener å huske at jeg også hadde godt humør da jeg var statsminister. Jeg kan i hvert fall erindre at jeg lo flere ganger at jeg lo flere ganger , og jeg var i alle fall tidvis engasjert. Jeg ønsker selvfølgelig også å være det i opposisjon. Slik er jeg til å kjenne igjen både som opposisjonspolitiker og posisjonspolitiker – også når det gjelder klima. En av mine viktigste taler i denne valgkampen var den talen jeg holdt på Utøya i sommer. Den handlet nesten bare om klima. Dessverre – den tok ikke akkurat førstesidene. Men som partileder i et valgår, brukte jeg mye tid på klima. Blant de tingene jeg gjorde som statsminister, var å lede FNs kommisjon for klimafinansiering – et viktig oppdrag for Norge – og vi gjennomførte store tiltak. Vi bidro til to klimaforlik i Stortinget, og jeg vil gjerne bidra til nye klimaforlik – og gjerne forsterke det. Vi har lagt fram to klimameldinger i vår regjering, og jeg håper at det kommer en klimamelding fra den nye regjeringen.

Det er ikke til å stikke under stol at da tidligere finansminister Kristin Halvorsen lovte at fattigdommen i Norge – og særlig barnefattigdommen – skulle bli fjernet med et pennestrøk, var det mange som hadde store forventinger. Den regjeringen som nå har avgått, har sittet i åtte år, og vi har fått en ny regjering som, gjennom sin plattform, vil vise til en rekke tiltak hvor man har tenkt å sette inn støtet mot fattigdom. Er representanten Stoltenberg fornøyd med det som den avgåtte regjering har gjort på dette feltet, all den tid antallet fattige barn i Norge aldri har vært høyere enn det er i dag?

Den største gruppen der er innvandrere, og integrering av innvandrere er nøkkelen til også å redusere antall fattige barn. Der er arbeid avgjørende. Jeg mener at noen av de tiltakene regjeringen nå har lansert, går i motsatt retning og gjør det mindre lønnsomt, spesielt for innvandrerkvinner, å ta seg jobb. Det vil øke barnefattigdommen. Vi har foreslått flere tiltak over flere år, senest i budsjettet vi nå la fram, som gjør det mer lønnsomt, spesielt for folk med lave inntekter, å jobbe – spesielt for kvinner som jobber deltid.

Enigheten er nedfelt i en avtale med et felles verdigrunnlag, felles politiske satsingsområder og standpunkter samt beskrivelse av hvilken form samarbeidet skal ha i perioden. Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk en historisk avtale. Sonderingene som ble ført med åpenhet og gjensidig respekt, har brakt de fire partiene nærmere hverandre og har bidratt til viktige politiske avklaringer og utforming av felles prosjekt. Det er mye som er bra i Norge. Derfor skal vi forsterke de gode sidene for å kunne bevare våre felles verdier. Folk skal merke at landet har fått ny regjering. I den politiske plattformen som ble framforhandlet på Sundvolden, med samarbeidsavtalen som et viktig grunnlagsdokument, er Høyre og Fremskrittspartiet enige om åtte satsingsområder som skal bidra til dette. Det er ingen tvil om at god utdanning danner grunnlaget for framtiden. Kunnskap gir valgfrihet og framtidsmuligheter for den enkelte uansett bakgrunn. Kunnskap danner også grunnlaget for sosial mobilitet i samfunnet. Regjeringen vil bygge landet for framtiden ved å realisere kunnskapssamfunnet. Nettopp gjennom å satse på kunnskap viser regjeringen at den ikke har et fireårsperspektiv, men et generasjonsperspektiv. Vi skal satse på et lærerløft, vi skal satse på bedre etter- og videreutdanning, og i samråd med lærerrådsorganisasjonene skal vi sørge for at lærere får nye slik at læreryrket blir mer utfordrende og givende. Regjeringen vil bedre konkurransekraften for næringslivet i Fastlands-Norge, slik at det blir skapt flere trygge arbeidsplasser. Innovasjon, kunnskap og teknologi er viktige satsingsområder, slik at Norge står rustet til å møte morgendagens konkurranse i en globalisert verden. De siste åtte årene har Norge blitt mer oljeavhengig, og en todeling av økonomien gjør at det blir stadig viktigere å sikre at vi har flere ben å stå på økonomisk. Derfor vil regjeringen sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser og styrke det private norske eierskapet. Gjennom å øke satsingen på forskning og etablere flere verdensledende universitetsmiljøer vil regjeringen ha som ambisjon at Norge på sikt skal bli et av de mest innovative landene i Europa. Tilliten til familien og enkeltmennesket er viktig for å skape et godt samfunn. Politikere skaper ikke, men vi har valget mellom å gjøre det enkelt for folk å realisere sin skapertrang, eller å gjøre det vanskelig. Vi ønsker å gjøre det enkelt. Derfor vil regjeringen gi enkeltmennesket større frihet til å styre sitt eget liv uten innblanding fra politikere og byråkrater. Regjeringen vil forenkle lover og regler og fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud. Mindre byråkrati, regulering og lavere skatter fører til at makten blir desentralisert. Mennesker med skapertrang og tiltakslyst må gis større armslag. Den enkelte skal føle seg trygg i og utenfor sitt eget hjem. Trygghet er viktig for den grunnleggende friheten til folk flest. Derfor må hverdagskriminaliteten bekjempes. Samfunnet må reagere tydelig på lovbrudd og ta trusselen fra organisert kriminalitet på alvor. Gjennom et moderne og handlekraftig politi vil regjeringen styrke beredskapen og den operative kapasiteten til å bekjempe kriminalitet. Regjeringen vil sørge for at landet er rustet til å håndtere framtidige kriser. Regjeringen vil øke innsatsen for å styrke sikkerhet og beredskap. Gjennomføringskraften må gjenreises. Det vil legge grunnlaget for et tryggere samfunn. Regjeringen vil sikre velferdsstaten i framtiden. Gode velferdstjenester til dem som trenger det, er grunnleggende i vårt samfunn og ikke minst viktig for at mennesker som trenger en ny sjanse Gjennom et godt sosialt sikkerhetsnett skal alle sikres likeverdige muligheter. I Norge har vi høy sysselsetting. En jobb å gå til er viktig for personlig utvikling. Det gir en stabil inntekt og sosial deltagelse. Med mange i jobb blir finansieringen av velferdsordningene sterkere og tryggere. Gode helse- og omsorgstjenester når behovet oppstår, skaper trygghet. I dag venter mange unødvendig lenge, eller får et for dårlig omsorgstilbud. Folk som blir sykmeldt i lang tid, risikerer å falle ut av arbeidslivet. Å vente på behandling skaper utrygghet. Regjeringen vil derfor gjennomføre en stor reform i helsevesenet. Pasientenes rettigheter skal styrkes, og den enkelte skal få rett til fritt behandlingsvalg. Det vil sikre at pasienter slipper å stå i kø når det er ledig kapasitet hos private og ideelle aktører. Regjeringen vil løfte dem som sitter nederst ved bordet i helsevesenet først: rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Helseforetakene skal pålegges å prioritere disse pasientgruppene høyere. Regjeringen vil utvikle en omsorgssektor som i større grad preges av kvalitet og aktivitet. De siste årene av livet må ha et meningsfylt innhold, også for eldre som rammes av demens og andre lidelser. Mestring i eget liv må vektlegges sterkere, bl.a. gjennom økt satsing på rehabilitering. Vårt samfunn har godt utbygde velferdsordninger. De fleste av oss har tilgang til de tilbud vi har behov for, men det er mye som kan bli bedre. Regjeringen vil tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. Blant annet innebærer dette å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Flere voksne som mangler grunnleggende ferdigheter, må få et tilbud om lese- og skriveopplæring. Velferdsordningene har blitt bygd ut gjennom mange år og under skiftende politiske flertall. Likevel er det fortsatt mennesker som ikke får den hjelpen de og som opplever store vanskeligheter og problemer. Tilbudet innen rus og psykisk helse må styrkes, og barn i barnevernets omsorg og ungdom under rusbehandling må sikres et godt og individuelt tilpasset utdanningstilbud. Regjeringen vil bygge landet ved å sørge for bedre konkurransekraft for næringslivet. En vesentlig forutsetning for dette er en effektiv infrastruktur av høy kvalitet. Regjeringen vil gjennomføre nødvendige investeringer for å realisere en stor satsing på infrastruktur. Nye virkemidler skal tas i bruk for å gjøre utbyggingen raskere og mer effektiv. Norge trenger en rask og helhetlig utbygging av både vei og jernbanenett, med særlig fokusering på stamveinettet og effektive tilknytninger mellom landsdelene. Det vil skape nye bo- og arbeidsmarkedsregioner og er avgjørende for framtidig vekst. En sterk kollektivsatsing vil gjøre at byene kan vokse, og Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet ved å gjennomføre en kommunereform. Med større og mer robuste kommuner kan flere oppgaver og mer ansvar overføres til kommunene. Fylkesmannens muligheter til å overprøve lokale folkevalgte forsamlinger må begrenses. Regjeringen vil også foreta en gjennomgang av fylkeskommunenes, fylkesmennenes og statens oppgaver med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner. Større frihet til å finne lokalt tilpassede løsninger vil øke kvaliteten på velferdstjenester. Regjeringen vil også endre inntektssystemet, slik at kommunene får beholde en større del av verdiskapingen der verdiene skapes. Klimaendringene og en bærekraftig utbygging ligger som en himmel over disse utfordringene og er en viktig del av verdiplattformen som også er nedfelt i tolv år før parlamentarismen ble innført, sa Johan Sverdrup: «i det Øieblik, at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og vigtigste Anliggender, gaar der en stor Vækkelse ud over Landet; der kan ikke længer regjeres uden Storthinget, der maa regjeres med Storthinget». Jeg er litt i tvil om det vil føre til en stor vekkelse over hele landet, men det vil utvilsomt føre til større interesse for hva som skjer i denne sal. Høyre vil invitere til samarbeid. Vi vil bidra til at nye ideer og bedre løsninger ikke skytes ned fordi man har feil partinål på jakkeslaget. Vi skal fatte beslutninger som får betydning – ikke bare for vår generasjon, men for kommende generasjoner. Da må vi samarbeide og ta alle forslag på alvor. Vi gleder oss til å ta fatt. Det blir replikkordskifte. Helga Pedersen

og det er flere ting i regjeringsplattformen som faktisk peker i den retning, med utbygging av helsetjenester og styrking av det sosiale sikkerhetsnettet som to sentrale tiltak. Personlig frihet og det å kunne råde over eget liv og egen kropp er to sider av samme sak. Derfor lurer jeg på hvordan Høyre kunne sette den personlige friheten og ved å slutte seg til at fastleger skal kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. Takk for lykkeønskningene. Det er noen år siden vi jobbet med finnmarksloven, da Helga Pedersen var fylkesordfører og jeg var saksordfører for den. Men det er hyggelig å møtes igjen på denne måten – også i Stortinget. Reservasjonsrett er en del av den avtalen som er inngått mellom Høyre, Kristelig Folkeparti og Vi har sagt veldig tydelig at legenes samvittighet må få lov til å avgjøre dette, men det skal naturligvis ikke gå ut over de kvinner som søker råd om abort. Det betyr rett og slett at de legene som har valgt å reservere seg – dette skal skje i et samarbeid med Legeforeningen de legene som har valgt å reservere seg – dette skal skje i et samarbeid med Legeforeningen – vil måtte bli ført opp på en liste som gjør at pasienter som ikke ønsker å benytte seg av denne fastlegen, faktisk da får tilbud om en annen. Vi vet også at svært mange går direkte til sykehus for å få utført abortinngrepet, og den praksisen vil naturligvis fortsette. For den enkelte skal ikke dette være noe problem, men for den legen som ønsker å reservere seg, skal samvittigheten få lov å råde.

fordi det gjelder svært få leger, og alle skal ha krav på et tilbud – som de naturligvis må få – uavhengig av den

familiepolitikk. Da tenker jeg ikke bare på kontantstøtte og slike viktige reformer, men også at vi kan rette opp noen av de feilene som de rød-grønne partiene har gjort. Jeg vil bare peke på ett område: Hvis vi ser på det budsjettet som de rød-grønne nå har lagt fram, har de bl.a. nesten utradert statlig tilskudd til forebyggende familievern. Mitt enkle spørsmål er: Hva kan familiene forvente seg av den nye regjeringen? Takk for det til representanten Bekkevold. Det blir spennende å utmeisle denne familiepolitikken i fellesskap. Dette er også godt omtalt i den samarbeidsavtalen som Kristelig Folkeparti er en del av. Hovedpoenget vårt – og jeg tror også Kristelig Folkeparti vil dele det – er at vi må ha tillit til den enkelte familie. den enkelte familie. Den enkelte familie gjør valg basert på sine individuelle forutsetninger. Den enkelte familie vet best hvor skoen trykker. Det å ta familien på alvor, tror jeg er det viktigste skillet mellom denne og den forrige regjeringen, der policyen har vært at det er bedre at politikerne bestemmer enn at familien bestemmer. Når vi kommer til det forebyggende familievernet, er det klart at dette er en sak som vil bli drøftet, og vi har åpenbart felles interesse i å styrke familiens rolle, og i å sørge for at familiene kan holde sammen dersom det er grunnlag for det. Derfor er familievernet viktig. Jeg regner med at representanten Bekkevold vil få full anledning til å diskutere dette i komiteen. Et av de viktigste punktene i samarbeidsavtalen mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet er

dette med klimaendringene, som er vår generasjons største oppgave, ikke skal være en av regjeringens åtte satsingsområder. Da blir mitt spørsmål: Vil regjeringen og regjeringspartiene følge opp forsterkning av klimaforliket med konkret politikk og være pådriver for en mer offensiv klimapolitikk, eller vil vi få den situasjon, som representanten Helleland også også refererte til ved å sitere Johan Sverdrup, at all makt ligger i denne sal, og at Venstre må ha en oppgave med å være pådriver og påse at regjeringspartiene følger opp dette med konkret og offensiv politikk? Nå har vi mange ganger blitt klima ikke var et av de åtte hovedmålene, men svaret på det er egentlig veldig enkelt: Dette er en del av det verdigrunnlaget som de fire partiene ble enige om i Nydalen. Det er på en måte en honnør til Venstre og Kristelig Folkeparti at vi har dette som en bunnplanke i det samarbeidet vi nå går inn i, og jeg regner med at representanten Elvestuen – både i denne sal og i gode dialoger med regjeringspartiene – vil få full mulighet til å og forsterke klimapolitikken. Det er i vår interesse like mye som i de andre partienes interesse at vi kan nå de klimamålene som Norge har forpliktet seg til. Det er bare å se på samferdsel med den offensive kollektivsatsingen som det legges opp til, der de fire partiene før valget også gjorde framstøt for å bygge Fornebubanen, for å ha T-banetunnel under Oslo – det er mange viktige klimatiltak innen mange sektorer som vi skal stå sammen om.

Regjeringa varslar eit breitt forlik om ny kommunestruktur. Statsminister Solberg sa i valkampen at tvang er endestasjonen på ein lang prosess. Ser Høgre seg tent med å gjennomføre ei så djuptgripande reform med knappast mogleg fleirtal i Stortinget, og vil regjeringa avklare om ein går inn for tvangsnedlegging av kommunar før ein inviterer til drøfting i Stortinget? Vil representanten Helleland ta initiativ til ei slik avklaring?

Når det gjelder kommunereformen, har vi sagt veldig tydelig at vi først må se på hvilke oppgaver en kommune skal ha – altså oppgavefordelingen, det å kunne skape robuste og sterke kommuner i utgangspunktet, og det å gi kommunene større ansvar, større muligheter til å gjennomføre politikk, med mindre innblanding fra staten og mindre grad av interkommunale selskaper som litt mellom forvaltningsnivåene. Når den oppgavefordelingen ligger klar, må Stortinget sette seg ned og velge prinsipper for hvordan dette skal skje. Derfor er det feil å begynne med å tegne kartet, og det er feil å slå fast om det skal brukes tvang eller ikke. Vi må først bli enige om oppgavefordelingen. Jeg tror belastningen ved å motta 500 e-poster nok er

rom, ikke av den enkelte lege i møte med hver enkelt pasient». Det sier ikke Høyre nå mer. Nå sier statsministeren at dette er en for viktig sak å redusere til kvinnesak. Vi i SV mener at dette er kvinnesak, og derfor har vi fremmet et forslag som sikrer at dette blir behandlet i Stortinget. Det skal også Høyres representanter ta stilling til. Så mitt enkle spørsmål til Helleland er: Vil Høyre, som de har tradisjon for, fristille sine representanter i denne saken, eller vil parlamentarisk leder Helleland seg av partipisk for å sikre en «deal» med Kristelig Folkeparti? Nå har jeg gått av som innpisker, så pisken er overlatt til en annen person i Høyres gruppe. Men det er klart at når tre partier i en forpliktende avtale signerer et dokument som sier at en ønsker å se på dette med reservasjonsretten i samarbeid med Legeforeningen, er det en avtale vi vil holde oss til. Representanten Serigstad Valen burde være kjent med evnen til å inngå kompromisser gjennom et åtteårig samboerskap i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og sånn vil det også være for Høyre. Mange av våre primærstandpunkter er nå kokt inn i kompromisser, og sånn vil det være framover. Når det gjelder å stille representantene fritt, har Høyre hatt en tradisjon for det når det gjelder Da har det vært en sak for den enkeltes personlige samvittighet. Men her snakker vi altså om noen leger som ønsker å utøve sin samvittighet ved å kunne reservere seg. Det viktigste er at dette blir gitt en innramming som gjør at alle kvinner får et fullverdig tilbud om abort dersom det er ønskelig. Replikkordskiftet er omme. Den 9. september gikk det norske folk til

Høyre og Fremskrittspartiet, ville dette medføre at det ville bli et regjeringsskifte. Da valgresultatet var endelig klart, gjorde disse partiene akkurat det de hadde lovet sine velgere: De satte seg sammen for å se om det var mulig å sondere seg fram til en mulighet for en felles regjering av alle partiene, eller om det var naturlig at noen – ikke alle gikk videre for å diskutere en regjeringsplattform. Som vi alle i denne sal i dag er kjent med, kom man til en konklusjon etter at disse sonderingene var unnagjort: Man ble enig om en historisk samarbeidsavtale mellom de fire partiene, men det ville bli dannet en mindretallsregjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet. Den framforhandlede avtalen mellom de fire er på mange måter et historisk dokument, all den tid det vel er første gang at en norsk mindretallsregjering har en så avklart og omfattende avtale med andre partier i Stortinget og som ikke selv sitter i regjering. Avtalen er riktignok på ingen måte uttømmende, men danner et grunnlag for hvordan en vil arbeide, og ikke minst hvilken politikk en vil føre på gitte områder.

Det er imidlertid klart at dette er en mindretallsregjering. Dette innebærer at den politiske makten igjen tilbakeføres til det arbeidet som skal gjøres her i Stortinget, etter åtte år med et avklart rød-grønt flertall i regjering, der man helt klart har kunnet merke seg at de aller fleste saker og beslutninger var ferdig behandlet – og nærmest opplest og vedtatt – før de kom til Stortinget. Dette vil nå ikke lenger være tilfellet. I den forbindelse er det fristende å gjøre som min kollega Trond Helleland og sitere fra Johan Sverdrups tale fra 1872 om den såkalte statsrådssaken, der han uttalte: i det Øieblik, at al Magt og Kraft samles her i denne Sal til Afgjørelse af Samfundets høieste og

for vi befinner oss i et demokrati, og da er nettopp det å høre på folket svært viktig. Men dette sitatet skal ikke tolkes slik fra min side at alt nå skal vedtas her i Stortinget, for dette er jo også denne regjeringens oppløp til at man ønsker å formidle og flytte myndighet ut til kommunene. I dette ligger det nettopp at man ønsker å komme fram til en ny kommunereform. Da er det at man ønsker å komme fram til en ny kommunereform. Da er det viktig at man begynner i riktig ende og først ser på hva slags myndighet kommunene skal ha. Hvilke type oppgaver ønsker man at den enkelte kommune skal kunne ta stilling til og ha avgjørende myndighet i? Hvilke oppgaver skal man kunne flytte fra fylkesmannen over til en kommune? Jeg tror de aller fleste av oss har sett at

om at når det gjelder kommunegrensene, så er en viktig faktor i dag nettopp hvilke tilbud – og kvaliteten på tilbudet – den enkelte mottar, noe som kan være avhengig av denne strukturen. Dette ser vi som sagt både innenfor barnevernet, Samhandlingsreformen, etc. Videre synliggjør regjeringen også gjennom sin plattform at man ønsker å tilføre kommunene denne beslutningsmyndigheten for å få på plass den kompetansen som det er behov for. for. Dette kommer til å kreve større kommuner, fordi enkelte kommuner i dag er for små til å kunne yte det tjenestetilbudet som kommunens innbyggere har behov for, og som de kommer til å kreve i framtiden. Innenfor en rekke områder i denne regjeringsplattformen viser man at man tar innbyggerne på alvor. Man viser gjennom plattformen den politikken som skal føres,

Videre er næringspolitikken svært viktig for denne regjeringen. Det er viktig at vi sørger for at gründeren, og de som har ideene der ute, får mulighet til å kunne realisere dette, og at den tiden man da bruker – både av sin egen og andres tid – blir brukt til å skape arbeidsplasser, skape verdier, at vi sørger for at man ikke bruker unødig tid til innrapporteringer,

ikke av statens penger, men beholde litt mer av sin egen inntekt til å bruke slik som man ønsker. Man ønsker å endre arveavgiften – selvfølgelig – for den type beskatning hører ingen steds hjemme i det norske samfunnet, og det har regjeringen gitt beskjed om. Det samme gjelder innslagspunktet i formuesskatten. Det må endringer til, for i dag har vi et skattesystem skattesystem som forhindrer at vi skaper verdier, og det er ikke nødvendigvis til det beste for samfunnet. I et replikkordskifte med undertegnede og Trond Helleland henviste representanten Stoltenberg bl.a. til de regionale helseforetakene. Ja, det er riktig at man opprettet de regionale helseforetakene veldig kjapt – ja, man trodde iallfall det, for det gikk faktisk ett og to år før man fikk på plass en åpningsbalanse for disse helseforetakene. Man gjorde det kanskje litt for raskt, og det skapte store problemer til å begynne med. Derfor må vi også på dette feltet sørge for at vi gjør ting i riktig rekkefølge. Vi må få på plass den nasjonale helseplanen, og så kan man begynne å arbeide med å legge ned Man vil ha et samferdselsløft med denne regjeringen, men vi må også ta hensyn til at den avgåtte regjeringen har brukt åtte måneder på å legge fram et statsbudsjett, og da må man også ha respekt for at man trenger litt mer enn tre uker til å legge fram sitt eget helhetlige budsjett. Derfor vil noe ta litt lengre tid, men denne regjeringen kommer til å levere, det er jeg helt trygg på. Så vil jeg helt avslutningsvis – og det er jeg helt trygg på. Så vil jeg helt avslutningsvis – og det er noe av det aller viktigste i mitt innlegg – invitere alle partier til å gå sammen og prøve å skape flertall for de store reformene. Det er viktig at disse reformene kan stå seg gjennom forskjellige regjeringer. Denne regjeringen kommer til å sitte lenge,

Jeg vil starte med å berømme Fremskrittspartiet for at man faktisk har turt å sette mange av kjepphestene på stallen, og at man nå ser på innvandring som et gode, som en kilde til økonomisk vekst, og at man slutter seg til klimaforliket, pensjonsforliket, handlingsregelen, og at Sametinget fortsatt skal bestå. Jeg mener det er en styrke for Norge at det er tverrpolitisk enighet om hovedlinjene på disse viktige politikkområdene. Men spørsmålet mitt til representanten Nesvik er: Har Fremskrittspartiet skiftet mening på alle disse viktige politikkområdene, eller lovet man mer i valgkampen enn det man visste man kunne holde? Fremskrittspartiet fikk 16,3 pst. ved høstens valg – 83,7 pst. stemte altså ikke på oss. Så er det slik at man nå skal inngå i et samarbeid, og det burde jo Arbeiderpartiet etter en del år i den situasjonen ha forståelse for.

Jeg har veldig stor forståelse for at man i en regjering må gi og ta, men selv ikke i de mest optimistiske øyeblikkene i valgkampen kunne jo Fremskrittspartiet ha forutsatt et rent flertall. Likevel tok man svært få forhold når man lovet ting. Så er det også litt overraskende at selv på en del områder der vi vet at Høyre og Fremskrittspartiet er enige, så har man forhandlet bort kjernesaker. Det gjelder f.eks. egenkapitalkravet, og jeg vil for min del si at jeg synes det er positivt at man ikke foreslår å legge ned fylkeskommunen, at pappapermen består, og at nynorsk-faget består. Men nå er det mange som er veldig spent på statsbudsjettet: Kan vi forvente at Høyre og Fremskrittspartiet holder løftene om vesentlig mer penger til sykehus, vesentlig mer penger til raskere vei, og vesentlig mer penger til politiet, som man lovet i valgkampen?

oss. Det kommer man til å se resultatene av når den proposisjonen legges fram i denne salen som en tilleggsproposisjon. Da skal representanten Helga Pedersen og undertegnede få mer enn nok tid til å diskutere de ulike satsingsområdene. I den forbindelse vil jeg også replisere litt til representanten Helga Pedersen: Pedersen: Gjennom hele valgkampen – uansett hvor jeg befant meg ble jeg møtt med spørsmål om hvor det har blitt av nettolønnsordningen for sjøfolk og heving av taket. Det har plutselig blitt borte i den avgåtte regjeringens budsjett. Der står det at man vil komme tilbake til det. Så jeg tror nok at man skal gå litt i seg selv. Kristelig Folkeparti var svært fornøyd med formuleringene i

Men Høyre-politiker Svein Flåtten har overfor avisa Nationen forsikret at endringene skal skje gradvis, og at det er først når lønnsomheten øker at overføringene skal reduseres. Er Fremskrittspartiet enig med Høyre i dette?

Hvordan kan vi få til mer konkurranse innenfor sektoren? Alt dette må vi komme tilbake til, og representanten Andersen Eide vil få veldig god anledning til å diskutere disse sakene. Når det gjelder landbrukssektoren, legges det opp til først å se på effektivisering og overføringer, og så må man komme tilbake til resten på et senere tidspunkt. I det norske folket er

Mitt spørsmål er: Kvifor har denne regjeringa – i motsetning til dei tre føregåande regjeringane – latt vere å ha med eit punkt i regjeringserklæringa om at regjeringa ikkje vil søkje om EU-medlemskap utan å levere avskjedssøknad? Har Framstegspartiet med dette opna for at regjeringa faktisk kan kome til å levere ein slik søknad i løpet av perioden?

at det blir mer fristende å være arbeidstakere enn å satse selv. Fremskrittspartiet har tidligere støttet Venstre i at det er nødvendig med en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltmannsforetak. I Sundvolden-erklæringen er det oppløftende takter når det gjelder forenkling av regelverk, men vi kan ikke se hva man vil gjøre for å styrke de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende. Det konkrete spørsmålet er: Er det slik at Fremskrittspartiet i regjering ikke vil gjøre noe med det, eller kan vi nå vente at det blir tatt nødvendige initiativ for å bedre de sosiale rettighetene for selvstendig næringsdrivende? Man kan forvente og det ligger også helt klart i plattformen at når det gjelder selvstendig næringsdrivende, særlig gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter, som faktisk utgjør over 99 pst. av næringslivet i Norge, har også de et behov for et sikkerhetsnett. I den politikken som ligger her, vil man sørge for at rammevilkårene til disse bedriftene blir ivaretatt på en skikkelig måte. Det handler om byråkrati og bruken av tid, og i den forbindelse vil man vurdere alle typer tiltak. Det som representanten selv tok opp i sitt innlegg, vil helt sikkert også vurderes. Det vert mange gratulasjonar i dag, men gratulerer med – som eg las i avisa – kanskje den viktigaste jobben for regjeringa dei neste innlegg, vil helt sikkert også vurderes. Det vert mange gratulasjonar i dag, men gratulerer med – som eg las i avisa – kanskje den viktigaste jobben for regjeringa dei neste fire åra. Eg trur i alle fall at representanten får spennande tider framover. Vi er jo komne i den situasjonen, anten vi likar det eller ikkje, at Framstegspartiet vil ha heilt avgjerande innverknad på Noregs klimapolitikk dei neste og aller mest ved at dei har dei tre viktigaste statsrådspostane for klimapolitikken ved sidan av miljøvernministeren: finansministeren, olje- og energiministeren og samferdselsministeren. Heldigvis er det ikkje Framstegspartiet sitt program, men samarbeidsavtalen og regjeringserklæringa som skal styre. Der er det mange bra ting om å forsterke politikken. Men avgjerdene som har betyding for klimapolitikken, går langt forbi det som er omtala der: i avgiftspolitikk og budsjett,

Fremskrittspartiet ønsket i sin tid faktisk også å delta i det arbeidet, men de daværende regjeringspartiene holdt Fremskrittspartiet utenfor den muligheten. Det ligger flere ting i plattformen som har med forsterking av klimapolitikken å gjøre. Det går bl.a. på det som har med miljøteknologi å gjøre. Det er svært viktig at vi kommer videre. Men det kanskje viktigste arbeidet som gjøres i denne sammenhengen, er at vi tar i bruk de virkemidlene som faktisk virker, at vi ikke går inn for den type prosjekter som bl.a. CO2-rensing og den såkalte månelandingen på Mongstad, som har kostet norske skattebetalere svært mange milliarder, fordi man har laget egne prestisjeprosjekt og ikke har sett på hva man faktisk kunne ha gjort annerledes. Ja, i det daglige kommer Fremskrittspartiet faktisk til å se hva som virker og legger opp politikken ut ifra det.

opplever me at Stortinget igjen skal vere arena for forhandlingar, endring og forbetringar av regjeringas mange forslag i ulike saker. Det vil gi ein ny dynamikk og ein ny moglegheit for Stortinget. Trond Helleland har allereie sitert Johan Sverdrup – «all makt i denne sal». Når ein no skal snekre politikken og regjeringa er avhengig av å sikre fleirtal for alle saker i Stortinget, vil Stortingets betyding som politisk arena naturleg nok bli endra. Det meiner eg er positivt for demokratiet. Etter stortingsvalet er den parlamentariske situasjonen endra. Me har fått ei mindretalsregjering av Høgre og Framstegspartiet, og eit samla sentrum er nok ein gong ein maktfaktor i Stortinget – det gir spanande moglegheiter. Då eg tala til Kristeleg Folkepartis landsmøte i vår, sa eg følgjande: «KrF vil bidrage til at eit ikkje-sosialistisk fleirtal skal gi landet ei ikkje-sosialistisk regjering. Me vil gå inn i opne samtalar med dei andre opposisjonspartia for å avklare grunnlaget for ei ny regjering. Det som avgjer, er politikken. Konklusjonen vil derfor avhenge av styrkeforholdet mellom partia og framfor alt av politisk plattform og partiets gjennomslag.» Kristeleg Folkeparti har følgt oppskrifta og innfridd våre løfte. No er det vår jobb å bruke posisjonen i Stortinget til å setje vårt stempel på politikken me skal vedta. Grunnmuren for samarbeidet med regjeringa er samarbeidsavtalen; avtalen der Kristeleg Folkeparti og Venstre har fått gjennomslag for ei rekke saker og som regulerer korleis me skal vere eit konstruktivt opposisjonsparti. Samarbeidsavtalen mellom dei to regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti og Venstre gir forpliktingar og høve til påverknad for alle partar. Avtalen sikrar to ting: Landet får ei styringsdyktig regjering, og Kristeleg Folkeparti og Venstre får ein nøkkelposisjon i Stortinget. Resultatet av valet og sonderingane gir Kristeleg Folkeparti auka dei neste fire åra. Ja, me har faktisk oppnådd meir på to–tre veker enn ein oppnådde dei siste åtte åra med ei raud-grøn fleirtalsregjering. Kristeleg Folkeparti gjekk til val på familie- og menneskeverd. No får familiane større valfridom og fleksibilitet. Kontantstøtta blir styrkt og vil på nytt bli innført for toåringar. Me set grenser og gjer politiske val som mot eit sorteringssamfunn. Kristeleg Folkparti og Venstre har sikra eit vern av dei sårbare områda utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Me har sikra konkrete tiltak for å hjelpe barn som lever i fattige familiar i vårt eige land. Me har fått på plass ein avtale som sikrar ei varig endring, der barnefagleg vurdering skal stå sterkare i vurderinga av asylbarna, og ei eingongsløysing for langtidsbuande barn og deira familiar frå land med returavtale. Me har sikra at linjene i norsk alkoholpolitikk skal liggje fast. Me har sikra kunnskap om vår kristne kulturarv i skulen. Me har fått gjennomslag for å greie ut lovfesta rett til heildøgns pleie og omsorg med sikte på innføring i løpet av denne fireårsperioden. Og ikkje minst har me fått gjennomslag for å føre ein offensiv klimapolitikk og styrkje det klimaforliket som ligg til grunn. Òg regjeringsplattforma vitnar om at me har fått ei regjering som vil både lytte og lære. Kristeleg Folkpearti har notert seg fleire gode saker i regjeringsplattforma, og det er umogleg å nemne alle. Eg har likevel lyst til å trekkje fram nokre saker som me ser særdeles positivt på. Den nye regjeringa seier: Dei vil reformere ordningane med omsorgsløn og pleiepengar for foreldre med sjuke og funksjonshemma barn, som oppfølging av Kaasa-utvalets innstilling. Regjeringa seier dei vil behalde fast tilsetjing som hovudregelen i arbeidsmiljølova. Den nye regjeringa vil gjere brukarstyrt personleg assistanse – BPA – til ein rett. Regjeringa vil auke eingongsstønaden ved fødsel og adopsjon. Dei vil leggje til rette for at fleire får moglegheit til å nytte tilbod om barnehageplass og SFO gjennom differensiert foreldrebetaling. Den nye regjeringa seier òg at ho vil byggje familievernpolitikken rundt prinsippet om førebyggjande arbeid og tidleg innsats for å sikre gode oppvekstsvilkår. Den nye regjeringa seier ho vil etablere ei opptrappingsplan for rusfeltet og igjen innføre regelen om at rus og psykisk helsevern – kvar for seg – skal ha ein årleg vekst i kvart helseforetak som er høgare enn for somatikk. Den nye regjeringa seier at den raskt skal utvide og kjøpe ledige plassar for rusbehandling, sikre ettervern frå første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak. hjelpetiltak. Ein seier òg at ein skal sikre at den indre sjølvbestemmingsretten skal vere reell i alle trus- og livssynssamfunn. Med dette som utgangspunkt ser eg veldig fram til samarbeidet med den nye regjeringa. Norsk utviklingspolitikk er eit uttrykk for at Noreg ikkje er seg sjølv nok. Vi tar internasjonalt ansvar. Som eit av verdas rikaste land har vi betre moglegheiter til å bidra enn nesten alle andre land i verda. Derfor må Noreg innta ein leiarposisjon i kampen mot internasjonal fattigdom. For det første må Noreg få ein mer samstemt utviklingspolitikk, der òg handel og investeringar bidreg sterkare til utviklingsmåla. Det nye stortingsfleirtalet opnar no for at midlar frå Oljefondet gir kapital til eit nytt investeringsprogram for å skape utvikling i fattige land. Dette er eit framskritt etter at dei raud-grøne har røysta ned slike forslag i Stortinget. Innretninga av bistandspolitikken kan òg bli meir resultatorientert. Det er bra, og det er viktig. 1 pst.-målet for norsk Dette har stått som ein viktig pilar gjennom ei årrekke. Etter at Noreg for første gong på tretti år ikkje lenger har ein eigen utviklingsminister, blir bistandsbudsjettet ein viktig prøvestein på om dette òg er eit uttrykk for svekt internasjonal solidaritet. Frå utanrikskomiteen kjem eg til å følgje utanriksministeren med argusauge og sørgje for at utviklingspolitikken ikkje blir nedprioritert . Kristeleg Folkeparti vil òg prioritere klima som eit av dei viktigaste satsingsområda. Me hadde gjerne sett at det òg var med blant regjeringsplattformas åtte viktigaste saker. Samstundes er eg glad og letta over å sjå at det ligg mykje god og attkjenneleg klima- og miljøpolitikk i regjeringserklæringa. Grunnlinjene i klimapolitikken ligg fast. Eg er glad for at regjeringa vil føre ein offensiv klimapolitikk og ikkje minst at dei så tydeleg seier at dei vil styrkje klimaforliket. Eg nemnde Lofoten, Vesterålen og Senja tidlegare – at desse områda skal vere oljefrie. Eg er glad for at me skal auke satsinga på fornybar energi, på miljøteknologi og forsking. Klimapolitikk vil komme høgt på den internasjonale Folkeparti har ei forventing om at Noreg skal vere ein aktiv pådrivar i dei internasjonale klimaforhandlingane og bidra til å få på plass ein sterk, internasjonal og bindande avtale. Med ei ny regjering er dagens situasjon for landbruket langt betre enn det bildet som blei teikna før valet. Me har ei mindretalsregjering som har skrive under på ein avtale med Kristeleg Folkpearti og Venstre om at avtaleinstituttet skal bli ført vidare, politikken skal vere føreseieleg, og ein skal ha auka lønsemd i landbruket. I tillegg må regjeringa søkje Stortinget for å få fleirtal for endringar i landbrukspolitikken, og Kristeleg Folkeparti og Venstre skal vere dei første ved forhandlingsbordet. Kristeleg Folkeparti vil arbeide for god sentrumspolitikk og vil samarbeide med alle som ønskjer å bidra til det.

Nå er Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen på plass – dessverre. I dag har vi sett to eksempler på invitasjoner til kommunereform, både fra Høyre og Fremskrittspartiet. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har tradisjonelt stått sammen og fokusert på distriktspolitikk, på småkommuner, og sett at det på noen plasser i Norge er klokt at kommunene er mindre, på andre plasser er det klokt at kommunene er større, og at folk er mest fornøyd i de små kommunene. Vil Kristelig Folkeparti følge den tradisjonen de har stått i og se at vi trenger både små og store kommuner i Norge, og at det å få en stor tvangsreform fra Oslo ville være uklokt for landet vi skal styre? Eg trur at det å sjå på dei oppgåvene som ligg til Kommune-Noreg i dag, er både naturleg og heilt riktig. På Kristeleg Folkepartis landsmøte gjekk eg som partileiar på eit lite tap. Eg ønskte å behalde kommunestrukturen. Det eg opplevde, var at det var kommunepolitikarar frå heile landet som sa: Dei oppgåvene me har, passar ikkje med den kommunestrukturen Det eg opplevde, var at det var kommunepolitikarar frå heile landet som sa: Dei oppgåvene me har, passar ikkje med den kommunestrukturen som ligg der i dag. Det tar eg så absolutt på alvor. Det eg synest er veldig bra med det som den nye regjeringa har vore så tydeleg på, er at regjeringa ønskjer å få til eit breitt politisk samarbeid om ei problemstilling som eg trur det store fleirtalet i denne salen ser. Me er nøydde til å sjå på problemstillinga. problemstillinga. Eg trur at skal den slags vedtak stå seg, er det viktig med breie forlik. Eg ser fram til å samarbeide med Senterpartiet om det. Senterpartiet har stor kompetanse på dette feltet. Eg er einig i ein ting som representanten Slagsvold Vedum seier: Det finst inga løysing på kva som er ein riktig kommune, men eg trur ein slik prosess er heilt nødvendig. Jeg skjønner dette er

side. Vi ser at det er tydelige avtrykk av Kristelig Folkepartis politikk i den avtalen. Viktige temaer som kontantstøtte, reservasjonsrett og økt engangsstøtte vitner nettopp om det. Også de frivillige har Kristelig Folkeparti fokusert mye på. I valgkampen var særlig pensjonsforpliktelsene for de ideelle organisasjonene som jobber innenfor helse- og Jeg finner ingenting om det i avtalen. Betyr det at det er nedprioritert, eller betyr det at Kristelig Folkeparti forventer at regjeringen gjennomfører de lovnadene nå? Det er mange ting som ikkje står i samarbeidsavtalen til Venstre, Kristeleg Folkeparti og som representanten Aasrud seier, at me har vore veldig opptatt av nettopp frivillige, ideelle aktørar og den moglegheita dei skal ha. Ei stor urettferdigheit for mange ideelle aktørar er at dei, for å vere ein del av det såkalla offentlege tilbodet, har tatt på seg store pensjonsforpliktingar på 1960-, 1970- og 1980-talet. Det har ført til ei ulempe når dei skal konkurrere med kommersielle aktørar. Dette er ei viktig sak som me slett ikkje har gløymt. Me har òg diskutert dette i sonderingane i Nydalen, utan at me har landa på ei løysing. Dette er ei utfordring fordi me ønskjer å ha ein sunn og god konkurranse. Då skal òg ideelle aktørar kunne konkurrere på lik linje med andre. Dei pensjonsforpliktingane dei har med seg i bagasjen frå 20–30 år sidan, gjer at det er svært vanskeleg.

Da jeg gikk ned hit i dag, passerte jeg Egertorget. Der er det et lite skilt med informasjon om Katti Anker Møller. Hun var en av dem som etablerte det første mødrehygienekontoret i Norge, i Oslo. Hun var en forkjemper for barneloven, barnetrygden og prevensjonsveiledningen. Kristelig Folkeparti ønsker å gi leger adgang til å reservere seg mot å henvise. i helsevesenet er jo nettopp det å henvise og å veilede. Her skjønner jeg at samvittigheten er viktig for Kristelig Folkeparti. Men er ikke denne avtalen med på å gjøre samvittigheten viktigere enn nestekjærligheten? Nei, eg er sterkt ueinig i den tenkinga. Det er ikkje slik at helsetilbodet vil dårlegare for dei som har behov for det. Ein har hatt ei slik reservasjonsmoglegheit. Frå 1970-talet og fram til 2011 har det vore ein praksis, som Helsedirektoratet i fleire omgangar har stadfesta. Dette var ein praksis som fungerte svært godt. Eg er sikker på at me kjem til å finne løysingar når regjeringa sett seg ned saman med Legeforeningen. Me vil finne gode løysingar på dette, òg for å ta i vare fridomen i samvitsspørsmål. Me vil kunne møte mange etiske utfordringar framover. Eg meiner at me må ha det så romsleg i viktige etiske spørsmål at ein må kunne ha ulikt syn. Dette har ein funne praktiske og gode løysingar for. Eg er sikker på at me kjem til å finne slike løysingar framover òg. SV og

Sammen med den rød-grønne regjeringen har Kristelig Folkeparti oppnådd 1 pst.-målet. Det må jo være en nesestyver når det første regjeringen gjør, er å fjerne utviklingsministeren som Kristelig Folkeparti opprettet. Det var veldig bra at de gjorde det. Regjeringen nedgraderer nå utviklingsbistand til en helt alminnelig sak, helt på linje med alle andre, og den nye utenriksministeren sier i dag til NTB det ikke er så viktig at vi gir en tiøring av hver tikrone som vi tjener, til verdens fattige. Kan Hareide nå garantere at 1 pst.-målet kommer til å stå når vi har behandlet budsjettet? Eg er heilt einig. SV og Kristeleg Folkeparti har stått saman, både om klima og verdas fattige. Men det må vere eit paradoks for SV at når Framstegspartiet kjem i regjering, er det mogleg å få til av klimaforliket. Det blir altså eit styrkt klimaforlik når Framstegspartiet vel å gå inn i regjering. Så til spørsmålet om utviklingsministerposten. Ja, Kristeleg Folkeparti har vore kritisk til at me ikkje får ein eigen utviklingsminister, på same måten som me var kritiske til at den raud-grøne regjeringa valte ikkje å ha ein eigen utviklingminister i perioden då Erik Solheim både var miljø- og utviklingsminister. Me hadde altså ikkje ein eigen utviklingsminister på fulltid. Det er jo kapasiteten, tida ein bruker på dette, som er viktig for Kristeleg Folkeparti. Eg kan vere veldig tydeleg på dette: Er det noko som kjem til å vere viktig for oss, er det bl.a. å sikre at me får 1 pst. til internasjonal bistand. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har mye felles historie når det gjelder bistandspolitikken, også da bistandsministerposten ble opprettet – da med Høyre. Det er

med budsjettet i fjor høst, mens Høyre og Fremskrittspartiet ønsket å gå den andre veien. Nå foreligger det et budsjettforslag der 1 pst. av BNI går til bistand. Det forslaget er det uproblematisk for Kristelig Folkeparti å skrive seg inn i. Blir det viktigere for Kristelig Folkeparti å forholde seg til samarbeidsavtalen enn å forholde seg til verdens fattigste? Jeg håper Kristelig Folkeparti stemmer for de fattigste og at de bidrar til videre løft også for bistand framover.

kjem først. Me er opptatt av å setje oss ned med regjeringa for å få gjennomslag for Kristeleg Folkepartis politikk. Eg trur at i dei samtalane me har hatt, har det komme tydeleg fram nettopp kor viktig bistand er for Kristeleg Folkeparti. Eg trur at regjeringa som sit no, veit det. Så får me sjå kva dei legg fram. Men eg er sikker på at

stand. Dei overtek òg eit stort ansvar for liva til enkeltmenneske i Noreg. I tråd med kjernen i Senterpartiets forvaltarideologi overlèt me landet til den nye regjeringa i betre stand enn det var då me sjølve fekk det. Senterpartiet har ein veljarkontrakt å oppfylle. Det vert ikkje mindre viktig av at me har fått eit regjeringsskifte. Me gjekk til val på å bruke naturen slik at våre etterkomarar har dei same moglegheitene som me har hatt. Naturen er grunnlaget for arbeidsplassar og verdiskaping, og for løysingar på klimakrisa. Me vil at Noreg skal produsere mat til vår eiga befolkning. Me vil arbeide for at eldre skal halde seg friske lenger og ha gode og meiningsfulle kvardagar anten dei vel å stå i arbeid lenger, bu heime sjølv om helsa skrantar eller få plass på sjukeheim når dei treng det. Veg og bane må knyte landet tettare saman. Avstanden mellom folk og marknader må verte kortare. Dette er saker som me har fått tydelege gjennomslag for saman med Arbeidarpartiet og SV, og bygd gode budsjett på kvart einaste år. Grunnstammen i politikken vår er at folk skal få bestemme over eigen kvardag. Lokaldemokratiet er ein berebjelke. Folk skal ha reell valfridom. Då må arbeidsplassar, bustader og likeverdige helse- og omsorgstenester vere på plass i heile landet. I åtte år har Senterpartiet hatt avgjerande påverknad på norsk politikk. No skal me vere eit konstruktivt opposisjonsparti. Me skal bruke makta vår til beste for heile landet. Me tek kontrakten vår med veljarane på alvor. Senterpartiet står for det same no etter valet som me gjorde før valet. Det har me òg hatt for vane i den tida me har sete i regjering. Det kan ein ikkje seie for den regjeringsplattforma som er lagd fram, og den tiltredingserklæringa som me har høyrd i denne salen, er overordna og lite konkrete. Ta t.d. ei enkeltsak: Me, og ikkje minst eg som òg styrte bustadpolitikken, fekk sterk kritikk for det auka eigenkapitalkravet. No høyrer me ingenting meir om eigenkapitalkravet eller at ein skal endre det som var ei av dei store sakene med store debattar. Det er ikkje rart at enkelte føler seg litt lurte. Me i Senterpartiet skal framleis kjempe for dei sakene som er viktige for oss. Me skal slåst for at den positive utviklinga landet har hatt dei siste åtte åra, held fram. Det står mykje på spel. Trygg styring har gitt oss høg sysselsetjing, låg rente

i den raud-grøne regjeringa. Senterpartiet har sett sitt preg på den raud-grøne regjeringa og på heile landet. Me har arbeidd hardt for at me sjølve skal få bestemme over vårt eige land. Me har arbeidd for at folk sjølve skal få velje kor dei vil bu og leve. Då trengst det arbeidsplassar, bustader og likeverdige helse- og omsorgstenester over heile landet. Utan det vert den såkalla valfridomen eit tomt skal. Folk må òg kjenne tryggleik for eige liv og eigen eigedom. Difor vil me sikre nærpoliti, brannvesen og alarmsentralar som har både lokalkunnskap og kort responstid. Det hjelper lite med gode helsetenester og nok politi om hjelpa ikkje når fram når ulukka rammar. Folk skal framleis få hjelp når dei treng det, same kor dei bur og same kor tjukk eller tynn lommebok dei har. Det er Senterpartiets mål. Me har i dag, etter åtte år med Senterpartiet i regjering, den sterkaste folketalsutviklinga i Distrikts-Noreg på over 30 år. I fjor hadde 300 kommunar i Noreg vekst i folketalet. Det er ei utvikling eg er stolt over å ha vore med på. Bak tala ligg det at fleire har fått betre liv og meir valfridom der dei bur. Folk skal ha reell moglegheit til å bu der dei trivst. Difor må dei ha valfridom til å kunne arbeide sjølv om dei har små ungar. Då treng me barnehageplassar til alle. Folk må ha valfridom til å kunne bu godt i byen, men òg til å flytte ut av byen og til ein god og spennande jobb på ein mindre plass. Valfridom er ikkje mykje verd utan tryggleik for at ein får like gode helse- og omsorgstenester sjølv om ein flyttar til ein mindre plass. Fleire tilsette i barnevernet gjer at fleire små ungar og familiar som slit, får Fleire tilsette i pleie- og omsorgssektoren gjer at fleire eldre og sjuke som ikkje kan greie seg sjølve, får ein betre kvardag. Det gir òg avlastning for pårørande, men aller viktigast: Eldre og sjuke får betre støtte til å leve gode, meiningsfulle liv. Det er dette som ligg i ein styrkt kommuneøkonomi. Det er dette Senterpartiet og den raud-grøne regjeringa har prioritert kvart einaste år dei siste åtte åra. Me har prioritert kommunar, me har prioritert distriktspolitikk. Eg saknar dimensjonen av distriktspolitikk i regjeringas plattform og tiltredingserklæring – det er totalt fråverande. Regionaldepartementet er erstatta med eit fornyingsdepartement. Regionaldepartementet er altså borte frå departementslista – det ligg mykje symbolikk i det. Tida vil vise kor mykje realpolitikk som ligg i det.

om ikkje me har beitedyr som stoppar tilgroing. Klimaendringar truar vegetasjon og artsmangfald både her og i resten av verda. Om bønder og beitedyr òg forsvinn, kan både middagstallerkenen og landet verte sjåande dramatisk forskjellige ut. Folk skal kunne stole på at maten dei serverer ungane sine, er trygg. Då må me ha nok mat, særleg i ei verd med klimaendringar og folketalsauke. På plakatane til demonstrantar Nok mat er òg viktig for beredskapen vår. Norsk mat og mattradisjon er viktig for identiteten vår. Eg er sterkt uroa over framtida til norsk matproduksjon under den nye regjeringa. Senterpartiet og den raud-grøne regjeringa har lagt til rette for ei rekordstor utbygging av fornybar energi og for vekst i løyvingane til forsking på og utvikling av klimateknologi. Me har eit stort ansvar for dei som kjem etter oss, og for at dei skal ha den same valfridomen og like gode moglegheiter som me sjølv nyt godt av. Ein klode som ikkje er overoppheta, men har ein sunn og sterk flora og fauna, er det viktigaste me kan gi vidare. «Det er kostbart å ha høyrelederen på besøk», sukka Ola Borten Moe etter at Erna Solberg hadde besøkt Trondheim tidlegare i år: «Sist kostet det oss 1000 mål med matjord.»

og at dei ikkje vert tvinga inn i samanslåingar. Eg høyrer at Høgre og Framstegspartiet no ikkje tek ordet «tvang» i sin munn lenger. Dei skjønar at det gir ein dårleg smak i munnen til folk flest. Men inntil Høgre og Framstegspartiet lovar å gå bort frå tvang, vil eg rå kommunar frå å gå inn i prosessar som dei har så lite reell råderett over. Folk må få seie si meining. meining. Eg utfordrar regjeringa til å klargjere prosessen før ho kjem til Stortinget med invitasjon til ei brei drøfting om eit eventuelt forlik om kommunestrukturen. Me går inn i ei spennande tid. Me går inn i ei tid med ei ny regjering, som så langt har vore lite konkret på dei ulike politikkområda. Me ventar spent på at sakene kjem til Stortinget, og skal vere konstruktive i opposisjonsrolla vår.
Det åpnes for replikkordskifte på inntil seks

mot Oslo – for å flytte makt fra Oslo og ut til lokale folkevalgte. Det kan jo diskuteres i hvilken grad makt har vært flyttet under den forrige regjeringen, men nå sier den nye regjeringen at den ønsker å flytte mer makt ut til lokale folkevalgte og styrke lokaldemokratiet. Er representanten Navarsete fornøyd med at den nye regjeringen nå realiserer hennes drøm? Navarsete fornøyd med at den nye regjeringen nå realiserer hennes drøm? Det er slik òg i den politiske verda at makt og pengar har ein tendens til å følgjast åt. Me har sytt for at norske kommunar har hatt handlingsrom og moglegheit til å styre sin eigen økonomi. Me har meir enn halvert talet på ROBEK-kommunar. Me har sytt for ei historisk utbygging av velferdstenester og lagt til rette for at òg kommunane har kunna drive næringsutvikling og Det er viktig. Eg ynskjer å flytte ytterlegare makt ut til kommunane og ser med spenning fram til dei forslaga som vil kome. Men dersom prisen er at ein for den makta ein får, skal syte for at mange av dei som i dag har makt til å styre sine eigne kommunar, må gi frå seg den makta til ein perifer storkommune, er eg usikker på om eg ynskjer kommunane den makta.

som set lokaldemokratiet høgt, og som set tillita til enkeltmenneske, familiar og lokalsamfunn veldig høgt. Vi er no i ein overgang mellom åtte år med raud-grønt styre og ei ny regjering. Eg ønskjer å høyre med representanten Navarsete om ho er fornøgd med den raud-grøne regjeringas handsaming av lokaldemokratiet, privat eigedomsrett og statleg overprøving, og gjerne få nokre kommentarar om korleis ho har opplevd desse områda dei åtte åra det har vore ei raud-grøn regjering. Som eg sa i innlegget mitt, overlèt me eit land, eit samfunn, i betre stand enn det me overtok det i. Det meiner eg me kan beleggje. Det har vore sterk vekst i velferd. Det har vore sterk vekst i talet på arbeidsplassar. Det har vore sterk vekst i kommunanes handlingsrom til å utøve dei tenestene som kommunane skal utføre – i motsetjing til dei fire føregåande åra, då eg var lokalpolitikar heime i Sogn og Fjordane og me stort sett brukte tida til å kutte. Det er òg ei form for ribbing av lokaldemokratiet, og som kanskje er den mest smertefulle for dei som gjennom året sit i kommunestyre og fylkesting og utøvar, når dei ikkje får moglegheit til å skape vekst og utvikling. Eg meiner at me har vareteke både eigedomsrett og private næringsdrivande på ein måte som har gjort at me har hatt den sterke veksten som me har hatt. Senterpartiet har både stor respekt for og er veldig glad for at me har sett tydeleg og stor vekst nettopp i privat næringsliv i desse

Jeg har også registrert at Senterpartiet har gjort sitt dårligste valg siden krigen, og at flere krefter i Senterpartiet nå har tatt til orde for et bedre samarbeid med den borgerlige siden i norsk politikk. Samtidig så jeg at partilederen i går sa til landsstyret sitt at man skulle fortsette det rød-grønne samarbeidet. Vi vet at bl.a. ordføreren i Stjørdal – den største senterpartikommunen – har tatt til orde for et bedre samarbeid med de borgerlige. Så Er det slik at de som gjør gode valg i lokalpolitikken – hvorav Senterpartiet – nå skal få mer å si, eller er det de som sitter sentralt i Senterpartiet og gjør et dårlig valg, som skal fortsette sin linje? Eg registrerer i dagens avis at nestleiarane mine i alle fall er veldig fornøgde med utsegnene til leiaren sin, og stadfestar at det ikkje er andre planar for partiet enn å utvikle vidare eit godt samarbeid med våre raud-grøne vener, Arbeidarpartiet og SV, og utvikle godt samarbeid med alle parti – men spesielt med sentrum – i Stortinget for å få gjennomført Senterpartiets politikk. Det ville kanskje ha vore oppsiktsvekkjande dersom ikkje me ville det. Senterpartiet gjorde ikkje noko godt val. Det gjorde ingen av regjeringspartia. Det kan vel tyde på at veljarane ynskte ei anna regjering, noko dei òg har fått. Men eg vil òg minne om at andre sentrumsparti – etter å ha samarbeidd med fekk ein mykje meir ublid skjebne i møte med veljarane i 2005 enn det Senterpartiet gjorde no. Når det gjeld kva som er best for eit sentrumsparti – å samarbeide inn mot høgresida eller inn mot venstresida: Dersom ein skal døme etter medfarten frå veljarane, er det vel me som har gjort det beste og det rette

Senterpartiet mot forslaget om å innføre et ROT-fradrag, samtidig som de i valgkampen var klare og snakket veldig varmt for et ROT-fradrag. Vi vet at den nye regjeringen er klar på at den ønsker å utrede et ROT-fradrag. Spørsmålet blir da om Senterpartiet mener det de mente før valget, da de stemte mot dette, eller om de kommer til å støtte regjeringen i en slik utredning.
Senterpartiet tok forslaget om eit ROT-frådrag inn i det nye programmet vårt, som gjeld frå stortingsvalet i år. Den 17. juni regjerte me framleis på den raud-grøne regjeringsplattforma. Der var ikkje ROT-frådrag inne som eit tema – regjeringa hadde det ikkje med på sine prioriterte område. Men Senterpartiets landsmøte og Senterpartiets program er klare på at me ynskjer eit ROT-frådrag. Derfor ser me med spenning fram til eit forslag om dette frå regjeringa. Så får me diskutere forslaget når det eventuelt kjem. Eg synest det er

helsepolitisk talskvinne, Kjersti Toppe, som svært god og svært tydeleg – i debatten om reservasjonsretten. Spørsmålet mitt til Navarsete er: Er det slik at Kjersti Toppe her talar på vegner av heile partiet? Står ein bak dei gode utsegnene som Kjersti Toppe har på dette området? Korleis opplever Navarsete at Arbeidarpartiet og SV – til og med i dagens debatt – ikkje ser på

Eg ser dessutan òg fram til eit godt og nært samarbeid om viktige saker, både verdispørsmål og andre saker der Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet står nært kvarandre – det er mange saker. Både representanten Hareide og alle veit at på ein del saksområde vil det vere ulike syn i ei regjering. Dette er eit område der det var ulikt syn mellom Senterpartiet, Arbeidarpartiet og SV, som i ein del andre verdisaker knytte til f.eks. bioteknologi, der Senterpartiet fekk gjennomslag på område som er viktige for oss. Eg respekterer fullt og heilt at SV og Arbeidarpartiet har eit anna syn på det enn me har – det har me levd godt med, og det lever me òg godt med vidare.

ytterleggåande standpunkt som Senterpartiet har fremja den siste tida. 4. oktober var Senterpartiet sin justispolitiske talsperson ute og inviterte Høgre og Framstegspartiet med på innføring av tiggeforbod. Dagen etter var representanten Navarsete sjølv ute og inviterte dei same høgrepartia med på eit samarbeid om kraftig å redusere rovdyrbestanden. Meiner representanten Navarsete at ytterleggåande standpunkt i justis- og miljøpolitikken er ein god måte å nærme seg Venstre og på? Som eg sa i innlegget mitt, kjem Senterpartiet til å stå for Senterpartiet sin politikk, på same måte som eg forventar at både Venstre og Kristeleg Folkeparti kjem til å gjere det, og me kjem òg til å ha saker der me ikkje er samde. Samtidig er det eit historisk fellesskap mellom oss. Me har delt mykje av det same verdigrunnlaget. Me har stått for ein politikk for heile landet i lag, for distrikt og landbruk. Me har halde nynorsken i hevd, og me har hatt mange andre viktige saker, ikkje minst knytte til fordeling både nasjonalt og internasjonalt, der me har hatt ei solidarisk haldning. Me har stått for at det frie mennesket skal ha moglegheiter innanfor eit godt fellesskap.

hva det er vi ønsker å bruke makta vår til. Det vi lovet, var at et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering. Vi lovet også at vi skulle sette oss ned, alle fire partiene, og åpent gå inn og se hva vi klarte å få til når valgresultatet var over, men vi sa også at det var lite sannsynlig at vi fikk til en firepartiregjering. Vi gikk åpent inn. Vi klarte ikke å få til en firepartiregjering, men jeg har lyst å si fra denne talerstolen at tilliten og respekten mellom oss som forhandlet, ble styrket av den prosessen. Men spriket var litt for stort, og forsikringene som vi som en lillesøster i en sånn partikonstellasjon ønsket, var det ikke mulig å få. Venstre gikk til valg uten å stille ultimatum i noen saker. Grunnen til det er at jeg tror man får større gjennomslag hvis man har handlingsrom i forhandlinger om de sakene man ønsker å gå til valg på. Venstre gikk til valg på å si at øverst på blokka, da vi skulle forhandle med de andre partiene, sto Lofoten, Vesterålen og Senja. Derfor er jeg veldig glad for at vi klarte å sammen med Mørebanken, Skagerrak, Jan Mayen og iskanten. Det er et viktig vedtak – en veldig viktig forsikring – som jeg tror har store framtidsvyer i seg, ikke bare for å finne alternative næringsveier i viktige deler av Norge, men også for å kunne få andre satsinger på bordet enn den store oljeavhengigheten vi ser at norsk økonomi har. Vi fikk også til en avtale som sier at klimaforliket skal styrkes, med stor satsing på kollektivtransport. En av de sakene som Venstre drev valgkamp på, nemlig fradrag for enøktiltak i egen bolig, ligger nå inne i samarbeidsavtalen. Vi laget en felles avtale på asylfeltet. Det var krevende, men det er ikke sånn at velgerne har valgt oss til bare å gjøre de behagelige tingene. Det å sette seg ned og bli enige om de store, Det viktigste gjennomslaget for Venstre der er at vi nå skal få en reell regelendring, ikke bare synsing via stortingsmeldinger, og at begrepet «barnefaglig forsvarlig» nå skal inn i de nye reglene. En annen sak som Venstre drev valgkamp på, var å få til et ordentlig lærerløft. Nå er det enighet om det på borgerlig side – et ordentlig lærerløft som klarer å lage karriereveier for de enkelte lærerne, også karriereveier i det å stå bak kateteret, i det faktisk å være lærer ut gjennom hele yrkeskarrieren, et lærerløft som sikrer etter- og videreutdanning, men også et lærerløft som øker og gjenreiser respekten for læreryrket i det norske samfunnet. Vi har fått til satsing på småbedrifter og gründerskap, både når det gjelder regelendringer, og når det gjelder beskatninger. Vi har fått til en satsing når det gjelder fattigdom, som også løfter rus og psykiatri som mye viktigere områder innenfor helsesektoren. Det betyr å løfte de svakeste. Da Venstre hadde valgkampåpningen sin i Arendal, under Arendalsuka, la vi fram 31 grunner til å skifte regjering, 31 saker vi skulle kjempe for hvis vi fikk et nytt flertall. Jeg kan oppgi status i Stortingets første debatt på Stortingets første debatt på de 31 sakene: Av dem er nå 14 gjennomført, 10 delvis gjennomført, 6 ikke gjennomført og 1 har vi fått flertallet mot oss på. Det betyr at man får veldig mye for stemmen når man stemmer Venstre. Avtalen mener jeg skal revitalisere Stortinget. Den skal gi muligheten for å løfte de store offentlige debattene tilbake igjen til Stortinget. Venstre syns at vi har fått både gode gjennomslag og godt armslag framover for å være med å skape og utvikle politikk. Jeg tror at de åpne debattene gir bedre løsninger. Jeg tror at det å løfte debatter inn i det åpne rom gir bedre politikk og bedre løsninger for folk. Jeg tror at det at høringene på

men også konstruktivt overfor den regjeringa som er, og noen felter kommer vi nok til å henge ekstra på. Vi er veldig glad for at vi har fått de formuleringene vi har fått når det gjelder klima, som er betraktelig sterkere enn den trontalen som er grunnlaget for debatten som vi har nå. Den avgåtte regjeringa hadde de svakest tenkelige formuleringene på klima – vi har forsterket den gjennom samarbeidsavtalen. Men vi er bekymret for det klassiske naturvernet. Vi kommer nok til å være en god støttekontakt for miljøvernministeren, håper jeg, for også å utvikle politikk på dette området. Vi kommer til å passe på lærerløftet ved at det ikke bare skal gjelde noen, men at det faktisk skal gjelde den norske lærerstand ved at vi får til de karriereveiene som gjør det mer spennende å være lærer hele yrkeslivet, ved at vi får ned bruken av ufaglærte og at byråkratiet blir mindre i norsk skole, men også får en stor satsing på forskning som sørger for at vi får omstilling i næringslivet – den omstillingen vi vet vi skal leve av i framtida. Jeg må innrømme at jeg syntes det var litt stas å få en ny olje- og energiminister som brukte hele første dagen sin på å snakke om fornybar energi. Det er et stort, annerledes taktskifte i forhold til den regjeringen som gikk av, av, der olje var det den ministeren stort sett drev med. På samferdselsområdet kommer vi til å forvente at det skal være like stort trykk på kollektivdelen som på veidelen, og det kommer vi til å passe på herfra. Nå har vi fått sagt at vi ønsker å revitalisere Stortinget. Vi har sagt at vi ønsker å flytte debatter inn i det offentlige rom, og da må vi ta det ansvaret ved å gjøre det på en skikkelig måte også. Ettersom jeg nesten er den eneste som ikke har sitert Sverdrup, har jeg lyst til å si: Han sa til Venstre-folk en gang for lenge siden, noe som er veldig aktuelt i dag også, at vi lever i en ny tid, det er en ny kamp, men vi Venstre-folk er med. Det åpnes for replikkordskifte på inntil seks replikker. Det har vært mange gratulasjoner. Jeg får gratulere Trine Skei Grande med fortsatt å være parlamentarisk leder for Venstre i opposisjon. I trontaledebatter er

Til Nationen 9. august sier Trine Skei Grande at hun «har to mål i valgkampen: Å kaste den rød-grønne regjeringen og å sørge for minst mulig Frp-politikk.» Vi får vel gratulere Skei Grande med å ha lyktes med det første. Spørsmålet er: Har hun lyktes med det siste, «å sørge for minst mulig Frp-politikk»? Jeg tror mange oppfattet i valgkampen at en stemme til Venstre ikke skulle være en stemme til Fremskrittspartiet i regjering. Nå styrer Fremskrittspartiet landbrukspolitikken, kollektivsatsingen, likestillingspolitikken

Det ser jeg ikke mørkt på. Men det er klart at vi skulle ønsket at vi var litt større, og at vi kunne ha gått inn i regjeringa, at vi hadde hatt større muskelkraft etter valget enn det vi faktisk fikk. Så er det sånn at jeg er opptatt av politikk. Nå har denne regjeringa sittet i fem dager hvis en teller med helga, og da syns jeg kanskje vi skal vente litt med å dømme den for det den gjør. Men når det gjelder å forhandle fram gode løsninger i asyl- og flyktningpolitikken, er det sånn at når det gjelder å forhandle fram gode løsninger i asyl- og flyktningpolitikken, er det sånn at vi som vil ha en mykere politikk, er spredt, både på borgerlig og sosialistisk side. Jeg merket meg at jeg kom lenger med Fremskrittspartiet enn hva SV kom med Arbeiderpartiet. Det syns jeg Arbeiderpartiet bør gå tilbake og tenke litt på. Jeg er helt enig i at vi skal

mange Venstre-velgere som er skuffet over at Fremskrittspartiet nå sitter i regjering, men mange er lettet over at Venstre ikke sitter i den regjeringen. Det er vi i Arbeiderpartiet også glad for. Jeg er helt enig med Skei Grande i at det er politikken som teller, og det er forståelig at Venstre og f.eks. Fremskrittspartiet, som i mange saker er motpoler i norsk politikk, om det gjelder innvandringspolitikk, miljøpolitikk, likestillingspolitikk eller mange andre saker, ikke fant å kunne sitte i regjering sammen. Spørsmålet er da: Vil Venstre bruke den fristilte posisjonen til å skape flertall for en god fordelingspolitikk, for internasjonal solidaritet, for utbygging av fellesskolen og for naturvern også når det skulle gå imot Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen? Jeg kan besvare med å ta opp fattigdomssaken. Det første Dokument nr. 8-forslaget som Venstre fremmet i denne salen for fire år siden, etter valget forrige gang, var et forslag om fattigdomsbekjempelse. Det ble fremmet av Abid Raja, med masse tiltak, der vi inviterte til et bredt forlik i kampen mot fattigdom. Vi ble nedstemt. Så kom stortingsmeldinga, som skulle rette opp dette, ifølge regjeringa. Vi fremmet, etter mitt minne, 36 forslag. Alle forslagene ble nedstemt. I det budsjettet som den forrige regjeringa nå har lagt fram, er det, hvis du skraper sammen alle tiltakene mot fattigdom, og tenker ganske rundt, ca 100 som brukes for å bekjempe fattigdom. I Venstres alternative statsbudsjett har vi stort sett omprioritert 2 mrd. kr i kampen mot fattigdom. Det vi merket da vi satte oss ned med de partiene som i dag er i regjering, er at vi fikk gjennomslag for nesten alle de forslagene vi har lagt fram i Stortinget, og som de rød-grønne har stemt imot. Så hvis Arbeiderpartiet har lyst til å snu, er de hjertelig velkommen tilbake i kampen mot fattigdom! Jeg vil også få lov til å gratulere Venstre med å ikke sitte i regjering – det

Og som representanten Skei Grande vet, er det akkurat det samme antallet vi faktisk utdanner i dag – altså 2 000 i året. Jeg bare lurer på om representanten Skei Grande fortsatt vil bruke ordet «lærerløft», eller om hun f.eks. vil bruke ordet «videreføring»? For det første syns jeg det er viktig å se disse tiltakene i en helhet. Det å lage karriereveier er en viktig del av dette. Det forslaget sto Venstre tidlig i vår nesten alene om i Stortinget, nå ligger det i en regjeringserklæring. Vi må se på alle tiltakene samlet. Men for å si det sånn, dette kommer Venstre til å presse på i alle budsjettene, fra Stortinget. Dette er en av de viktigste sakene vi gikk til valg på. Klima og kunnskap kommer fortsatt til å være hovedmantraet for Venstre i

Det betyr eit kristendomsdominert fag i eit Noreg som blir meir fleirkulturelt, der elevane får mindre tid til andre livssyn og viktige etiske spørsmål som kjønn, grensesetjing, mobbing, rasisme, og der lærarane blir detaljstyrte til å gi minst 55 pst. av undervisningtida på kristendom. Som svar på kritikken seier partileiar Skei Grande at dette var for å få gjennomslag i om Lofoten, Vesterålen og Senja. Men det hadde vel ikkje vore nødvendig å blidgjere Kristeleg Folkeparti for å få gjennomslag for det? Kva er det med samfunnsutviklinga som gjer at Venstre no finn det på sin plass å innføre ein stor «K» i den norske skulen? Dette er en ting vi er grunnleggende uenig i. Vi å få kjeft fra SV for å måtte gi og ta i forhandlinger, er litt pussig. For å si det sånn: Jeg var villig til å gi en «k» i et fag for Lofoten og Vesterålen, for at vi fikk oppmyking når det gjaldt asylbarna, fikk til det lærerløftet som vi var opptatt av å få med, og for at vi endelig har fått en regjering som er villig til å gå inn for forslag Venstre har når det gjelder fattige barn. Det er mange sånne tiltak som for meg var viktigere enn en bokstav. Ok, jeg ga meg på en bokstav. Ok, dette var ikke Venstres primære ønske å få til, men jeg syns det var verdt å gi, og som jeg tror de fleste Venstre-folk syns at det var verdt å gi. Hvis du sitter på en stein ut mot havgapet mot Lofoten og kikker ut over havet,

Høyre og Fremskrittspartiet var så stor at man ikke kunne sitte i regjering sammen. Det er et fundamentalt valg som jeg tror vil være pregende for mye av denne stortingsperioden. Statsministeren hadde jo sagt at en firepartiregjering var målet. Det målet lyktes man ikke med. Da er spørsmålet: Hvilken rolle vil Venstre ta i Stortinget? Vil man være villig til å danne flertall f.eks. for en god, internasjonal solidaritetspolitikk, selv om Høyre og Fremskrittspartiet skulle være uenige i dette, og sørge for at vi beholder den fellesskapstanken – også internasjonalt – som Norge har stått for? Ja, som jeg sa i mitt innlegg: Vi skal være utålmodige, krevende og konstruktive. Vi har avtale om at vi skal være førsteforhandler, men det betyr at vi også kan gå rundt hverandre. Jeg regner med at det må vi finne arbeidsformen for. Men for Venstre er det politikken som avgjør. Så lenge regjeringa legger fram noe vi kan gå for, kommer vi også til å stemme for det. det. Ellers kommer vi til å forholde oss til de politiske sakene som også blir løftet her i salen. Jeg tror jo som sagt at dette også kan skape en arena for å lage bedre løsninger gjennom den politiske debatten. Jeg tror at offentlig debatt fører til bedre løsninger. Jeg tror åpne høringer på Stortinget gir bedre løsninger, og det håper jeg alle bidrar til. Jens Stoltenberg har jo uttrykt at han også – når han er i parlamentet – er for at parlamentet har mye makt. Vi er alltid for at parlamentet har mye makt.

alle at det er kommuneøkonomien som skal være med og finansiere bl.a. etter- og videreutdanning av lærere. Vil representanten Skei Grande også sørge for at kommuneøkonomien får et løft for å kunne finansiere etter- og videreutdanningen for disse lærerne? Jeg vil først si at når det gjelder etter- og videreutdanning til lærere, må vi også se på om vi organiserer det på riktig måte.

Etter at Norge hadde sakket akterut sammenliknet med andre land, snudde utviklingen, og resultatene i skolen gikk oppover – mest for de elevene som i utgangspunktet stilte svakest. Ved utgangen av den rød-grønne regjeringsperioden var klimagassutslippene de laveste siden 1995, med unntak for det økonomiske kriseåret 2009. Etter mange år med privatiseringspolitikk under skiftende regjeringer ble fellesskapet styrket med kraftig utbygging av viktige offentlige velferdsordninger. Befolkningen øker nå i hele landet, selv i områder som har opplevd langvarig stagnasjon. SV har vært pådriveren for størst mulig og raskest mulig forandring i retning av mer fellesskap og et bedre miljø. Vi skulle gjerne ha gått fortere fram på mange områder, men vi er stolte over den retningen som Norge har tatt i våre år i regjering. SV er i opposisjon til den regjering som på fredag la fram sin erklæring for Stortinget. Den signaliserer på avgjørende områder en annen retning for Norge. Klimaproblemene er vår tids største utfordring. Det er sagt så mange ganger at det låter som en klisjé, men i dag føles det likevel nødvendig å minne om det. For av åtte hovedsatsinger i regjeringsplattformen handler ingen om miljø. Det er en hovedsatsing å redusere skattene, og det er en hovedsatsing å redusere antall kommuner. Det er til og med en hovedsatsing å redusere såkalte særnorske forbud. Men det er ikke en uttalt hovedsatsing å redusere norske klimagassutslipp. Jeg skjønte ut fra innlegget til representanten Helleland at det er å forstå som en honnør til Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er i hvert fall en type honnør de neppe ønsker å bli belønnet med flere ganger. Enhver ansvarlig regjering burde ha kampen mot klimaendringene på toppen av sine prioriteringer. En moderne og kunnskapsbasert regjeringsplattform burde vist en vei mot lavutslippssamfunnet gjennom redusert oljeavhengighet, en storsatsing på fornybar energi, omstilling til grønne næringer og grønn transport. Det vi har fått forelagt oss, er en plattform for et blåere Norge. Men det er ingen plattform for et grønnere Norge. Det er en blågrå plattform.

Til sammen har de ansvaret for svært mange av de viktigste virkemidlene for å få utslippene ned. Og når vi vet at nettopp disse statsrådene er fra et parti som stadig reiser tvil om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte – nå sist gjennom landbruksministerens manglende vilje til å rydde opp i egne, tidligere uttalelser – må det være lov å møte denne regjeringen med en viss klimaskepsis. Et grønt lyspunkt i den nye plattformen er punktet om et fortsatt oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, som også sikrer iskanten, Jan Mayen, Skagerrak og Mørebankene mot oljevirksomhet de neste fire årene. Med det videreføres den rød-grønne politikken som SV fikk til, for disse områdene. All ære til Kristelig Folkeparti og Venstre som fikk gjennomslag for det i samarbeidsavtalen med regjeringen. Likevel har Venstre og Kristelig Folkeparti et stort ansvar, fordi de nå har valgt å overlate initiativet i miljøpolitikken til to partier som til nå ikke har prioritert miljø. Det må de gjøre nå! Det er derfor SV i dag, sammen med Miljøpartiet De Grønne, foreslår at regjeringen skal komme til Stortinget med en sak om hvordan den vil styrke Klimaforliket. Vi i SV og alle andre partier i Stortinget har nå et stort ansvar for å møte alle forslag til klimatiltak på en konstruktiv måte. Vi vil gå inn for ethvert forslag som sørger for lavere klimagassutslipp, og som sørger for at Klimaforliket blir gulvet i norsk klimapolitikk og ikke et tak. Norges velstand og velferd bygger på en samfunnsmodell som har noen unike trekk. Vi skaper for å dele, men vi har også erkjent at vi må dele for å skape. Velferdsstaten, med omfattende fellesskapsløsninger og sterke sikkerhetsnett, er lønnsom. Et regulert arbeidsliv med betydelig makt til arbeidstakerne er effektivt. En aktiv politikk for likestilling mellom kvinner og menn tjener hele samfunnet. SVs mål er å forsterke disse sidene ved det norske Vi vil gi arbeidstakerne mer makt gjennom nye tiltak mot sosial dumping og gjennom å satse på tillit i stedet for privatisering. Vi vil satse mer på utdanning gjennom en mer helhetlig skoledag for barna våre og større investeringer i forskning. Vi vil ta likestillingspolitikken videre ved å sikre rett til heltid for kvinner i arbeidslivet og fortsette å gjøre det lettere å kombinere familie og arbeid ved å sikre to opptak i året i barnehagene og forsvare maksprisen. Vi vil at alle i Norge skal få verdig omsorg og rett behandling innenfor et offentlig helsevesen som er likt for alle, som styres etter folks behov og ikke etter hva som er lønnsomt. Vi vil redusere forskjellene i Norge ytterligere for på den måten å styrke tilliten og det sosiale samholdet i vårt samfunn. Og for å klare alt dette tør vi å si det få andre i norsk politikk sier: At de som har mye, må bidra mer, at finansnæringen, de som sitter på store verdier i eiendom, de med høye inntekter eller store formuer, alle burde bidra mer til fellesskapet, at det er viktigere med vekst i skolenes, helsestasjonenes og barnevernets budsjetter enn med enda mer vekst i privat forbruk. Og vi sier at velferdsstaten og skolen skal tjene innbyggerne, de skal ikke tjene penger. Vi vil ha et kvalitetsprinsipp i velferd og skole: Hver krone som bevilges til barnevern, rusomsorg, skoler eller eldreomsorg, skal gå til det og ikke til profitt i kommersielle selskaper. Grunnleggende velferdsoppgaver skal utføres av private, ideelle eller offentlige aktører, det skal ikke være kommersiell butikk. Det er vårt verdivalg. Den nye regjeringen vil gå en annen vei. I plattformen heter det: regjeringen vil gå en annen vei. I plattformen heter det: «Regjeringen mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester.» Dette er en ordrett avskrift fra Fremskrittspartiets program. Hvis det som her står i plattformen er gjennomtenkt og bokstavelig ment, er den på dette punktet ytterliggående. Det er en ideologisk krigserklæring mot en bærebjelke i den norske modellen, som nettopp bygger på at noen oppgaver er så viktige for innbyggerne at vi velger å løse dem i fellesskap. Sagt på en annen måte: Å gi barna våre skolegang eller å pleie våre gamle og syke innebærer noe helt annet og fundamentalt forskjellig fra å tilby andre tjenester som manikyr eller skifte av eksospotte. Økt privatisering er et ideologisk standpunkt. Det finnes ingen forskning som viser at kvaliteten på velferdstjenestene går opp hvis de drives av kommersielle interesser. Likevel kan kvaliteten på offentlig velferd bli bedre – i noen tilfeller veldig mye bedre. Veien dit går ikke gjennom å gi mer makt til markedet, men ved å gi mer makt til dem som vet hvor skoen trykker. Det betyr å lytte til brukerne og til deres erfaringer og å gi større faglig frihet og tillit til de ansattes faglige vurderinger. Offentlig sektor trenger en tillitsreform som erstatter byråkrati med faglig handlingsrom og konsulentmakt med brukermakt. SV vil invitere alle som bryr seg om offentlig sektor, til å være med på å utvikle en sånn tillitsreform i årene som kommer. SV har tre hovedsatsinger denne stortingsperioden: En helhetlig miljøpolitikk for å omstille Norge til et bærekraftig lavutslippssamfunn, en helhetlig økonomisk politikk for å bygge ut fellesskapet, styrke likestillingen og redusere de økonomiske forskjellene mellom folk og en solidarisk utenrikspolitikk for fred, miljø, fordeling og menneskerettigheter, som tar utgangspunkt i hva som er bra for verden, ikke bare hva som er bra for Norge. Disse tre perspektivene er enten altfor svake eller fraværende i regjeringens plattform og erklæring. Vi vil jobbe utrettelig, både i og utenfor Stortinget, for at miljø, rettferdighet og solidaritet ikke blir glemt i den tiden Norge skal styres på en blå-grå plattform.

kanskje stoltere over det enn over resultatene. I disse åtte årene har de bestyrt de to departementene som har mest å si for barn og ungdom i landet, Kunnskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Lysbakken har i en overgang også ledet sistnevnte departement. Mitt spørsmål er: På bakgrunn av at den forrige regjeringen skulle avskaffe fattigdom, og på bakgrunn av at det aldri har bodd flere barn i fattige familier enn i dag, er Lysbakken fornøyd med det trendbruddet som SVs bidrag i regjeringen har bidratt til? La meg først takke for gratulasjonen. Jeg kan forsikre om at de mandatene SV fikk, skal merkes godt, ikke minst som en tøff opposisjon mot den regjeringen som representanten Tetzschner støtter. Vi er stolte over den Norge har hatt i de årene vi har styrt. Vi er bekymret for den nye retningen som Høyre ønsker å ta Norge i. Når det gjelder kampen mot fattigdom og kampen for barn og unge, har det de siste årene vært gjennomført en rekke tiltak som vil sørge for at dagens fattige barn ikke blir morgendagens fattige voksne. Jeg ville ikke vært veldig høy og mørk på vegne av høyresiden når vi leser plattformen som vurderer å ta fra de uføre barnetillegget, barnetillegget, gå løs på overgangsstønaden og gjeninnføre kontantstøtte for toåringer, som alle tre er målrettede tiltak for drastisk å øke barnefattigdommen i Norge. Denne regjeringen har i plattformen adressert problemet med barn som vokser opp i lavinntektsfamilier, mens SV gikk tidligere til valg på å fjerne hele fattigdommen med et

som nettopp er uttrykk for manglende inkludering, som også SV har bestyrt i det departementet de har hatt ansvaret for sammen med Kunnskapsdepartementet? Det er litt uklart for meg hvor representanten Tetzschner mener det er voldsromantikk, men jeg kan forsikre om at det er jeg imot uansett hvor den måtte befinne seg. Det er sånn, med det mener ulike ekstreme miljøer med bakgrunn i religiøse minoriteter eller etniske minoriteter, at SV over lang tid har påpekt betydningen av å bekjempe det. Derfor er vi blant dem som har den tydeligste stemmen i møte med bl.a. islamistiske ekstremister i Norge den siste tiden. Det tror jeg det er bred enighet om i Stortinget. Når det gjelder politikken for inkludering av barn med minoritetsbakgrunn,

Jeg antar at det er i selverkjennelsen over at det man selv forhandlet, selv bestyrte og selv hadde ansvaret for, var altfor dårlig, og jeg takker for den erkjennelsen. Jeg registrer også og konstaterer at sist man skulle lage et forlik, ønsket ikke SV at man skulle forhandle ved samme bord hvor Fremskrittspartiet var til stede. Betyr dette forslaget nå at man mer enn gjerne setter seg ned sammen med Fremskrittspartiet for å utarbeide en ambisiøs og fornuftig klimapolitikk for Norge de kommende årene? Jeg takker igjen for gratulasjonen. La meg si det sånn at jeg mener det var den naturligste ting av verden at Fremskrittspartiet ikke var med på klimaforliket, fordi Fremskrittspartiet er det eneste partiet i Stortinget som ikke utvetydig har anerkjent at menneskene står bak alvorlige klimaendringer. Det var like naturlig som at det ville ha vært helt fremmed om SV skulle inviteres inn i et bredt forlik på Stortinget for å gi milliardærene skattelette. Det må være sånn at man deler et visst verdigrunnlag hvis man skal stå sammen om politikk. Det som klimaforliket aldri var ment som, var et tak for norsk klimapolitikk. Også hvis det hadde blitt rød-grønt flertall ved dette valget, ville vi jobbet intenst for å få til en styrking av klimaforliket, og jeg tar som en selvfølge at det ville de rød-grønne partiene ha levert. Derfor er det ingenting å skryte av at man har løse formuleringer om å styrke forliket – det skulle da også bare mangle. Det som ligger i forliket i dag, er en bra begynnelse, men ikke tilstrekkelig for å nå Norges klimamål. Det forslaget som ligger på bordet her, er

Spørsmålet mitt til Lysbakken er følgende: Hva har endret seg det siste året som gjør at man endrer standpunkt, og vil SV garantere at de også vil stemme for denne ene millionen når saken kommer til behandling i budsjettet? Jeg er veldig stolt av de to klimaforlikene SV har vært pådriver for, for det ga oss muligheten til å forhandle to ganger – én gang i regjeringen og én gang i Stortinget. Det gir resultater, og jeg håper at det også vil være praksis i den kommende perioden. Selvfølgelig har det alltid vært meningen at klimaforliket skulle styrkes videre. Det er altså ingenting å skryte av at man har en løs ambisjon om å gjøre det. Det er en selvfølge, men en selvfølge jeg er glad for at Fremskrittspartiet har skrevet under på. Når det gjelder formuesskatten, er det som er lagt fram i årets budsjett, helt i tråd med den linjen SV og den rød-grønne regjeringen har ført helt siden 2005.

fordi det blir så hult. Jeg føler at kritikken bommer sånn, for hvis en går inn i både samarbeidsavtalen og erklæringa som foreligger, er faktisk denne regjeringa mye mer offensiv på klima enn den forrige regjeringa var. Der den tidligere regjeringa snakket om at vi skulle nå Nordpolen, har denne regjeringa satt en tydelig grense ved iskanten. Der Audun Lysbakken i valgkampen ropte det han kunne for en klimahandlingsregel, at det ikke skulle åpnes nye områder, har denne regjeringa med Fremskrittspartiet faktisk gjort det: Det skal ikke åpnes nye områder i neste periode. Der den rød-grønne regjeringa klarte å få ned utslippene med 2,5 pst. på åtte år, skal ambisjonene forsterkes. Derfor håper jeg at vi kan være konstruktive i Stortinget, og der håper jeg at SV og Kristelig Folkeparti kan spille en rolle, for nå er makten her. Burde ikke SV heller framstått med litt større ydmykhet og selverkjennelse for å bidra til det konstruktive samarbeidet som Stortinget Jeg vil gratulere Kristelig Folkeparti med å ha fått til det samme i oljepolitikken i samarbeidsplattformen som SV fikk til i forrige periode. Det er veldig bra. Forskjellen er at jeg fortsatt sier at det er veldig bra, mens representanten Ropstad i forrige periode syntes det var altfor dårlig, men nå synes det er veldig bra. Jeg gratulerer med den erkjennelsen. Så er det nødvendig å komme videre. Da vil jeg anbefale representanten Ropstad å ta en litt annen tone mot de partiene en faktisk er enig med. Jeg tror og har lenge ment at om miljøpartiene i denne sal skal gå løs på hverandre på den måten som Ropstad gjør nå med flåsete referanser til Komiske Ali, så taper vi alle på det. Jeg, og SV, har tenkt å ha en konstruktiv tone overfor Kristelig Folkeparti og Venstre, gratulere med det Kristelig Folkeparti og Venstre har fått til, og invitere til samarbeid, fordi vi vet at på tvers av blokkene må miljøpartiene stå sammen for å få til noe. Jeg vil oppfordre Kristelig Folkeparti til også å legge seg på en sånn linje.

og ikkje minst sikra at konkrete, enkle og effektfulle tiltak som auka differensiering av barnetrygda og betalingssatsane får breiast mogleg fleirtal? La meg først få takke for gratulasjonen og returnere den. Det er ekstra hyggelig når den kommer fra en hordalending, og det var godt å kunne ønske Hordaland Venstre tilbake på Stortinget. SV vil stå sammen med alle andre partier som vil gjennomføre tiltak som har en reell effekt mot barnefattigdom. Det er grunn til å minne om at satsingen på det området er langt større i dag enn den var etter forrige borgerlige regjering. Det blir spennende å se hva denne borgerlige regjeringen vil gjøre. Det er flere enkelttiltak som er lagt fram i samarbeidsavtalen, som vi vil støtte. Men jeg finner også grunn til å advare mot en del av de tingene som ligger i regjeringens plattform – særlig knyttet til barnetillegget til de uføre og overgangsstønaden – forslag som Fremskrittspartiet og Høyre tidligere har foreslått, som vil kunne gi mange tusen nye fattige barn, og også gjeninnføringen av kontantstøtte for toåringer, som vil være svært skadelig. Så jeg håper Venstre vil stå sammen med oss i motstanden mot den type tiltak.

De gamle ideologiene tar selve livsgrunnlaget på jorda for gitt. Politikk er å ville og å handle. Mennesker har til alle tider møtt store og alvorlige utfordringer. Men nå står vi overfor noe fundamentalt nytt: Vi er i ferd med å endre selve livsgrunnlaget og de fysiske og biologiske forutsetningene for livet på jorda. Dette er en utfordring vi bare kan løse Men global enighet forutsetter at hvert land gjør sin jobb, og det forutsetter at noen begynner. Norge har en åpenbar moralsk forpliktelse til å gå foran, og vi har samtidig en unik mulighet nå til å ta det norske velferdssamfunnet et langt skritt videre. 79 000 mennesker har stemt Miljøpartiet De Grønne inn på Stortinget. Både disse og mange flere velgere stiller nå spørsmål ved en politisk konsensus om at den eneste relevante rammen for norsk samfunnsutvikling skal være å sikre oss selv stadig mer. I hverdagen her i Oslo må vi stadig minne oss selv om at vi ikke skal gå uanfektet forbi mennesker som sitter på fortauet og ikke har annet å håpe på enn at vi skal gi dem en mynt. I det internasjonale samfunnet må vi minne oss selv om at Norge er et ekstremt privilegert land på en grovt urettferdig klode. Miljøpartiet De Grønne er ikke et moralistparti og ikke partiet for dårlig samvittighet. Men vi er sendt hit av velgere som mener det er en selvfølge at norsk politikk skal styres like mye etter det som er riktig, som etter det som lønner seg. Vi er sendt hit av velgere som mener at den globale jobben begynner her hjemme, og ikke minst her i denne salen. Alle i Norge kjenner til jordas klima- og ressursproblemer. Vi lærer om det på skolen. nyttårstaler. Samtidig opplever folk at klimapolitikken er vanskelig å få øye på i hverdagen. Folk ser at omtrent alle politiske virkemidler er innrettet på å få det private og materielle forbruket til å øke enda mer. I sin erklæring til Stortinget la statsministeren særlig vekt på kunnskap og på å styrke forskning og utdanning. Det er en prioritering som Miljøpartiet De Grønne støtter helhjertet. Men kunnskap løser lite alene. Vi trenger riktig sort kunnskap, og den må brukes. Norge har f.eks. allerede et av verdens ledende klimaforskningsmiljøer. Men mens norske klimaforskere dokumenterer de stadige og dramatiske endringer i Arktis og nærmest trygler om en mer forpliktende klimapolitikk, satser Norge videre på økt oljevirksomhet i Arktis. Det Norge nå trenger, er kunnskap som gir grunnlag for et fornybart samfunn, og vi trenger å bruke den. Regjeringen Solberg satser stort på utbygging av infrastruktur som vei, jernbane og energi. Veibyggingen er en feilsatsing, mens jernbaneutbygging og utbygging av fornybar energi er riktige tiltak, forutsatt at de baseres på kunnskap. Problemet er at Høyre og Fremskrittspartiet samtidig med store utbygginger aktivt svekker det kunnskapsbaserte sikkerhetsnettet som skal beskytte norsk Miljøpartiet De Grønne kommer derfor til å arbeide hardt i Stortinget for å ivareta norsk natur og for å sikre velferden til dyr i landbruket og i norske hjem. Vi vil styrke dyretilsynet og gjøre kontrollen med norsk dyrehold uavhengig av næringsinteresser. Pelsdyrnæringen må nå fases ut, og vi vil rydde opp i landbrukets raskest voksende næringer, som kyllingindustrien, så driften kommer i samsvar med lov om dyrevelferd. All ære til Kristelig Folkeparti og Venstre som har videreført og utvidet SVs gode innsats for utsettelse av oljeaktivitet i sårbare områder. Men det er ikke godt nok at norsk miljøsuksess består av stadige uavgjorte omkamper. En kunnskapsbasert havforvaltning skal bestå i å respektere de klare rådene som alle naturfaglige miljøer gir igjen og igjen. Det vi ikke trenger, er flere påskudd for å kreve såkalt ny kunnskap, fordi kunnskapen man har, ikke passer med svarene man ønsker. I dag baserer Norge velferden på økt global oppvarming. Statsbudsjettet til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV signaliserer at norske klimagassutslipp vil øke fram til 2020 for så å avta til dagens nivå i 2030. Dagens investeringer har som eksplisitt mål å sikre petroleumsvirksomheten langt fram mot 2050. Olje- og gasseksporten gir ytterligere ti ganger de nasjonale klimagassutslippene, og overskuddet fra oljevirksomheten investeres gjennom Pensjonsfondet i det globale finansmarkedet, som er selve motoren i den globale oppvarmingen. Samtidig varsler regjeringen Solberg en gradvis omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050. Miljøpartiet De Grønne har hørt dette før, men vi tar det alvorlig. En slik omstilling skjer ikke av seg selv. Den må gjennomføres aktivt og forpliktende. Når vårt samfunn mener at noe er for alvorlig til å være en politisk kasteball fra valg til valg, så snart som overhodet mulig. Grunnlaget for denne utredningen ligger i en skuff der Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet la det. Miljøpartiet De Grønne ønsker velkommen regjeringen Solbergs ambisjon om å forsterke klimaforliket. Gjeldende forlik var en god men er en lite forpliktende enighet om et minste felles multiplum. Nå trenger klimapolitikken ledelse. Et nytt klimaforlik er nødvendig. Høyre må nå bekrefte valgløftene om en langt bedre klimapolitikk enn Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV førte. Jo lenger den nye regjeringen tør å gå foran, desto fortere vil de andre partiene ta opp konkurransen. Det bærekraftige Norge kommer ikke av seg selv. Vi må velge det, og vi må ville det. Derfor bør norsk oljevirksomhet avvikles i løpet av 20 år. Et slikt vedtak vil gi norsk forskning og norsk næringsliv den politiske bekreftelsen og den langsiktigheten de trenger for å satse. Vi vil ikke skru av oljekrana i morgen, vi vil ha en planmessig avvikling. 20 år er en lag avviklingsperiode. Inntektene fra Pensjonsfondet vil ikke forsvinne, og norsk næringsliv har stor omstillingsevne. For 40 år siden hadde vi knapt en oljesektor. når de politiske rammene bare blir lagt. Norge er Europas største havnasjon. Samarbeid mellom næring, forskning, politikk og miljøbevegelse har sikret oss verdens best forvaltede fiskerier, som kan gi grunnlag for ny næringsutvikling og mange nye arbeidsplasser. Våre marine økosystemer har stor produksjon og huser titusener av arter som kan gi råstoff til matproduksjon, karbonfangst og nye generasjoner av produkter innenfor biokjemi, materialer, genetikk og IT. Over norske havområder blåser enorme energimengder, som kan gjøre Norge til en ny stor nasjon innenfor havvind. Norsk akvakultur må løse sine miljø- og fôrproblemer, men når det skjer, er mulighetene store for videre utvikling av næringen. Skognæringen står foran en aktiv og sterk differensiering fra gårsdagens konsentrasjon om plank og papir, og norsk landbruk kan åpenbart gi mange flere arbeidsplasser og et mye større produktspekter. Tysklands konservative statsminister Angela Merkel har vist at nye beslutninger om samfunnets retning er mulig også i dag. Det tyske «Energiewende», sterkt påvirket av vårt søsterparti Die Grünen, var ikke motivert av kortsiktig markedsrasjonalitet. Et nytt og overordnet politisk mål ble vedtatt, vel vitende om at kostnader og overgangsproblemer ville bli store. Når vi i denne salen bestemmer oss for at vi vil utvikle det bærekraftige norske samfunnet, kommer vi til å gjøre det. Politikk er både å ville og å handle. I sin regjeringserklæring sa statsminister Solberg at vi må overlate kloden til våre etterkommere i en bedre tilstand enn da vi overtok den. Spørsmålet er dermed ikke om Norge skal utvikle seg videre fra oljealderen, men når. Spørsmålet er hvordan vi vil styre utviklingen og gjøre overgangen til det bærekraftige Norge til et ambisiøst, målbevisst og banebrytende sprang for det norske velferdssamfunnet og til et eksempel som kan inspirere verden. Ingenting utløser mer skaperkraft enn et felles samfunnsprosjekt med en felles retning. Hvis ikke vi gjør det, hvem i all verden skal da gjøre det? Miljøpartiet De Grønne vil arbeide hardt for at dette nye retningsvalget gjøres nå. Til slutt vil jeg ta opp to forslag fra Miljøpartiet De Grønne. Forslag nr. 1: «Stortinget ber regjeringen om i løpet av 2014 å gi Statens pensjonsfond utland et mandat til å investere minst 5 pst. av fondets markedsverdi direkte i infrastruktur for fornybar energiproduksjon og distribusjon innen 2020.» Forslag

Så har jeg et spørsmål til representanten. Før valget var Miljøpartiet De Grønne veldig tydelig på at det var uaktuelt å støtte en regjering med Fremskrittspartiet. Jeg lurer på om representanten er enig i at Stortinget nå kanskje har blitt et enda viktigere sted for utvikling av norsk klimapolitikk, når vi har et parti i regjering som ikke tror at klimaendringene er Takk for et hyggelig spørsmål og en hyggelig gratulasjon. Miljøpartiet De Grønne har gått til valg på å samarbeide med alle som vil bedre norsk bærekraftpolitikk og norsk klimapolitikk. Det gjelder i og for seg også Fremskrittspartiet, men vi har vært helt tydelige på at vi ikke ønsker å støtte en regjeringsdannelse med Fremskrittspartiet. Vi kommer til å utfordre til å komme fram til klimaløsninger som er bedre enn dem vi har i dag, og ikke minst ser vi fram til en debatt om et nytt klimaforlik, der både Arbeiderpartiet og den sittende regjering engasjerer seg og kommer med nye forslag. Den konkurransen kommer vi til å stimulere til med alle krefter. Takk for svaret, og takk for en god utfordring. Den tror jeg de fleste partiene tar. Det blir spennende. Så er det noe jeg lurer på. Miljøpartiet De Grønne blir i veldig stor grad oppfattet som et énsaksparti av veldig mange, selv om det i valgkampen kom fram ulike saker som var interessante nok. Men hvis vi tenker på den økonomiske politikken og deler av klimapolitikken, ligger jo Miljøpartiet De Grønne ganske langt fra mange av partiene her på Stortinget. Da lurer jeg på: Hvordan ønsker representanten Hansson og Miljøpartiet De Grønne å tilnærme seg de andre partiene? Vil man også være konstruktive i saker hvor man står ganske langt fra hverandre? Hansson og Miljøpartiet De Grønne å tilnærme seg de andre partiene? Vil man også være konstruktive i saker hvor man står ganske langt fra hverandre? Miljøpartiet De Grønne er del av en stor internasjonal grønn bevegelse, hvor en rekke partier er store, brede folkepartier som driver politikk på hele politikkområdet, f.eks. i Sverige, Tyskland og andre land. Vår ambisjon er å bli et tilsvarende parti i norsk politikk, og det betyr at vi har tenkt å engasjere oss på alle politikkområder. Vi har ikke legger det minste skjul på at vi åpenbart er nødt til å prioritere miljøsektoren når vi er såpass små på Stortinget. Men innen økonomisk politikk, velferdspolitikk og andre politikkområder er vårt mål å utfordre de andre partiene til en mer solidarisk politikk, og vi er samtidig fullt villig til å se på både høyresidens og venstresidens virkemidler for å oppnå det.

Vel, i 2010 var gjennomsnittlig reallønnsvekst 1,5 pst. Det blir mer fritid. I 2011 var den 3 pst. Det blir mer fritid. I 2012 var den 3,2 pst. Det blir enda mer fritid. Dette er ikke visjonært. Jobber vi mindre, skaper vi mindre. Skaper vi mindre, blir vi fattigere. Det er arbeidskraft vi lever av. Mener representanten Hansson at Norge kan spille en større rolle i det internasjonale klimaarbeidet som et fattig land enn det vi kan gjøre som et rikt land? Jeg er realist av utdannelse, og jeg er realist i politikken. Jeg hører ikke til dem som tror det er realistisk i Norge å innbille våre velgere og vår politiske debatt at norsk forbruk og norsk økonomi kan vokse inn i himmelen til evig tid. Det Miljøpartiet De Grønne gjør, er å stille det spørsmålet som enhver person i denne salen før eller siden må stille seg: Hva skal vi gjøre når vi er nødt til å flate ut ressursforbruket vårt, og når vi er nødt til å forholde oss til det som resten av verden allerede må forholde seg til av ressursbegrensninger og økonomiske begrensninger? Hvis noen tror at det er mangel på realisme å sette spørsmålstegn ved om det går an å bruke verdifull tid utenfor arbeidslivet,

i Stortinget som er opptatt av klima. I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti står det at klimaforliket skal forsterkes, og jeg får takke for den anerkjennelsen som Rasmus Hansson ga Venstre og Kristelig Folkeparti i den anledning. Mitt spørsmål er hvordan Miljøpartiet De Grønne vil ønske å posisjonere seg i Stortinget slik vi nå vet at det ser ut etter valget, og hvordan dere kan bidra til å løfte viktige klimaspørsmål og bidra til et konstruktivt samarbeid i Stortinget. Miljøpartiet De Grønne gikk som kjent til valg på en utfordring til det vi kaller den fastlåste norske blokkpolitikken, som etter vår oppfatning er en av de bare norsk miljø- og klimapolitikk, men for norsk politikk generelt. Vi mener det at denne salen i stor grad – med oss som unntak – har låst seg til to hovedblokker, tvinger en god del tenkning ned i skuffen, og vår utfordring og vår mulighet er nettopp å tilby samarbeid og skape konkurranse mellom blokkene på en måte som frigjør tanker i det norske politiske miljøet. Det vi har hørt i trontaledebatten i dag, gjør meg mer overbevist enn noen gang om at den muligheten har vi, og den skal Miljøpartiet De Grønne benytte av alle krefter. Først vil jeg gratulere representanten Rasmus Hansson – og Miljøpartiet De Grønne som har klart den bragden å bli helt ny representant på Stortinget med et nytt parti. Det er godt gjort. Et av de områdene der det er klare skillelinjer i denne salen, er det området jeg tidligere hadde ansvaret for, landbrukspolitikken. I valgkampen måtte jeg også lese programmet til Miljøpartiet De Grønne, og det var meget offensivt med tanke på økt sjølforsyningsgrad – man argumenterte med at man ville ha det på grunn av internasjonal solidaritet og mattrygghet i eget land. Derfor er mitt spørsmål til representanten Rasmus Hansson: Kan Miljøpartiet De Grønne tenke seg å være en del av en bredere landbrukspolitisk allianse der makta i landbrukspolitikken ligger i Stortinget, ikke i regjeringen? Det korte svaret er ja, med selvsagte forbehold om innholdet i en slik allianse. Miljøpartiet De Grønne har allerede påpekt at en av de interessante mulighetene på Stortinget er en mulighet som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti, og Miljøpartiet De Grønne på vippen. Det er en bred sentrumsallianse med mye felles verdigrunnlag, og det er en allianse som – dersom den blir løftet til et nivå som er bedre enn et blått eller borgerlig alternativ – er av betydelig interesse for oss. Og landbrukspolitikken, som representanten Slagsvold Vedum spør om, er Vedum spør om, er helt sentral for Miljøpartiet De Grønne, av den helt åpenbart enkle grunn at vi vil arbeide hardere enn noen andre for et samfunn som baserer velferden på fornybare ressurser. Da er det jo ikke særlig tvil om at landbruket står helt sentralt.

Det i særklasse mest effektfulle verkemidlet me har for å gjera det enklare å leva klimavenleg, er eit grønt skatteregime som systematisk premierer klimavenlege val. Eg tek for gitt at Hansson og Miljøpartiet Dei Grøne er samde i det. Det som derimot er meir spennande å spørja om, er: Kva nivå – innretning – vil Miljøpartiet Dei Grøne ha på skatte- og avgiftsinnretninga for å gjera det enklast mogleg for alle å gjennomføra klimavenlege handlingar og val? Du har rett i at Miljøpartiet De Grønne ønsker å bruke et grønt skatteregime som et svært viktig både for å gjøre klimavennlige handlinger og et klimavennlig liv lettere for enkeltmennesker og ikke minst for å legge til rette for utvikling av et grønt næringsliv der ny næring og nye bedrifter kan vokse fram og overta den bærejobben for et velferdssamfunn som olja i stor grad står for i dag. Vi kommer til å jobbe med å legge fram et alternativt statsbudsjett der vi bl.a. vil skissere en skattetrapp både i personbeskatningen og i avgiftsvirkemidlene som bidrar til både lavere forbruk og mer klimavennlig handling, og virkemidler i forhold til bedriftsbeskatningen som har samme effekt.

både for dem som jobber i offentlig administrasjon og med offentlige tjenester, og for brukerne. Et viktig fundament for reformarbeidet er samarbeidsavtalen mellom Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre. Der understreker vi at politikken skal bygge på tillit, tillit til enkeltmennesket, frivillige organisasjoner, næringsliv og lokalsamfunn. Vi skal bedre velferden, særlig for dem som trenger det mest. Grepet med å slå sammen KRD og FAD og å flytte planavdelingen fra Miljøverndepartementet gjør det mulig å se viktige politikkområder i sammenheng. Ett departement får ansvaret for plan og bygg, vi får Vi får mulighet til å se statsforvaltningen og kommunerammene i sammenheng, og vi får mulighet til å se fornyelse og IKT i stat og kommune i sammenheng. Det vil gjøre det mulig å få til tidligere og bedre samordning og mer kraft i gjennomføringen. Forenkling skal fremmes gjennom bedre ledelse, mer tillit og mindre detaljstyring, mer ansvarliggjøring og mindre kontroll, mer samarbeid og mindre sektortenkning. Vi skal fjerne tidstyvene, slik at de mange dyktige medarbeiderne i administrasjon og offentlige tjenester kan bruke mer tid på kjerneoppgavene og mindre tid på møter og rapportering. Leger og sykepleiere skal kunne bruke mer tid på Lærere skal kunne bruke mer tid på elevene. Ansatte i Nav skal bruke mer tid på dem som har behov for tjenester. Og brukerne av offentlige tjenester skal oppleve en forbedret offentlig sektor med færre skjemaer og bedre hjelp. Vi skal fornye gjennom mer innovasjon i stat og kommune og mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor og frivillige aktører. Vi skal fornye gjennom økt kraft i digitaliseringsarbeidet og økt bruk av IKT. Samordning av det offentliges IT-tjenester skal bli bedre både innad i staten og også mellom stat og kommune. Gjennom mer intensiv og helhetlig satsing på IT vil møtet med offentlig sektor bli enklere og bedre, kvaliteten i tjenestetilbudet vil øke, verdiskapingen vil øke, beslutningene vil bli bedre. Digital kommunikasjon skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Forvaltningen skal tilby helhetlige og brukervennlige IKT-tjenester. Vi skal gjennomføre en kommunereform som vil gi færre og mer robuste kommuner. Målet er mer lokaldemokrati og mindre statlig overstyring, mer ansvar for flere oppgaver, fordi det gir et bedre tjenestetilbud. Det er bred politisk enighet om behovet for en kommunereform, slik at vi kan styrke lokaldemokratiet, slik at vi kan styrke fagmiljøene, slik at vi får bedre tjenester til befolkningen. Men også i kommunene er det et sterkt ønske om reform, både fordi mange kommuner opplever sterk statlig overstyring, og fordi mange kommuner ser at de har behov for sterkere fagmiljøer for å kunne gi bedre tjenester til sine innbyggere. Denne reformen ønsker vi å gjennomføre i et samarbeid med Stortinget og i et samarbeid Jeg vil derfor invitere Stortinget til et samarbeid om en viktig reform, og jeg håper at vi alle kan ha en pragmatisk tilnærming, slik at vi kan få en reform som kan skape mer velferd for fremtiden. Det blir replikkordskifte. Jeg vil gratulere Jan Tore Sanner med å ha fått ansvar for mange viktige politikkområder, og jeg takker for invitasjonen til samarbeid. Det er

Jeg er også glad for at statsråden så tydelig slår fast at regjeringen vil videreføre det arbeidet den rød-grønne regjeringen har startet med forenkling og digitalisering av offentlig sektor. Nå er det sånn at statsråden også har ansvaret for boligpolitikken, som er et viktig område i en befolkning som vokser raskt. For under ett år siden, den 17. desember 2012, stemte Jan Tore Sanner for følgende forslag i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen sikre at egenkapitalkravet ved kjøp av bolig reduseres fra 15 til 10 pst.» Men etter valget sa Jan Tore Sanner: «Det er Finanstilsynet som fastsetter egenkapitalkravet.» Hvorfor har statsråden

Vi ønsker å sette mer trykk i det arbeidet både ved at vi nå kan se kommune og stat i sammenheng, ved at vi kan få til tidligere samordning, og at vi får sterkere gjennomføringskraft i arbeidet. Så er det riktig at vi også har ansvaret for boligpolitikken. Det som er viktig i det grepet vi nå tar, er nettopp at vi kan se plan og bygg sammen. sammen. Jeg har registrert at også representanter for Arbeiderpartiet tidligere har argumentert for at det er fornuftig, så da har vi en god plattform å arbeide ut fra. Så er det riktig at vi alle vil møte oss selv i døren med ulike sitater. Jeg mener at det vi har i plattformen når det gjelder egenkapitalkravet, er fornuftig. Vi skal ha en fleksibel praktisering, slik at unge som skal inn på boligmarkedet, ikke vil møte en så høy barriere som man har gjort.

sto de borgerlige partiene rett utenfor Stortinget og lovte at dette var noe man skulle fjerne når man kom i regjering. Det er ikke bare vi i Arbeiderpartiet som er litt overrasket over at man snur på dette standpunktet. Det er også sånn at en samlet boligbransje har sagt at dersom dette enstemmige løftet brytes, vil det være en hån mot alle de unge som har stemt borgerlig fordi de trenger et sted å bo. Hva er statsrådens kommentar til

Denne regjeringen har sagt at vi ønsker å styrke Boligsparing for ungdom. Gjør man det lettere og gunstigere å spare mer, vil det også være lettere å kunne håndtere et høyere egenkapitalkrav. Så har vi slått fast i plattformen at vi ønsker en mer fleksibel praktisering, slik at unge som har økonomisk bærekraft, kan komme inn på boligmarkedet uten en så høy barriere.

Vi deler synspunktet om å få til en bred politisk dugnad. Vi vet jo hva som har skjedd i Danmark og i våre naboland for å greie å få dette til. Så jeg har bare ett spørsmål: Kan statsråden antyde en tempoplan for dette, hvor langt kan en tenke seg en kommer i denne stortingsperioden? Igjen takk for hyggelige lykkeønskninger. Jeg ser frem til godt samarbeid med kommunalkomiteen. Jeg ser frem til at vi kan løse mange oppgaver sammen. Det er riktig at det er gjennomført en kommunereform i Danmark, men det er også gjennomført kommunereform i Finland. Og veldig mange andre land gjør som vi har tenkt, nemlig å få mer robuste kommuner, slik at man kan få mer lokaldemokrati og kommunene kan løse flere oppgaver. Vi har sagt i plattformen at vi ønsker at vedtak skal kunne fattes i denne perioden. Det er ambisiøst, men jeg tror det er viktig at vi i dette reformarbeidet

I innstillinga til Nasjonal transportplan skreiv Høgre og Framstegspartiet seg saman på at det er marknaden og folks frie val som skal styre busetjingsmønsteret i framtida. Det skal vere samfunnsøkonomisk lønsamt uansett kva bransjar og industriar som vert sentrale i Framtids-Noreg. I dag har me etter åtte år med raud-grøn regjering folketalsvekst i alle fylke og i meir enn 300 kommunar. No ser me at Regionaldepartementet er vekk. me at Regionaldepartementet er vekk. Me registrerer at distriktspolitikken er vekk. Ordet er ikkje brukt i noko sentralt dokument. Er det slik at den nye regjeringa vil kutte alle distriktspolitiske verkemiddel og la marknaden, folks frie val og samfunnsøkonomisk lønnsemd erstatte den breie distrikts- og regionalpolitikken me har hatt i Noreg? Jeg har allerede brukt anledningen til å takke Navarsete ved nøkkeloverrekkelsen. Jeg har kommet i et departement med veldig mange dyktige fagfolk, så jeg skjønner godt at Navarsete har strålt mye etter å ha samarbeidet med disse dyktige fagfolkene i departementet. Jeg har også fått mange gode råd. Distriktspolitikken er ikke vekk. Denne regjeringen vil ha en ambisiøs distriktspolitikk. Særlig kommuner i forteller meg at det er et problem med statlig overstyring, at beslutningene flyttes for langt bort, og at det er blitt for mye kontroll og for mye rapportering. En aktiv distriktspolitikk handler om en samferdselspolitikk som gjør at varene kan komme raskere frem, og at vi får bedre fremkommelighet i hele landet. En aktiv distriktspolitikk handler om et sterkt og robust næringsliv, å legge til rette for gründere og små og mellomstore bedrifter, og en kommunereform som gjør at man får sterkere fagmiljøer i alle deler av landet. Også jeg vil benytte anledningen til å gratulere Jan Tore Sanner med et svært viktig verv Statsråden var selv inne på dette med fornyelse og forenkling, noe som Venstre er svært enig i. Det er mye å gå på når det gjelder forenkling i offentlig sektor. Noe av det første som man etter vår mening bør gå løs på, er å se på IKT-systemene i sektoren. Her er det mange som har sine egne systemer. Etter vår mening burde en ha fått til et felles system som hadde gjort dette vesentlig enklere, både for interne og eksterne brukere og publikum. publikum. For å få dette til er det nødvendig med en standard for systemene. Om statsråden er enig i dette, er den videre oppfølgingen av det om statsråden har gjort seg noen tanker om hvordan man skal komme i gang med den nødvendige forenklingen av IKT-systemene i offentlig sektor. Jeg er glad for Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre står sammen om samarbeidsavtalen, hvor nettopp fornyelse og forenkling står sentralt og også ønsket om en kommunereform. Den muligheten vi nå har fått med det nye departementet, er jo ikke bare å se på stat, men også å se på stat og kommune i sammenheng. Jeg er veldig enig med spørreren i at man trenger flere felles plattformer, og at man må se helhetlig på IKT-arbeidet og -plattformene og sørge for at vi får gjennomført digitalisering, slik at det blir en mer døgnåpen forvaltning. Vi har startet det arbeidet. men jeg kan love at vi vil komme tilbake til det, og at vi har den felles forståelsen, nemlig flest mulig felles plattformer, slik at det blir mindre silotenkning og mer helhet også i

Og det står i regjeringserklæringen at regjeringen vil endre inntektssystemet på en slik måte at de rike kommunene, som har store inntekter, skal få beholde mer av inntektene sine sjøl. Det vil jo nødvendigvis gå ut over kommuner som har mindre muligheter til å få inntekter, for det er ganske ulike forhold. Alt er jo ikke som i Bærum i dette landet. Og det blir jo ikke mindre avstander, færre øyer og lavere fjell fordi Høyre kommer i regjering.

Det står ikke i plattformen at man skal gjennomføre endringer i inntektssystemet som gjør at rike kommuner skal bli enda rikere, men det står at vi skal ha en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet. Grunnen til at vi ønsker det,

og at åtte år med rød-grønn regjering har styrket fellesskapsløsningene og gitt nye muligheter for flere. Det er skapt nye arbeidsplasser, og befolkningen øker. Også i nord er fraflytting erstattet med vekst. Det gjennomføres store løft innen kultur, bistand og samferdsel, og ikke minst er det blitt satset tungt på kunnskap og velferd. Tusenvis av nye barn har fått barnehageplass. Det er ansatt flere på sykehjemmene, og det er flere lærere i skolen. Utdanning og velferdstjenester for alle er en forutsetning for å nå målet om rettferdighet, like muligheter og personlig frihet. Derfor stiller vi oss bak de målene i regjeringsplattformen som handler om å styrke helsetjenestene, bygge ut eldreomsorgen og rusomsorgen, ansette flere lærere og styrke det sosiale sikkerhetsnettet.

Fra 2005 og fram til i dag har kommunenes inntekter økt med nærmere 70 mrd. kr, som har gitt rom for 59 000 nye årsverk. I budsjettet for neste år har den rød-grønne regjeringen foreslått en ytterligere opptrapping av kommunenes inntekter. De siste åtte årene har kommunene ikke bare bygd ut tjenestene sine i stort omfang, men vi ser også at den økonomiske situasjonen i norske kommuner er betydelig forbedret. I mai 2005 var status at 116 kommuner – mer enn hver fjerde kommune – var i økonomisk ubalanse. Nå tar Høyre og Fremskrittspartiet over en kommunesektor der under 50 kommuner er i

at ambisjoner om bedre skole og mer eldreomsorg må følges opp med en god kommuneøkonomi og også en rettferdig fordeling mellom kommunene. Jeg frykter at den varslede omleggingen av inntektssystemet med at de skattesterke kommunene skal få beholde mer av sine inntekter, vil føre til at alle de andre kommunene som taper inntekter, blir nødt til å kutte i sine velferdstilbud. Jeg har lest regjeringsplattformen, og en av de formuleringene jeg bekymrer meg litt for, er at «produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester». Det slår regjeringen fast. De sier videre at det derfor er «helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet». Det er ingen som er uenig i at det offentlige skal lære av private eller ideelle aktører der de gjør ting på en bedre måte, eller at det offentlige skal bruke konkurranse og anbud der det er hensiktsmessig. Men det å ha ansvar for velferd og omsorg er noe annet enn å tømme søppel eller drive hotell – med all respekt for dem som driver med det. Det å forberede ungene våre på selve livet, det å hjelpe barnevernsbarn og rusmisbrukere til en ny tilværelse, det å ta seg av våre eldre er ikke produkter som skal kommersialiseres. Det er rett og slett en grunnleggende oppgave i et samfunn mennesker bryr seg om hverandre. De som jobber på sykehjem og i barnevernet, trenger ikke først og fremst mer konkurranse. De trenger lokalpolitikere med økonomisk handlingsrom og fleksibilitet til å finne de løsningene som passer i det enkelte

Vil Arbeiderpartiet være med på å gjøre de nødvendige grepene for at vi nå skal få et skikkelig løft på samferdselssektoren? Samferdsel har vært et høyt prioritert satsingsområde for den rød-grønne regjeringen. Derfor har vi også fått et historisk løft for både vei, bane og – ikke minst – fiskerihavner. Alle som har beveget seg rundt i landet, ser at det bygges vei, ser at det investeres i bane. Og alle ser det ikke, men man vet også at farleder sikres langs kysten. Vi er selvfølgelig positive til at den utviklingen skal fortsette. Vi har merket oss ambisjonene til Høyre og Fremskrittspartiet i valgkampen og ser fram til at det blir fulgt opp med bevilgninger i statsbudsjettet som skal legges fram om et par uker. Det er jo ikke riktig som det blir sagt her, at man bare har hatt tre uker på å forberede sitt første statsbudsjett. Man har hatt åtte år på seg, og jeg er spent på å se resultatet. Representanten Pedersen snakka veldig mykje om å fordele verdiane, men ho sa ikkje noko om korleis verdiane skal skapast. Faktum er

Vi har høgare skattar og avgifter i Noreg enn dei fleste andre land som vi konkurrerer med. Vi har høgare transportkostnader enn dei fleste land – det skuldast bl.a. eit dårleg vegnett – og vi har også eit betydeleg skjemavelde som kostar norske bedrifter kanskje så mykje som 60 mrd. kr – 60 000 mill. kr – kvart einaste år. Spørsmålet mitt er: Trur representanten Pedersen at rammevilkår har noko å seie for konkurransekrafta, eller er svekking av konkurransekrafta berre nokre andre land sin feil? Jeg er helt enig i at de norske rammebetingelsene er veldig viktige for bedriftenes evne til å drive lønnsomt og ansette nye folk. Så er det også en kjensgjerning at Norge er en åpen økonomi. Vi eksporterer det meste av det vi lager og produserer i dette landet, og derfor er det også veldig viktig det som skjer i landene rundt oss. Det er jo fantastisk at dette landet har klart seg så bra gjennom den internasjonale finanskrisen og eurokrisen som har ført millioner av europeere ut i ledighet. I Norge er det skapt 355 000 nye arbeidsplasser, de fleste av dem i privat sektor. Den rød-grønne regjeringen har ført en ansvarlig økonomisk politikk og har gjort et storstilt arbeid også for å forenkle og redusere skjemaveldet. Jeg ønsker den nye regjeringen lykke til med å videreføre det arbeidet. Representanten Helga Pedersen har jo bidratt til å løfte viktige verdispørsmål inn i denne salen i dag, og

«Vi må formulere oss med mer varsomhet når vi snakker om vanskelige spørsmål. Altfor ofte oppfattes vi som for bastant i saker hvor det faktisk er gode grunner til å ha tvil.» Når det så gjelder reservasjonsadgangen, som jeg regner med inngår i den type saker det er henvist til, kan vi ikke akkurat si at det har vært mangel på bastante uttalelser, verken fra Torgeir Micaelsen eller fra Helga Pedersen. Så mitt spørsmål er: Hvorfor har man sørget for å skuffe egen partisekretær så til de grader allerede etter én dag? Jeg og partisekretæren i Arbeiderpartiet har et utmerket forhold, og jeg tror ikke vi ser ulikt på disse spørsmålene. Jeg har veldig stor respekt for at både enkeltpersoner og andre partier har et annet standpunkt i denne type spørsmål enn det Arbeiderpartiet og jeg selv har. Jeg synes Kristelig Folkeparti fortjener anerkjennelse og ros for at man har den samme holdningen i disse spørsmålene etter valget som man hadde i valgkampen. Det samme kan dessverre ikke sies om partiet Høyre.

Det er to dokumenter som ligger til grunn for behandlingen av denne saken i Stortinget. Det er statsminister Erna Solbergs tale om grunnlaget for regjeringa Solberg, og det er trontalen lagt fram av den rød-grønne regjeringa. I grunnlaget for den nye regjeringa står det at «klimaforliket skal forsterkes», og det er lagt inn en rekke tiltak, alt fra kollektivtransport til for ombygging av egne hjem som et viktig skattefradrag for å sørge for at hjemmene våre også blir mer energieffektive. Det vi derimot kan lese i trontalen, som er den rød-grønne regjeringas politikk, er at regjeringa vil følge opp – ikke forsterke og klimaforliket og fortsette arbeidet for effektive tiltak for kutt i klimautslippene nasjonalt og internasjonalt. Vi har sett SV være veldig offensiv på talerstolen. Hvorfor holdt Arbeiderpartiet SV nede da disse formuleringene ble bestemt?

her på Stortinget. Arbeiderpartiet kommer fortsatt til å forsvare en ansvarlig klimapolitikk og gjerne gå i bresjen også for nye tiltak, og jeg ser fram til et godt samarbeid med Venstre her på Stortinget for å utvikle norsk klimapolitikk ytterligere. Replikkordskiftet er omme. Noreg er eit godt land å bu i for dei aller fleste. Takk vere våre enorme oljerikdomar har vi ein økonomi og

her på Stortinget for å utvikle norsk klimapolitikk ytterligere. Replikkordskiftet er omme. Noreg er eit godt land å bu i for dei aller fleste. Takk vere våre enorme oljerikdomar har vi ein økonomi og eit grunnlag som dei fleste land berre kan drøyme om. Noreg står likevel framfor mange viktige utfordringar i tida framover, og ei av dei viktigaste – kanskje den viktigaste – er å leggje eit godt grunnlag for auka vekst, verdiskaping og sysselsetjing. Vi må skape for å kunne fordele. Trass i at vi no i lang tid har hatt ei rekordlåg rente, høgt privat konsum som delvis er lånefinansiert, høg aktivitet på bustadmarknaden og – ikkje minst – rekordhøg oljepris, har vi den siste tida sett tendensar til stigande Det er ein tankevekkjar som gir grunn til uro. Noreg er eit lite land, vi er litt over fem millionar innbyggjarar, og vi har lang avstand til dei store marknadene. Vi har veldig høge lønskostnader, det skal vi vere stolte av. Men då er det sjølvsagt viktig at dei andre rammevilkåra, som f.eks. skatt, avgifter, skjemavelde og infrastruktur, ikkje er dårlegare enn hos våre konkurrentar. I dag er dessverre tilfellet at vi har dårlegare rammevilkår enn konkurrentlanda. Derfor har konkurransekrafta til norske bedrifter stadig blitt forverra, bortsett frå for olje- og gassindustrien som lever godt på ein høg oljepris. Men i resten av industrien står det dårlegare til, og det medfører sjølvsagt fare for nedlegging, utflagging og tap av norske arbeidsplassar. Vi lever også i ei svært usikker verd. I USA har ein levd over evne i mange år og stangar stadig i gjeldstaket. I Asia har Japan ei enorm statsgjeld og problem med å få god økonomisk vekst, og i Kina veit vi kanskje ikkje alt som skjer, men alt tyder i alle fall på at dei har vesentleg lågare vekst no enn dei hadde for nokre få år sidan. Store delar av Europa slit med betydelege gjeldsutfordringar og masseledigheit – spesielt blant unge. Det er i denne situasjonen den nye regjeringa og Stortinget må fastsetje kursen framover. Vi må også vere førebudde på at verdsøkonomien kan få ein ny nedtur. Det betyr sjølvsagt at vi må styrkje konkurransekrafta, vi må stadig utvikle oss smartare og meir kreativt. I tillegg må rammevilkåra bli betre. Avbyråkratisering og forenkling, skatte- og avgiftslette og betre infrastruktur er stikkord. Det å ha dårlegare rammevilkår enn konkurrentlanda våre, blir nærast som å konkurrere på hundremetersløp med ryggsekk og gummistøvlar samtidig som konkurrentane spring med piggsko og utan ryggsekk. Derfor er det heilt avgjerande at rammevilkåra i Noreg er konkurransedyktige i forhold til landa som det er naturleg å samanlikne seg med. Investering i betre vegar, bane og breiband er ei god investering i infrastruktur

og anslag tyder på at skjemavelde og rapportering kostar norske bedrifter ca. 60 mrd. kr – eller 60 000 mill. kr – kvart einaste år. Det betyr at mykje arbeidskraft og ressursar som kunne produsert verdiar, går bort i unyttig byråkrati. I tillegg kostar sjølvsagt dette byråkratiet noko når det gjeld offentlege utgifter. Heldigvis har vi no fått eit fleirtal og ei regjering som er opptatt av denne problemstillinga, som er opptatt av verdiskaping og trygge arbeidsplassar, som har eit generasjonsperspektiv i sin politikk, og som er opptatt av at verdiane ikkje berre skal fordelast, men at dei også må skapast før dei kan fordelast. Vi må leggje grunnlaget for norsk konkurransekraft og velferd – ikkje berre fire år fram i tid, men i eit generasjonsperspektiv.

vondt.» Hagesæter er med i eit parti som vil ha generell væpning i politiet. Det betyr at menn og kvinner i uniform skal trekka våpen i langt fleire situasjonar enn i dag. Korleis ser representanten Hagesæter for seg at hans avgjerd om generell væpning – på godt og vondt – vil prega desse mennene og No har ikkje vi opna for generell væpning, men vi har lagt opp til at politidistrikta sjølve skal vurdere generell væpning der det kan vere hensiktsmessig. Det trur eg er veldig viktig på grunn av at vi har ei aukande utfordring når det gjeld kriminalitet, vi har mafiatendensar og organisert kriminalitet enkelte stader, og vi

representanten her viser til i regjeringsplattforma. Det er veldig viktig for begge regjeringspartia – og for Framstegspartiet – at ein sikrar rettane til dei som treng det og sikrar rettane til brukarane. Det trur vi er viktig for å sikre at gode tenester kan leverast, altså at ein ikkje nærmast skal vere nøydd til å stå med lua i handa, men at ein har ein konkret, juridisk rett som utløyser heildøgns omsorg. Kva tid og korleis dette skal bli gjennomført, og detaljane i det, trur eg ho har forståing for at eg ikkje kan gå inn på her og no. Men dette er altså den retninga vi viser, og vi meiner det er ei positiv retning, og at dette gir styrkte rettar og betre tenester til innbyggjarane i Noreg. FNs klimapanel publiserte i høst sin femte hovedrapport. Der er det bedre vitenskapelig dokumentert at økt CO2-innhold i atmosfæren er menneskeskapt, enn det vitenskapelige grunnlaget for at sigarettrøyking er helseskadelig. Det er sterkt. Vi må endre kurs, og Norge har den økonomiske evnen. Fossilt karbon fra olje, gass og kull er problemet, og det er billig. Fornybart karbon fra bl.a. planter er en del av løsninga, men er lite lønnsomt. Mitt spørsmål er: Vil Fremskrittspartiet i regjeringskontorene arbeide for å korrigere markedskreftene slik at fossilt karbon avgiftsbelegges og bl.a. brukes til å gjøre fornybart karbon lønnsomt? Eg registrerer at representanten

Ein del er allereie sett i verk, det gjeld dette med avgiftsfritak for elbilar osv., og så er det mange andre grep som må gjerast når det gjeld dette. Der har altså regjeringa peika ut ein tydeleg og klar kurs. Eg er heilt sikker på at vi skal få mykje til på dette området, og eg synest for så vidt ikkje at den avtroppande regjeringa har så veldig mykje å skryte av når det gjeld tiltak på det området. Ein har vel vore meir opptatt av å få ei truvedkjenning frå Framstegspartiet på om det er menneskeskapt eller ikkje. Men tiltak har det vore mindre av. Det er å høre Fremskrittspartiets representanter snakke om hvor ille det står til i Norge, selv etter at de har vunnet valget. En skulle tro det var Europas bakevje Fremskrittspartiet tok over som regjeringsparti – et slags konkursbo. Dette er en glitrende anledning i debatten til å snakke om hva man vil gjøre. Det har vært lite konkret i salen i dag. Det mest konkrete vi har fått til nå om hva som skal gjøres, er at Høyre vil binde sine i en bestemt sak. Det er kanskje ikke så rart, for når Fremskrittspartiets talspersoner har vært konkrete i det siste, har det ikke gått så veldig bra. Et av de utspillene jeg har lagt merke til, er at Jørund Rytman i næringskomiteen åpner for å eksportere norske våpen til Israel. Noen vil kanskje kalle det smartere og mer kreativt, som representanten Hagesæter var inne på. Fremskrittspartiet har varslet en mer balansert Midtøsten-politikk, så mitt spørsmål er: Er det våpeneksport til Israel som representerer en mer balansert Midtøsten-politikk, og vil Fremskrittspartiet gå inn for våpeneksport til Nei, det var ikkje våpeneksport som var i tankane mine då eg sa at vi må styrkje konkurranseevna. Men det som blir sagt her, er at eg liksom skal ha sagt kor ille det står til i Noreg. Det finn eg ikkje igjen i innlegget mitt, men vi har ein del betydelege utfordringar. Bortsett frå olje og gass har vi ein industri som har mista konkurransekraft dei siste åra.

Men då er det klart at vi må forbetre rammevilkåra, vi må redusere skatte- og avgiftstrykket, vi må byggje infrastruktur som gjer at ein får ned transportkostnadane både for næringslivet og for privatpersonar, og – sist, men ikkje minst – vi må redusere skjemaveldet betydeleg. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil starte med å uttrykke optimisme med tanke på familiepolitikkens ve og vel nå når vi

er en del av samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre. Det gir håp om at vi kan fokusere mer på og ikke minst gjenreise familiepolitikken. Mennesker er skapt til å være i fellesskap. Familien er det første, og for mange det viktigste, av alle fellesskapene vi gjennom livet er en del av. For barn er familien kanskje den mest grunnleggende arenaen for tilhørighet, nærhet og fellesskap. Stabile og trygge familier gir trygge barn som vokser opp til å bli trygge voksne. Vi vet at det er ikke alle barn som har det bra hjemme. Og når barn ikke har det bra hjemme, er samfunnet

og at vi fortsetter en opptrappingsplan på det området. Senest i dag fikk vi vite på nyhetene at 800 fosterhjemsbarn står uten tilsynsfører, bare for å peke på ett område der det er huller, og der vi må gjøre langt, langt mer. Samlivsbrudd er smertefullt for alle som er involvert, ikke minst for barna. barna. Kristelig Folkeparti har, både i forrige periode og gjennom vårt program, tatt til orde for en økt innsats innen samlivstiltak og foreldreveiledning, slik bl.a. familievernkontorene rundt om

at den avtroppende regjeringen – den rød-grønne regjeringen – har valgt å bruke åtte år i regjering til systematisk å trappe ned det forebyggende familievernet. I sitt siste framlegg til statsbudsjett faser de helt ut statlige tilskudd til samlivskurs. Jeg håper at den nye regjeringen vil rette opp dette, for det er behov for økte ressurser til det forebyggende familievernet – ikke nedtrapping – slik at det blir mer rom for det forebyggende arbeidet. Familievernet kan i sitt forebyggende arbeid dra veksler på den store kompetansen de har opparbeidet seg gjennom sitt og det forebyggende arbeidet kan resultere i at færre barn og foreldre opplever samlivsbrudd. Det kan styrke muligheten for godt foreldresamarbeid i etterkant av et brudd. Samlivskursene som tilbys i regi av eller med støtte fra familievernkontorene, er veldig bredspektret, og det legges økende vekt på å trekke inn barna og deres Det er på tide at de rød-grønnes nedtrapping av det forebyggende familievernet erstattes av en opptrapping av dette viktige arbeidet. Kristelig Folkeparti skal bidra med det vi kan, og vi håper at de to regjeringspartiene ser den samme verdien av dette som Kristelig Folkeparti gjør, slik at vi kan bygge opp igjen det som de rød-grønne nå har brukt åtte år på å bygge helt

av det som allerede er foreslått eller vedtatt politikk fra den rød-grønne regjeringen. På mange måter har regjeringen nedfelt tankegods i sin tiltredelseserklæring som er så allment at nesten alle partier kan slutte seg til det. Dette gjelder ikke minst næringslivspolitikken, der også den nye næringsministeren i avisene uttaler at bortimot 95 pst. av den nye regjeringens politikk kommer til å være det som den rød-grønne regjeringen sto for. Det gjelder også maritim sektor, der ønsket om nærskipsstrategi er ganske likt det som ble lagt fram av den rød-grønne regjeringen. Det gjelder kanskje ikke landbruk og fiskeri, men det vet vi lite om fordi disse næringene overhodet ikke ble nevnt i tiltredelseserklæringen. På disse områdene gjenstår det altså å se hva regjeringen kommer til å gjøre. Det vi vet, er at ostetollen ikke ble fjernet, slik Høyre og Fremskrittspartiet lovet sine velgere med brask og bram før valget. Men utover det er usikkerheten stor blant de nesten 90 000 utøverne i landbruks- og næringsmiddelindustrien om hva som kommer til å skje i tiden framover. Svaret på det får vi kanskje ikke de første ukene, men dette blir nok en sentral debatt i denne stortingsperioden. Risikoen på dette området handler sjølsagt om hva som kommer til å skje med de ordningene som er etablert for å sikre gode vilkår for landbruk i hele landet, men la meg få lov til å nevne at det også handler om noe annet. Det handler om at denne regjeringen – i sin iver etter å finne penger til skattelette – kan komme til å redusere omfanget av tiltak for matsikkerhet og kontroll, eller at de kan falle for fristelsen til å øke matmomsen for å få på plass skattelette til andre grupper. er tiltak som i tilfelle kommer til å ramme landbruksnæringen i seg sjøl, men dette er også tiltak som kan komme til å ramme norske forbrukere direkte, i form av mindre kontroll med mat, eller i form av dyrere mat. Senterpartiet vil bidra til økt matproduksjon og bidra til trygg mat for forbrukerne. Det krever en satsing på landbruk i hele landet, det krever at vi tar i bruk det arealet vi har i alle landsdeler til å produsere mat på. Det kommer ikke av seg sjøl, og det krever en videreutvikling av inntekts- og velferdsordningene i landbruket. Senterpartiet vil bidra til en næringspolitikk der innovasjon og forskning står i sentrum, der det kunnskapsbaserte næringslivet som vi ser resultatet av hver eneste dag, får et godt spillerom. Vi ønsker en aktiv næringspolitikk over hele landet, og det kommer til å kreve et godt samspill mellom offentlig og privat sektor. Det kommer også til å kreve vilje til regional utvikling, og det vil kreve at vi har oppmerksomhet på den vareproduserende delen av næringslivet skogbruk, fiskeri, maritim sektor og offshoreleverandørindustri, for å nevne noe. Senterpartiet ser fram til hvordan regjeringen i praksis skal følge opp de løftene de har gitt – ikke bare det som er nedfelt i regjeringsplattformen, men også de løftene som de klart og tydelig ga velgerne sine før valget. Partiene var enige om mye som de nå ikke gir signal i tiltredelseserklæringen om å følge opp. Men også denne regjeringen må finne seg i bli målt på de løftene de ga til sine velgere før valget. Senterpartiet kommer til å være et konstruktivt og kritisk opposisjonsparti. Vi skal arbeide for en politikk som ser alle deler av dette landet, som fremmer regional utvikling, og som bidrar til et godt og robust næringsliv i hele
Jeg oppfatter at Senterpartiet deler regjeringens syn om at staten skal styre mindre over kommunene, og at kommunene skal få større myndighet i flere spørsmål enn i dag. Og gjennom å vise lokalsamfunnene større tillit og skape mer levende lokaldemokrati vil regjeringen stimulere lokal skaperkraft, økt vekstkraft og engasjement for å bygge sterkere lokalsamfunn. Den har et formål som jeg tror Senterpartiet vil kunne slutte opp legge opp til at Fylkesmannen skal få begrenset mulighet til å overprøve lokale folkevalgtes skjønn, at innsigelser fra staten i arealsaker må bli koordinert og færre, at kommuner skal få myndighet i spørsmål om motorferdsel i utmark, etablering av småkraftverk og i forvaltningen av lokale verneområder, for å nevne noe. Senterpartiet er nå fristilt etter åtte år i kompaniskap med partier som ikke akkurat er kjent for å ha samme grunnholdning som dem selv når det gjelder forholdet mellom kommune og stat. Kan representanten Arnstad bruke denne anledningen til å klargjøre om Senterpartiet vil benytte sin nye og frie rolle i Stortinget til å støtte opp om initiativene jeg har nevnt, slik at norske lokalsamfunn og kommunestyrer kan få større selvråderett på bekostning av stat og statlige organer? Representanten Jenssen har rett i at Senterpartiet er opptatt av lokaldemokratiet. Vi har gjennom åtte år bidratt til den viktigste betingelsen for et bedre lokaldemokrati, er en god økonomi ute i kommunene. Vi har bidratt til å bedre kommuneøkonomien på en slik måte at kommunene kan få gjennomført de viktige oppgavene de har innenfor ikke minst velferd. Så det er den viktigste betingelsen, og det skal bli interessant å se på hvilken måte den regjeringen som nå sitter, har tenkt å følge opp det. Vi vil se hvert enkelt forslag fra regjeringen etter hvert som det og vurdere det. Men jeg frykter at betingelsen knyttet til en del av de forslagene som Jenssen ramset opp her, kommer til å være at kommunene ikke lenger skal være det lokaldemokratiet som de er i dag, men at det skal være et helt annet lokaldemokrati – med langt større kommuner og med færre folkevalgte og dermed mindre direkte demokratisk styring. Det ble sagt at en hadde fått til gode ordninger for landbruket. Jeg må vel kunne si – uten å ta for hardt i – at bøndene vel ikke akkurat har stått og jublet de siste åtte årene. For det er en realitet at det siden oktober 2005 har blitt nedlagt 6 500 gårdsbruk – ca. to–tre gårdsbruk per dag. jordbruksareal har blitt tatt ut av produksjon, noe som tilsvarer ca. 140 dekar per dag. Da er mitt spørsmål: Siden den avgåtte regjeringen ikke gjorde noen store grep og endringer i statsbudsjettet, er det da naturlig å anta at det med deres politikk ville blitt lagt ned ca. 3 000 gårdsbruk de neste og at ca. 125 000 dekar dyrket mark ville blitt tatt ut av produksjon? Det har vært varierende jordbruksoppgjør opp gjennom tidene. Jeg husker den gangen da Fremskrittspartiets samarbeidspartner Høyre satt i regjering sist – da ble det jo et minimumstilbud, og det var store demonstrasjoner omkring jordbruksnæringen og jordbruksnæringens rammevilkår og framtid. Så det har jo vært varierende, men jeg har et inntrykk av at denne næringen har vært rimelig godt fornøyd med den rød-grønne regjeringens satsing på inntektsmulighetene, men også på velferdstilbudene i næringen, og det er ikke minst viktig. Landbruket er en næring som har stått for en veldig sterk effektivisering i løpet av de siste årene. Den er meget effektiv, mer enn kanskje mange andre vareproduserende næringer i Norge. 6 pst. per år er vel noe av det bedre du kan oppvise. Så har det vært nedlegginger av bruk, det er helt riktig. Det er klart at dette er en trend du ønsker å motvirke, som du aldri helt klarer å stoppe opp, men jeg tviler sterkt på at noe av den resepten som Fremskrittspartiet vil komme med i sin landbrukspolitikk, vil bidra til å bremse den nedgangen. Tvert imot – den vil bli eskalert. Jeg kan jo ikke unngå å stille den tidligere statsråden på samferdselsområdet et lite spørsmål: Det er

Både Meltveit Kleppa og Navarsete – og også den tidligere samferdselsministeren som står her i dag – har levert ønsker om utredning til departementet på en del områder, noe som, iallfall i det offentlige rom, framstår som god både Fremskrittsparti- og Høyre-politikk. Og da er det betimelig å spørre om den tidligere statsråden, som nå står på egne ben, på vegne av Senterpartiet kommer til å kunne støtte gode forslag i tråd med det som departementet svarer, og det som vår regjering kommer til å framlegge – når disse kommer til Stortinget? Samferdsel er et område hvor det skapes resultater hver dag, og den rød-grønne regjeringen skapte i løpet av sine åtte år svært gode resultater på det området. Vi fikk en skakkjørt jernbanesatsing på skinnene igjen Bondevik II-regjeringen nesten hadde kjørt jernbanen i grøfta. Vi har bygd over 1 000 km ny riksveg. Det har vært sterk økonomisk satsing på samferdsel i Norge, men det klart at det er også store behov. Det er det ingen tvil om. Men det finnes ingen «quick fix» på samferdselsområdet. I dagens Aftenposten ser jeg at det vises til en del utredninger som er gjort. Ja, det ble gjort en rekke utredninger i forbindelse med Nasjonal transportplan. Det gjøres hver gang Nasjonal transportplan og den viktigste konklusjonen på en del av problemstillingene og utfordringene som har blitt skissert, er at det ikke finnes noen «quick fix» her. Det finnes ingen lettvinte muligheter, og det finnes heller ingen lettvinte løsninger som innebærer at du kan omgå handlingsregelen. Man må faktisk stå til ansvar når det gjelder handlingsregelen og økonomisk ansvarlighet, og det kommer til å bli regjeringens største utfordring. Replikkordskiftet er omme. Det grøne skiftet er i gang. Eit mylder av ulike prosessar og

initiativ, på kryss og tvers av land og sektorar, driv utviklinga sakte, men sikkert bort frå det fossile. Eit knippe konkrete døme illustrerer dette godt: Kostnadene med å produsera straum frå sol og vind har gått ned med 68 pst. og 30 pst. i perioden 2005–2012. Fornybarproduksjonen aukar. I 2012 Fornybarproduksjonen aukar. I 2012 utgjorde fornybare energikjelder nesten 70 pst. av all ny produksjonskapasitet i EU. Tilsvarande tall for USA er 50 pst. Kina oppskalerte i sommar kapasitetsmålet for solenergi frå 5 GW til 35 GW innan 2015. Det globale elbilsalet til 113 000 køyretøy i 2012. Målet er 20 millionar bilar innan 2020. Både EU, USA og Kina har innført krav om meir drivstoffgjerrige køyretøy. Finansinstitusjonane seier nei til kol. I løpet av sommaren har det amerikanske eksportkredittrådet, Verdsbanken og Den europeiske investeringsbanken bestemt seg for ikkje lenger å finansiera Gass vert pressa av fornybar energi, som vert stadig billigare og har forrang i straumnettet. Europeiske energigigantar tapar stort på fossile kraftverk, og fleire har kunngjort at dei vil stengja ned eit betydeleg tal fossile kraftverk i tida som kjem. Paradigmeskiftet frå fossil til fornybar er utvilsamt i gang. Dei neste fire åra vil avgjera om Noreg vert med på vinnarlaget eller ikkje i denne samanhengen i skarp og kjærkomen konkurranse med gode naboar. EU er i rute med målet om minst 20 pst. fornybar energi innan 2020 og er alt i gang med målsetjingane fram mot 2030. Tyskland går i spissen for omstillingane. På kort tid er dei oppe i 23 pst. fornybar straum. Målet er 35 pst. innan 2020 og 80 pst. innan 2050. Danmark vedtok i fjor at landet skal ha 100 pst. fornybar energi innan 2050. Nye teknologiar og energiberarar som erstattar fossil energi medfører nye moglegheiter for norsk industri og norske teknologiutviklingsmiljø. Berre for offshore vindkraft er det venta at investeringane vil auka til 130 mrd. euro innan 2020. Ny teknologi vil erstatta fossil energi med fornybar energi på stadig nye område. Skal verda koma i nærleiken av dei utsleppsreduksjonane som 2-gradarsmålet krev, vert fornybar energi ein knappleiksressurs berre i løpet av 10–20 år. Knekk Noreg ulike teknologikodar innan fornybarområdet, som lønsam havvind, pumpekraft, jordvarme, industriell storskalaproduksjon av hydrogen, for å nemna kan det vera gjennombrot som bidreg til at Noreg tek vare på posisjonen som energistormakt også i den fornybare tidsalderen. Noreg har eit moralsk ansvar som rik energinasjon til å leia an i omstillinga til lågkarbonsamfunnet, og me kan utgjera ein forskjell. Samstundes har me sterk eigeninteresse i å posisjonera oss rett når det gjeld ei framtid med mindre fossilt Tek me grep no, vil det grøne skiftet gjeve leverandørindustrien, prosessindustrien, eksisterande og nye energiprodusentar, forskingsmiljø og teknologigründarar enorme vekstmoglegheiter. Det borgar for eit fruktbart samarbeid når regjeringa, med utgangspunkt i samarbeidsavtalen med Venstre og viktigheita og behovet for at klimaforliket vert forsterka, og at forsking og teknologiutviklingsinnsats må styrkast. Venstre kjem på dette området til å vera eit konstruktivt opposisjonsparti, med eit arsenal av konkret politikk og løysingar. Kor krevjande me vert opplevde å vera kjem heilt an på graden av praktisk vilje og handling regjeringa viser i å følgje opp eigne formuleringar.

tilstand. Det er utgangspunktet for det boet som den nye regjeringa overtar, og det har kanskje ikke skjedd noen gang i historien at en regjering har overtatt et land i bedre stand enn det regjeringa gjør nå. Vi har en skole som har gjennomgått klare forbedringer – noe som også vises på resultater i internasjonale sammenlikninger, men likevel med klare planer for å gå videre, fordi man ikke er fornøyd. Vi har en helsesektor som produserer flere helsetjenester og bedre kvalitet enn noen gang tidligere, men med klare planer om å forbedre Vi har investeringer i vei og bane som aldri har vært høyere, men med klare planer og ambisjoner om å øke investeringstakten. Vi har et næringsliv med høy grad av nyskaping, innovasjonsevne og omstillingsevne, med klare planer for fortsatt forenkling og fortsatt utvikling. Vi har også Europas laveste ledighet. Regjeringserklæringa vi fikk høre, var åpenbart Mye av det som ble sagt, kan alle være enige i, og det er videreføringer av de satsingene som den forrige regjeringa allerede har lagt opp til. Det er noen endringer i kurs, som ikke opprører meg i hvert fall: Om det skulle bli slik at kommunene i større grad får lov til å dispensere fra et sentralt, strengt regelverk for snøscooterkjøring, blir ikke jeg opprørt av det. Men det jeg er mye mer spent på, er hvordan den nye regjeringa har tenkt å møte utfordringene som ikke er omtalt i redegjørelsen – særlig når det gjelder det som partileder Siv Jensen sa på Fremskrittspartiets landsmøte om at den norske modellen står i veien for det norske Den norske modellen, med sin økonomiske modell, forutsetter at vi har et skattesystem som finansierer velferden, samtidig som den fordeler økonomi mellom folk. Det gjør at vi har større likhet i Norge enn i de fleste andre land i verden. en samarbeidsmodell som gjør at partene i arbeidslivet ikke bare bidrar til sentral lønnsdannelse som gir oss relativt like lønninger eller som Høyre har kalt det i noen stortingsdokumenter: en sammenpresset lønnsstruktur, noe som vi synes er bra, fordi vi verdsetter alles bidrag og alles arbeid i samfunnet men som også har gitt fagbevegelsen og arbeidsgiverne innflytelse over pensjonssystemet, noe som gjør at det er mulig å få til endringer med enighet og uten mye støy i dette landet. Ta velferdsmodellen: Vi er alle er opptatt av at vi skal ha en skole som er god, men det gjenstår fremdeles å se om det kommer privatisering helt nede på grunnskolenivå. Det vil på en måte avslutte epoken der alle har den samme muligheten til å få god utdanning i dette landet. Eller ta helsevesenet: Der har alle den samme muligheten til å få det samme tilbudet innenfor et offentlig styrt helsetilbud. Det gjenstår å se. Det er ikke avklart i regjeringas erklæring. Den norske modellen har gitt oss Europas laveste arbeidsledighet. Ja, faktisk når vi står her nå, er det sånn at vårt nærmeste naboland, Sverige, har mer enn dobbelt så høy ledighet som oss. Ja, per i dag er det sånn at hvis vi sammenligner arbeidsledighetstallene i Sverige og Norge og bruker Nav-tall på arbeidsledighet for innvandrerbefolkninga, er sannsynligheten for å være arbeidsledig større hvis du er svenske i Sverige, enn hvis du er innvandrer i Norge. Det er ingen grunn til å la seg inspirere av den politikken som har gitt de resultatene i våre naboland. Det er et tungt ansvar for regjeringa å overta Europas laveste arbeidsledighet, og det landet som FN gang etter gang har kåret til verdens beste land å bo i. Jeg ønsker regjeringa lykke til fra en konstruktiv opposisjon. Valget ga et historisk flertall for de borgerlige partiene – det

største siden 1930. Høyre har gjort det tredje beste valget siden krigen, og landet styres nå av en statsminister fra Høyre for første gang på nesten et kvart århundre. Vi vant ikke valget fordi velgerne ville ha nye ansikter, men fordi de ville ha en regjering med nye ideer og bedre løsninger; en regjering som erkjenner at Norge er et godt land å bo i, men også et land med alle forutsetninger for å bli enda bedre. Norge på sitt beste er et land med muligheter for alle, et land som har like høye ambisjoner for barn, som barna har for seg selv. Barns ambisjoner er vår fremtid. Holder vi barna tilbake, holder vi samfunnet tilbake. Noe av det viktigste en regjering med generasjonsperspektiv kan gjøre, er derfor å satse mer på kunnskap i skolen sørge for at lærerne er enda bedre rustet til å utfordre de sterke og løfte de svake elevene gjennom å gi lærerne flere karriereveier og mer og bedre etter- og videreutdanning. Ingen er en så god pedagog at han kan lære bort det han selv ikke kan. Dannelse er en viktig del av skolens formål, men utdannelse – det tror jeg vi kan være enige om – er enda viktigere. Også den rød-grønne regjeringen snakket om økt satsing på etter- og videreutdanning for lærere, men ikke før den hadde sittet i nesten åtte år og uten å ha gjennomføringskraft. Med den nye borgerlige regjeringen har vi endelig fått en regjering som fra dag én setter satsing på læreres etter- og videreutdanning øverst på prioriteringslisten. Mye går bra i Norge, men det er også noen faresignaler. De siste årene har produktivitetsveksten sviktet, og konkurranseevnen i fastlandsindustrien er betydelig svekket. Kostnadsnivået ligger langt over våre samarbeidspartneres, og gapet fortsetter å øke. Fra å ligge 20 pst. over våre handelspartnere i EU for noen år siden, ligger vi nå 70 pst. over. Det gir grunn til bekymring for arbeidsplassene i Fastlands-Norge. Allerede ser vi at arbeidsledigheten øker i kjølvannet av krevende tider for bl.a. skogsindustrien og tradisjonelle eksportnæringer, og sysselsettingsgraden har vært på en nedadgående trend i fem strake år. Ledigheten øker, men en enda større utfordring er at en betydelig andel av befolkningen i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Den nye regjeringen har en klar ambisjon om å gjøre mer for dem som kan og vil bidra, men som mangler grunnleggende ferdigheter og en ny sjanse til å komme tilbake i Norge kan ikke konkurrere på å være billigst. Vi er nødt til å være best. Derfor er forskning, innovasjon og universitetsmiljøer i verdensklasse helt avgjørende for å sikre Norges konkurransekraft i årene som kommer. Det er også helt avgjørende for å løse vår tids største utfordring: en omstilling til et bærekraftig lavutslippssamfunn her hjemme og ute. Norge har teknologi, kompetanse og kapital til å bidra med nye løsninger som både kan redusere utslippene og styrke norske bedrifters konkurranseevne. Regjeringen vil føre en ambisiøs klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Gode rammevilkår for bedriftene i Norge er helt avgjørende for å sikre konkurransekraften i fastlandsindustrien og gi Norge flere ben å stå på. Vi har aldri vært mer avhengig av inntektene fra petroleum enn vi er i dag. Regjeringen vil bruke avkastningen fra petroleumsformuen innenfor handlingsregelen til å investere for fremtiden i kunnskap og forskning, infrastruktur og miljøteknologi og vekstfremmende skattelettelser. Vi må bruke mer av handlingsrommet vi har i dag til å bygge landet og samfunnet vi vil ha i morgen. Regjeringen vil satse mer på kollektivtrafikk i og rundt de store byene, bygge ut mer jernbane og flere og bedre veier. Det må bli slutt på klattvis utbygging av store samferdselsprosjekter, og vi må prioritere det viktigste først. Vi vil redusere skjemaveldet og byråkratiet og sørge for at det lønner seg mer å jobbe og skape nye arbeidsplasser. Regjeringen vil ha en enklere hverdag for alle, ikke minst for dem som forsøker å skape sin egen og andres arbeidsplass. Et godt samfunn bør måles på hvordan fellesskapet tar vare på dem som ikke så enkelt taler sin egen sak – de som trenger vår felles hjelp aller mest. Regjeringen vil gi særlig oppmerksomhet til dem som sliter med rus eller psykiske problemer, som de siste årene har stått i offentlig kø når de kunne fått privat behandling. Hvis vi skal løse de store utfordringene i helsesektoren, må vi ta alle gode krefter i bruk og erkjenne at selv om det finnes svært mye god kompetanse i offentlig sektor, så har ikke stat og kommune monopol på gode ideer. Regjeringen vil føre en politikk som legger grunnlaget for sterke velferdssamfunn med gode offentlige velferdsordninger, et samfunn som bygger på tillit til enkeltmennesker og familier, lokalsamfunn og gründere, og som gir muligheter for alle. Slik realiserer vi

Først vil jeg gratulere Nikolai Astrup med et framtredende verv i Høyres nye stortingsgruppe. Jeg ønsker ham lykke til. Jeg kan love at det å ha framtredende verv i partier som har regjeringsmakt, er spennende, men det er til tider også utfordrende, så lykke til. I etterkant av plattformen som ble presentert av statsminister Erna Solberg, har det vært mye debatt om fraværet av den niende hovedsaken, nemlig den globale klima- og miljøutfordringen. Jeg vil bare raskt ha en sjekk av det, for jeg er langt på vei enig i Nikolai Astrups analyse og mange forslag i klima- og miljøpolitikken. Jeg mener han har en riktig tilnærming til at vi for eksempel må bryte kjeden mellom og CO2-utslipp, og jeg er glad han sier at han vil bidra til et nytt, forsterket klimaforlik. Kan Astrup garantere at dersom opposisjonen kommer med forslag regjeringen ikke selv har kommet med, og som er gode, at han da vil støtte disse? I motsetning til den forrige regjeringen har denne regjeringen tenkt å lytte til gode forslag som Stortinget kommer med, Det er riktig at klimapolitikken ikke var blant de åtte punktene som ble listet opp i regjeringsplattformen, men det er viktig å understreke at klimapolitikken er en del av regjeringens verdigrunnlag og dermed skal gjennomsyre alt det regjeringen gjør. Så vil jeg gjerne få lov å legge til at Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram har fem hovedprioriteringer for neste Ingen av dem er om klima. Så det er veldig bra om representanten Micaelsen og hans partifeller har tenkt å være pådrivere i klimapolitikken. Det ønsker vi velkommen, men det er altså ingenting i hans partiprogram som tyder på det. Den politiske plattformen for Høyre og har bl.a. som en uttrykt målsetting å redusere byråkratiet. Det heter bl.a. at «unødvendig byråkrati tapper næringslivet vårt for konkurransekraft. Gründere, bedriftseiere og ansatte skal få bruke mer tid på verdiskaping, og mindre tid på På hvilke områder vil bedriftene konkret kunne få merke at hverdagen deres er blitt enklere? Jeg tror ikke jeg nå skal forskuttere arbeidet med forenklinger, som regjeringen har store ambisjoner for. De helt konkrete punktene er vi nødt til å komme tilbake til. Men jeg tror alle som har snakket med selvstendig næringsdrivende i de senere årene, kan skrive under på at det mange skjemaer og mye byråkrati som man må forholde seg til. Jeg mener det er helt nødvendig for å skape trygge arbeidsplasser i Norge at vi reduserer den belastningen som skjemaveldet og byråkratiet er for næringsdrivende og for folk flest i hverdagen. Representanten Astrup nevnte i sitt innlegg at man ønsker å bygge landet. Regjeringen sier i sin tiltredelseserklæring at man skal bygge landet, bl.a. ved å la byene få rom til å vokse. I samme erklæring står det også at regjeringen vil ta vare på god matjord, men balansere jordvernet mot storsamfunnets behov. I valgkampen sa statsministeren at dyrket mark rundt de store byene må vike for å gi byene rom til å vokse. I Trondheim kan det bety nedbygging av 1 000 mål dyrket mark. Vi har ca. 3 pst. dyrket mark i Norge. Mener representanten Astrup, som er Høyres miljøpolitiske talsmann, at jordvern er en viktig miljøverdi? Eller kan vi nå forvente oss at utbygging gis forkjørsrett i forhold til jordvernet? Dette er en problemstilling som må avveies i det enkelte tilfellet. Det er klart at hadde vi for hundre år siden sagt at jordvernet skal stå så sterkt at Oslo ikke kan slå seg sammen med Aker og bygge ut kommunen innenfor det som er dagens grenser, hadde det vært svært uheldig. Nå er vi i en annen situasjon. Det er helt riktig. Landbruk har en stor verdi. Matjord er viktig. Samtidig vil det være enkelttilfeller der storsamfunnets behov må gå foran. Det vil være helt feil å gå inn på dette som en helt generell problemstilling. Det må vurderes fra sak til sak hva som er formålstjenlig. Siden vi er så enige om at vi nå får en enda mer offensiv klimapolitikk, lar jeg det ligge. Til et annet felt: En av de tingene jeg er stolt av å ha bidratt til de siste åtte årene, er at selv om det er mye ugjort i Norge, har de økonomiske forskjellene mellom folk flatet ut – de har til og med gått litt ned. Det er brudd med en megatrend i hele den vestlige verden. Parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet var inne på det i sitt innlegg. Det er så mange trekk i den globale økonomien og i samfunnet som trekker i retning av økt ulikhet. Vi har fra Arbeiderpartiets side vært opptatt av å støtte forslag som kan være en politisk motkraft til mange av disse kreftene. Vi har bl.a. gjort til dels omfattende endringer i skattesystemet og endringer i velferdssystemet for å motvirke dette. Jeg hører at Høyre en tid har snakket om at det er et viktig mål med landet vårt at det skal være små forskjeller. Kan Astrup si noe om hva hans mål om fire år skal være for statistikken for disse spørsmålene? Det er en kvalitet ved det norske samfunnet at vi har relativt sett små forskjeller. Det som er en utfordring, er at det fortsatt – og ikke minst etter åtte år med en rød-grønn regjering finnes svært mange barn som vokser opp i fattige familier. Derfor har regjeringen sagt i sin regjeringserklæring at den ønsker å prioritere og løfte nettopp barn ut av fattigdom. Det mener jeg er positivt, slik at vi forhindrer at fattige barn blir til fattige voksne. Det handler om å skape et samfunn med muligheter for alle, som jeg også var inne på i mitt innlegg. Jeg er kanskje mer opptatt enn representanten Micaelsen av

Realpolitikk er selvsagt ikke det eneste saliggjørende i denne verden. Fremskrittspartiet er likevel tilfreds med at blandingsforholdet mellom realisme og idealisme i utenrikspolitikken tydeliggjøres av den nye regjeringen. Freds- og forsoningspolitikken skal videreføres, men omfanget og innretningen skal gjennomgås for å prioritere prosesser og land hvor Norge har ressurser og kompetanse som kan bidra til å oppnå resultater. Det har blitt sagt at Norge og USA er de eneste landene som er til stede nær sagt overalt til enhver tid, på ethvert tidspunkt. Det ligger muligens i en supermakts natur å være allestedsnærværende. Men det samme kan vel neppe være like gyldig for Norge. Derfor har det vært betimelig å stille spørsmål knyttet til erfaringene med og virkningen av det norske fredsdiplomatiet. Spørsmålet er ikke hvorvidt Norge skal bedrive fredsdiplomati, men hvor kreftene skal settes inn og hvilket omfang engasjementene skal ha. Vi må ikke framstå som dem som aldri kan si nei. Realpolitikk dreier seg i hovedsak om det muliges kunst. Det er ikke dermed sagt at idealpolitikken blir det umuliges kunst. Men å bruke idealer som det eneste kompass i utenrikspolitikken blir fort krevende. Det er likevel avgjørende at vi, som en liberal rettsstat, går i front for de verdiene som ligger til grunn for det samfunnet vi har, også når vi engasjerer oss utenfor landets grenser. Å bidra til å løfte folk ut av fattigdom må ha høy prioritet. Fremskrittspartiet er svært tilfreds med at regjeringen så tydelig slår fast at utviklingspolitikken skal resultatorienteres. Det er viktig å være klar over at gode intensjoner ikke automatisk følges av gode resultater. Bistand er ett av Men for at bistand skal fungere etter intensjonene, må vi være konkrete på målene, ha fokus på resultatene og være tydelige i våre forventninger overfor både mottakerlandene og de organisasjoner som er Norges partnere i bistandspolitikken. Fremskrittspartiet er opptatt av at det må være en rød tråd i politikken som føres på utviklingsområdet. Derfor er vi også tilfreds med at regjeringen understreker at den vil føre en samstemt utviklingspolitikk. i utviklingspolitikken betyr at den politikken som Norge fører, og som gir konsekvenser for utviklingslandene, må trekke i samme retning. Ett tydelig eksempel på et område der fraværet av samstemthet har vært tydelig, er handelspolitikken. Det er umusikalsk å bistå med å bygge fattige lands evne til egen produksjon, for deretter å lukke igjen døra når de samme banker på for å selge sine produkter til oss. Utviklingspolitikkens første premisser at vi betrakter de fattige landene og deres befolkninger som partnere snarere enn som klienter. Vi må erkjenne og anerkjenne hvilken kraft som ligger i handel som redskap for utvikling og global fattigdomsbekjempelse. Derfor bør Norge gå helt i front i arbeidet for en friere verdenshandel og økte investeringer over landegrensene. Jeg er svært glad for at regjeringen vil opprette et investeringsprogram innen Statens pensjonsfond utland, som skal investere i bedrifter og prosjekter i fattige land. Dette har Fremskrittspartiet snakket varmt om lenge, og nå blir det realisert. Det må legges til grunn en balansert holdning til Midtøsten-konflikten. Fremskrittspartiet deler synet om at Norge de senere årene synes å ha havnet litt bakpå når det gjelder Midtøsten, og er tilfreds med at regjeringen vil balansere dette nå. Men det å stå opp for Israel betyr ikke at vi snur ryggen til palestinerne. Målet der framme, som må ligge til grunn, er en framforhandlet løsning som innebærer at palestinerne får sin egen stat, som skal leve i sameksistens med staten Israel. Norsk utenrikspolitikk starter med Norden og Europa. EU er Norges viktigste handelspartner. At vi ikke engasjerer oss i en ny EU-debatt, betyr ikke at vi ikke skal engasjere oss i EU-spørsmål. Vi skal derfor ha en offensiv holdning til Europa-spørsmål generelt og til EU spesielt. Jeg vil avslutte kort der jeg startet – med realpolitikken. At nordområdene har fått en så sentral plass i regjeringserklæringen, er viktig, fordi dette dreier seg om Norges viktigste strategiske satsingsområde

at Framstegspartiet kom til å stille eit ultimatum til Høgre dersom dei skulle gå saman i regjering. Eg veit at svaret me ofte får på dette spørsmålet nå, er at dei ikkje har reint fleirtal, men det var vel strengt tatt ikkje heilt realistisk at dei kom til å få det. Eg reknar òg med at Framstegspartiet med Hoksrud og Norheim i spissen, spesielt i Telemark, gav realistiske løfte til veljarane. Mitt spørsmål til representanten Norheim, sidan Hoksrud er statssekretær, Kjem representanten til å følgje opp lovnaden til veljarane i Telemark og stemme mot alle bompengesøknader? Dersom ikkje, vil representanten erkjenne at lovnaden til veljarane i Telemark var lureri? Det er riktig at for Fremskrittspartiet har kampen mot Når det er sagt, fikk vi 16,3 pst. ved valget nå i høst, og i den regjeringsplattformen som er framforhandlet, har vi faktisk fått på plass at man skal redusere bomandelen. Man har også vunnet en stor sak for Fremskrittspartiet når det gjelder etablering av et veiselskap. Så når man får 16,3 pst., er det ikke så Fra en telemarking til en annen: Jeg vil også gratulere representanten Kristian Norheim med plass både i parlamentet i utenriks- og forsvarskomiteen. I forhandlingene om klimaforliket i 2012 måtte Fremskrittspartiet forlate forhandlingsbordet motvillig fordi de rød-grønne ikke ville ha dem med. Med den nye samarbeidsavtalen og regjeringsplattformen stiller for første gang et samlet storting – inkludert Fremskrittspartiet, og det er jo historisk – seg bak klimaforliket. Regjeringen forplikter seg også til å forsterke klimaforliket. er spesielt glad for at partene er enige om å doble avkastningen av klimafondet, gi skattefradrag for energisparing i husholdningen, gi økt støtte til utfasing av oljefyr og få et fullskala CO2-renseanlegg innen 2020. Men på et helt selvstendig grunnlag, på hvilke områder i klimapolitikken mener Fremskrittspartiet det er viktigst å forsterke? Det er viktig å forsterke på flere områder. Jeg tror ikke jeg skal forskuttere de konkrete tingene nå, men heller fokusere på at vi trenger å øke forskningsandelen på det som har å gjøre med fornybar energi, noe man også gjør i regjeringsplattformen når det gjelder thorium. I tillegg er det videre satsing på utbygging av og ikke minst det å ha en aktiv stemme på den internasjonale arenaen. Da er det selvfølgelig avgjørende at de store landene også blir med. Her kan Norge jobbe med å påvirke. Replikkordskiftet er omme. Jeg tror vi alle kjenner eventyret «Keiserens nye klær». Vi husker keiseren som var så forfengelig og sjølopptatt at han ikke merket at han ble bedratt og keiseren som var så forfengelig og sjølopptatt at han ikke merket at han ble bedratt og gikk naken rundt i gaten, før en liten unge sa: Men han har jo ikke noe på seg. Dette eventyret rant meg i hu etter at regjeringserklæringen ble presentert med fyndord som «lærerløft» og «yrkesfagløft». Keiseren går ikke i nye klær, han har på seg de gamle som den forrige keiseren brukte. Jeg er glad for at keiseren er såpass klok at han bruker arveklær. Reformen Kunnskapsløftet var det bred tverrpolitisk tilslutning til, og hovedlinjene i skolepolitikken har det vært mye enighet om. Særlig er det viktig med tidlig innsats og satsing på å forsterke lese-, skrive- og regneferdighetene. Dette har den rød-grønne regjeringa styrket, og det er bra. I fjor ble det framlagt en evaluering av Kunnskapsløftet og dets innvirkning på læringsutbyttet. Den, i tillegg til de internasjonale testene, viste at norske elever gjør det bedre nå enn på flere år. Men evalueringen viste også at Kunnskapsløftet hadde liten eller ingen innvirkning på Derfor gjennomførte den rød-grønne regjeringa endringer, først i ungdomsskolen ved bl.a. å innføre valgfag og forsøk med arbeidslivsfag, eller mini-yrkesfag, for å praksisrette undervisningen. Deretter ble evalueringene av yrkesfagene presentert i en melding til Stortinget som ble vedtatt i denne salen i juni i år. Og hva vedtok vi i Stortinget i juni i år? Jo, vi vedtok det meste av det som den nye regjeringa nå kaller for et yrkesfagløft. Jeg er sjølsagt veldig glad for at regjeringa vil følge opp det vi allerede har vedtatt, men det er ikke nye klær, det er arveklær, eller secondhand som det heter på fint – som å utvide praksisbrevordningen, tilby flere TAF-løp, praksisrette fellesfagene, innføre vekslingsmodellen og gi mulighet for alternative opplæringsløp i Yrkesfagløftet er stort sett allerede vedtatt av Stortinget, men ikke nok med det, en har også svingt seg med det en kaller for et lærerløft. Det står at en skal gjennomføre et spesielt tiltak, som er å videreutdanne 10 000 lærere i matematikk i løpet av fem år. Det er mange lærere, det. Men er det et løft? Eller er det enda en kappe i keiserens nye i videreutdanning i løpet av fem år er 2 000 lærere hvert år. Det er det samme antallet som tilbys videreutdanning gjennom grepet den rød-grønne regjeringa satte i gang i 2009, som er videreført og fornyet i samarbeid med partene i 2012 – en etter- og videreutdanningsstrategi. Læreren er veldig viktig, og det er viktig at vi gir lærerne de beste muligheter til å være best mulig. Det betyr at de skolene som har god kompetanse i matematikk, burde fått etter- og videreutdanning i fag de ser at de har behov for. Det kaller jeg å ha tillit – et begrep som også har vært brukt i regjeringserklæringen. Denne tilliten ser for meg dessverre ikke ut til å være direkte rettet mot den profesjonelle lærer. Regjeringsplattformen sier tvert imot at det skal bli mer kontroll. Ett punkt som bygger på mistillit, og som vil føre til mer byråkrati, er punktet som sier at læringsresultatene skal kartlegges fra første klasse, og gjøres offentlige. I tillegg skal en vurdere om en skal innføre flere skriftlige avgangseksamener. Det vitner ikke akkurat om tillit og forenkling. Jeg har hørt at den nye kunnskapsministeren har sagt at han ønsker å være lyttende. Det synes vi i Senterpartiet er flott. Jeg håper den nye kunnskapsministeren vil lytte til lærerne som underviser i ungdomsskolen sine – og på yrkesfag, og til dem som går på lærerutdanning for å bli yrkesfaglærere. Jeg håper den nye kunnskapsministeren vil lytte til dem som har gått et annet skoleløp enn det akademiske, som ikke har hatt femmere og seksere i alle fag, som ikke har trivdes så godt på skolen, som har hatt følelsen av ikke å få det til, og at han lytter til dem som har vært mobbet og til dem som strever i livet samtidig som de går på skolen. Jeg håper også han lytter til foreldrene til disse ungene, og til dem som har vært lærerne deres. Lærerne er så viktige at vi bør lytte til dem, men uten elevene er læreren totalt uviktig. Derfor lytter Senterpartiet også til de ungene som tør å si ifra når noen står uten klær. Det er gjort mye for å sikre barn gode oppvekstvilkår de senere årene. Barnevernet er styrket med tusen nye stillinger, vi har fått full barnehagedekning, barnehageprisene er redusert betydelig og nå Det gir foreldrene stor valgfrihet. Den blå-blå regjeringen tar over på et tidspunkt der Norge er mer likestilt enn noen gang. Gjennom bevisste og framtidsrettede politiske initiativer har vi sammen lyktes godt i å gi kvinner og menn mer likeverdige rettigheter. Kvinner har fått økt frihet gjennom arbeid og inntekt. Inntekt gir økonomisk frihet og uavhengighet. Politisk er det bygd opp under dette, særskilt gjennom en sterk utvikling av arbeidsplasser – både i privat og i offentlig sektor – gjennom initiativ for mer likelønn og gjennom engasjement mot ufrivillig deltid og for mer heltid. Pappapermen er utvidet og bidrar til jevnere fordeling av fravær fra arbeidsplassen ved fødsel. Allerede da samarbeidserklæringen ble presentert, fikk vi et brått varsel om en ny kurs på likestillingsområdet. Statsrådens uttalelser i ettertid bærer bud om en likestillingspolitikk i revers, med andre ord en tydelig påminning om at rettigheter ikke kjempes fram en gang for alle. Best kan dette illustreres med standpunkter knyttet til fastlegens reservasjonsrett, redusert pappaperm, kontantstøtte, holdninger til kvotering og ingen ambisjoner i likelønnsspørsmålet. Verken regjeringsplattform, erklæring eller statsråd Hornes uttalelser i Aftenposten 19. oktober – at det ikke er det offentliges oppgave å påvirke kjønnsrollemønsteret i hjemmet – vitner om at den blå-blå regjeringen vil gå offensivt til tross for at den har to kvinner som sine fremste representanter. Vi fra Arbeiderpartiets side kommer til å minne regjeringen på hvor viktig likestillingspolitikken både har vært, er og vil være for oss i tiden framover. Her har vi et ansvar for å få til en god utvikling. Kulturpolitikken har fått et fantastisk løft gjennom våre åtte år i regjering. Det beste en kan si om kulturpolitikken nå, er at plattform, erklæring og ulike uttalelser etterlater stor grad av usikkerhet. Om noe er sikkert, er det dette at det som vanligvis anses som svært viktig i kultursektoren – nemlig forutsigbarhet – ikke virker relevant for den Det er ingen bekreftelse på et fortsatt kulturløft. Tvert imot er det næringslivssponsing og skattefinansierte gaver som skal bidra til økonomien. Pressestøtten er under press. Gjennom Kulturløftet er det gitt økt respekt for den kunnskap, det engasjement og den bredde som norske kulturarbeidere står for. Gjennom Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken og nye initiativer for å bringe kultur inn på arbeidsplassene har vi heist kultursektoren opp i en høyere divisjon i folks bevissthet. Det kan at den nye regjeringen vil velge å tappe kultursektoren – i sin iver etter å innfri sine løfter om skattekutt til landets rikeste. Min forventning til den nye regjeringen – en forventning jeg vet jeg deler med mange som er opptatt av kulturlivet, enten en er observatør, deltaker eller kulturarbeider

Å bygge kunnskapsnasjonen er blant regjeringens viktigste prosjekter. Det er fordi kunnskap er en forutsetning for å sikre våre velferdsordninger. Kunnskap er en forutsetning for å gjøre våre arbeidsplasser trygge i framtiden. Kunnskap skaper også sosial mobilitet for den enkelte og gir muligheter for alle. For å bygge kunnskapsnasjonen må det satses målrettet og kraftfullt gjennom hele og forskningssystemet. Derfor er det gledelig å lese regjeringsplattformen og høre statsministerens tiltredelseserklæring, som nettopp vektlegger en storstilt satsing på kvalitet i skolen, en prioritering og anerkjennelse av at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for å styrke elevenes læring, et løft for yrkesfagene og en sterk prioritering av høyere utdanning og forskning. Mye er bra, men samtidig er det dessverre slik at nesten én av fem elever går ut av ungdomsskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. I Oslo har vi gjennom 15 år med konsekvent borgerlig skolepolitikk oppnådd meget gode resultater. Hva har vi gjort i Oslo? Jo, vi har jobbet systematisk med dokumentasjon, vi har vært åpne om resultatene, vi har hatt få og tydelige mål, og elevene har fått tett oppfølging. Norsk skole reproduserer i for stor grad sosiale forskjeller og kompenserer i liten grad for de forskjeller elevene stiller med Forskning viser at Oslo-skolen derimot klarer å kompensere for elevenes bakgrunn i langt høyere grad enn norsk skole for øvrig – og sikrer i høyere grad enn andre norske kommuner at alle gis samme muligheter til å lykkes. Med den nye regjeringen kombinert med et solid borgerlig flertall på Stortinget føler jeg meg trygg på at skolen skal bli enda bedre i hele landet. Regjeringen vil løfte kvaliteten på lærerutdanningen. Historien er ikke slik som det ble fortalt nettopp. Regjeringen vil doble satsingen på etter- og videreutdanning for lærere. Det er ikke mye å spore av dette i den avgåtte regjeringens budsjettforslag. Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og forskningsmiljøer og åpne for at flere kan drive offentlig finansierte friskoler. Jeg har tidligere stilt spørsmål om hva som er viktigst for samfunnet – flere ingeniører eller flere deltakere Jeg mener vi bør kunne få til begge deler, og da bør det ikke være slik at vi kun tillater privatskoler med spesialisering innen idrett, ulike pedagogiske retninger og religion, mens det å etablere egne skoler der man vektlegger en satsing på realfag, ikke er mulig. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen har som ambisjon å utvikle verdensledende universitetsmiljøer, og at Norge skal bli et av Europas mest innovative land. I Norge har vi en unik mulighet til å investere i kunnskap gjennom klok forvaltning av oljeformuen. Et klart flertall på Stortinget la i 2001 til grunn at avkastningen av Statens pensjonsfond utland skal benyttes til utdanning, forskning, infrastruktur og vekstfremmende skattelettelser. Sentralbanksjef Øystein Olsen sa i sin årstale i 2011: «Da handlingsregelen ble innført i at deler av det økte handlingsrommet som oljeinntektene gir, skulle brukes til å styrke den langsiktige vekstevnen til norsk økonomi, for eksempel gjennom investeringer i infrastruktur, forskning og utdanning.» Han sa videre: «Myndighetene har brukt handlingsrommet til å gjennomføre standardøkninger og øke utgiftene på en rekke områder. Prioritering av tiltak som styrker produktiviteten og vekstevnen på lengre sikt, herunder justeringer i skattesystemet, synes derimot å ha kommet noe i bakgrunnen.» Derfor er det gledelig å lese at den nye regjeringen har en klar ambisjon om å bygge kunnskapsnasjonen gjennom målrettede investeringer i forskning og utvikling. Bruken av oljepenger skal vris tilbake i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur samt Selv om Norge er et trygt og godt land for de fleste av oss, kan mye fortsatt bli bedre. De investeringene vi skal gjøre framover, skal sikre morgendagens velferd. Derfor trenger vi klare prioriteringer og politisk handlekraft. Ved å belønne høy studiekvalitet og høy kvalitet innen forskning skal vi utvikle verdensledende universitetsmiljøer. Vi skal også stimulere til mer forskning, og i sum skal dette gjøre Norge mer innovativt

Andersen Eide vil få veldig god

Det lover godt. Vi har en klar avtale om hvordan vi skal samarbeide, og vi har mange politiske saker som vi i fellesskap skal finne gode politiske løsninger på. Det er lett i startfasen for en ny regjering å være både kritisk og skeptisk. Ikke minst har nye statsråder fått gjennomgå. Landbruksministeren har i glatte ordelag fått møte sine tidligere utsagn om landbruket, og en spør seg hvilken politikk vi nå skal få. Det som gjør at Kristelig Folkeparti ikke blir skremt, er at vi har en klar samarbeidsavtale, vi har en landbruksminister som så tydelig også viser til avtalen og til regjeringsplattformen. Det skal være grunnlaget for Det er derfor altfor tidlig å komme med terningkast. Det blir en ny politisk hverdag for oss alle, og jeg er optimistisk og tror at vi med god dialog vil finne fram til felles løsninger. Kristelig Folkeparti kommer fortsatt til å være tydelig på våre standpunkt. Vi skal være tydelig på hvilken retning vi tar på de ulike politikkområdene. I landbrukspolitikken er det ingen endring på det vi vil prioritere vil fortsatt arbeide for økt matproduksjon, vi vil fortsatt arbeide for bedre inntektsmuligheter for bøndene, og vi vil styrke jordvernet. Når det er sagt må vi også være villige til å se på de ulike virkemidlene, se på nye løsninger for å nå disse viktige Det kan være nøkkelen for å stoppe nedleggelsen av bruk, det kan være med å skape ny optimisme og ikke minst få ungdom til å få tro på en fremtid, en ny fremtid i landbruket. Målet må være et levende landbruk i hele landet. Statsministeren brukte ordene tillit, forvaltertanken og føre-var-prinsippet i sin tale, og det er gode Som nyvalgt medlem av energi- og miljøkomiteen vil jeg si at dette lover godt for fremtiden. Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet har flere enighetspunkt i miljøpolitikken som vi nå får mulighet til å gjøre noe med. Vi er alle fire opptatt av friluftsliv, giftopprydding, villaks, kulturminner, nasjonalparkforvaltning, frivillig skogvern og avfallsproblematikk. I disse og flere andre miljøsaker ønsker Kristelig Folkeparti sammen med Venstre å bidra til å gi regjeringa en enda tydeligere grønn profil. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre har også vært pådrivere og bidratt til å skjerpe den rød-grønne regjeringas klimapolitikk i klimaforlikene både i 2008 og i 2012. Fremskrittspartiet kunne også vært med på ambisiøse klimatiltak, men regjeringa stengte Fremskrittspartiet ute fra forliket. Nå er det på tide å stå sammen for å gjøre ord om til handling. Kristelig Folkeparti har gjennom åtte vært kritisk til regjeringas handlingslammelse og mangel på måloppnåelse. Klimapolitikken blir selve syretesten på om vi greier å ta forvalteransvaret på alvor. Klimapolitikken gjennomsyrer de fleste politikkområder, men særlig gjelder dette for transport, industri, olje og landbruk. Her er de største utfordringene. Vi skal også evne å se utover landegrensene. Klimapolitikk vil i denne stortingsperioden komme høyt på den internasjonale dagsordenen. På FNs klimakonferanse i Durban i 2011 ble det politisk enighet om fremforhandling av en ny klimaavtale som skal være ferdigforhandlet i 2015. vil sammen med regjeringspartiene og Venstre være en aktiv pådriver i dette arbeidet.
denne debatten mangler vi fortsatt synlige spor av regjeringens kommende politikk. Vi venter på tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet, og i statsministerens redegjørelse var de runde formuleringene flere enn de konkrete prosjektene. Det lar seg forklare av kalenderen. Men budskapet hennes var likevel i slående kontrast til det velgerne fikk seg presentert i valgkampen. Jeg kunne ikke høre de veldig klare løftene om en helt ny retning for Norge. Jeg hørte ikke igjen den nye finansministerens løfte om å innføre markedstenkning på alle nivåer eller tonene til den nye samferdselsministeren, som i denne debatten i fjor sa at han ville effektivisere offentlig sektor ikke bare ved å skjære bort kjøtt, men å skjære bort flesk, som han formulerte det. De ansatte i offentlig sektor kan jo vente i spenning. Statsministeren gjentok at Norge er et godt land å bo i – her er jeg enig med henne – og hun oppsummerte at mye er bra i Norge, og at regjeringen vil «forsterke de gode sidene ved det norske samfunnet» og «bevare verdiene» det bygger på. Man kunne forledes til å tro at dette var et utsagn fra en regjering som var gjenvalgt, ikke fra en som drev valgkamp på kursskifte og forandring. Jeg har respekt for at det tar tid å utmeisle politikken. De siste dagene har det vært påfallende mange nedtoninger av fortsatt ferske valgløfter. Det frie behandlingsvalget skulle komme innen 1. januar 2016 – det er utsatt. De regionale helseforetakene skulle nedlegges – nå skjer det neppe i denne perioden. Tommelen vendes opp for bompenger, og Høyre og Fremskrittspartiet, som begge var for å fjerne det nye egenkapitalkravet, har nå forhandlet det bort, for å nevne noe. Arbeiderpartiet savner ikke gjennomføringen av slike løfter, men vi må kunne legge til grunn at regjeringen vil følge opp de mest profilerte løftene, inkludert løftet om skattekutt på mellom 25 og 100 mrd. kr, eller hundretalls milliarder mer til samferdsel enn den vedtatte nasjonale transportplanen og milevis med bompengefrie veier. Som statsministeren understreket, er utgangspunktet for norsk økonomi god. Vi er landet med den laveste ledigheten i Europa – rekordmange er i jobb, inntektsforskjellene er små og Pensjonsfondet er tredoblet de siste åtte årene, for å nevne noe. Spørsmålet nå er selvfølgelig strategien for veien videre. Ett mål vi kan enes om, er å sikre at mange er i arbeid, og at terskelen inn i arbeidsmarkedet senkes for dem som kan jobbe. Behandlingen av perspektivmeldingen viste det med tydelighet, dette er det klart viktigste tiltaket for at vi skal kunne finansiere fremtidens velferdsstat. Det skal lønne seg å arbeide – Arbeiderpartiet er enig. Da er det underlig at regjeringsplattformen ikke bare vil bevare kontantstøtten, men utvide den. Det stimulerer ikke til mer arbeid, men til mindre. Da er det urovekkende at regjeringen viser seg lunken til å avvikle skatteklasse 2, som heller ikke stimulerer til arbeid. Så er det fordelingspolitikken. Statsministeren sa det opplagte, at vi må skape for å dele. Ingen er Men det hun ikke snakker om, og som er en hovedutfordring for en moderne økonomi som vår, er hvordan vi deler. Regjeringen er ganske taus om omfordeling. Den norske erfaringen er at et skattesystem som bidrar til at ressursene brukes både effektivt og rettferdig, styrker grunnlaget for arbeid, velferd og evnen til å skape. Det er en kvalitet ved norsk økonomi at vi har små økonomiske forskjeller mellom folk. Regjeringens mange ulike forslag til endring i skattesystemet trekker samlet sett i motsatt retning: mer til dem som tjener fra middels til mye. Et tredje punkt av betydning er statsministerens bruk av begrepet «tillit». Hun brukte det tolv ganger i sin redegjørelse. Tillit er en positiv verdi, men det kan variere hva vi legger i begrepet. Begrepet tillit kan brukes for å si at fellesskapet frasier seg ansvar og regner med at folk klarer seg selv i vanskelige situasjoner, og tillit kan handle om den tryggheten hver og en føler ved at samfunnet tar ansvar for å sikre oss velferd, pleie og trygghet når vi har behov for det. Jeg tror dette blir et viktig punkt i den politiske samfunnsdebatten fremover. Hva er tillit, hva bidrar til tillit og hvordan anvender vi denne viktige ressursen? I vårt samfunn henger jo alt dette sammen – arbeid, arbeidslinjen, balansen mellom plikter og rettigheter, små økonomiske forskjeller, omstillingsevne og tillit mellom mennesker og i samfunnet. Politikkens mål er å bidra til å forsterke denne samfunnskontrakten, og jeg mener det er mot denne regjeringens innsats vil bli Regjeringen vil styrke arbeidet med å ivareta norske interesser overfor EU. EØS-avtalen og de øvrige avtalene med EU vil danne rammene for europapolitikken. Europa er vår region. EU er den drivende politiske kraft i Europa. Ingen internasjonal aktør påvirker Norge mer enn EU. Vi deler med EU verdiforankringen i rettsstatens og demokratiets prinsipper og den kristne og humanistiske kulturarv. Samarbeidet med EU er av tung betydning for regjeringens politiske mål på en rekke områder, bl.a. med tanke på å satse på forskning og på langsiktighet i forskningspolitikken, å styrke norske å styrke nasjonal beredskap og forebygge sikkerhetstrusler og å bidra til internasjonalt forpliktende klima- og miljøsamarbeid. Dermed er det også klart at det ikke bare er norsk utenrikspolitikk som begynner med Europa – mer og mer av norsk innenrikspolitikk begynner i Europa gjennom EU- og EØS-prosesser. Det er bred enighet i Norge at vi som nasjon har hatt stort utbytte av å delta i det europeiske indre marked gjennom EØS-avtalen. Felles europeiske regler og standarder er viktige for norsk næringsliv, men også for norske arbeidstakere og studenter som har sitt virke i andre europeiske land. Derfor er det også viktig å medvirke i utformingen av disse reglene. EØS- avtalen gir oss anledning til å medvirke. Norske eksperter og embetsfolk gjør i dag mye godt arbeid i arbeidsgrupper som bidrar til regelverksutviklingen. Regjeringen vil legge et sterkere politisk trykk på arbeidet med EØS-saker. Vi vil styrke den strategiske samordningen av norsk innsats, og gjøre klarere politiske prioriteringer. Dette vil høyne både kvaliteten og gjennomføringskraften i det norske arbeidet, til gavn ikke minst for norsk næringsliv. Vi vil også prioritere høyt og delta på de politiske arenaer vår tilknytning til EU gir. Vi må medvirke hvis vi vil påvirke. Vi må medvirke når beslutningsprosessene begynner, ikke når beslutningsforslagene allerede ligger på bordet. Da EØS-samarbeidet kom til på begynnelsen av 1990-tallet, var det klart at samarbeidet ville komme til å bli et dynamisk samarbeid et samarbeid i utvikling. I dag vet vi hvor rivende utviklingen har vært, og hvor mye som har endret seg i forholdet mellom EFTA–EØS-landene og EU. EU er større, og flere medlemsland kommer til uten EØS’ hukommelse. EU har fått mer sektorovergripende samarbeid på flere områder, og dette gjør det ofte vanskeligere å fastlegge hva som er innenfor, og hva som er utenfor vårt samarbeid med EU. EU delegerer mer myndighet til byråer som får stadig større betydning i EU-systemet, av og til med tilsyns- og vedtaksmyndighet. Vi ønsker å være med, men deltakelse kan reise prinsipielle spørsmål bl.a. knyttet til Grunnloven. De siste årene har vi sett at den økonomiske krisen har bidratt til at EU-samarbeidet har skutt fart, særlig på det økonomiske området. Euro-gruppen framstår i økende grad som EUs tyngdepunkt, og en sterkere økonomisk integrasjon i EU innebærer økt marginalisering av Norge i europeisk samarbeid. Hver for seg og samlet gjør disse forholdene at Norges situasjon blir mer krevende. Det betyr i sin tur at vi må stille større krav til vår egen innsats. Når EØS-samarbeidet endrer seg, må vi være endringsdyktige. Når EØS’ og EUs utvikling skyter fart, må også vi sette opp farten. Fordi vi vil påvirke, må vi også medvirke. Dette er bakgrunnen for at regjeringen vil føre en mer aktiv politikk overfor EU, og for at vi legger styrket politisk kraft i organiseringen av EØS-arbeidet. Det blir replikkordskifte. For det første vil jeg ønske statsråd Helgesen velkommen til denne salen! Han og jeg har duellert mot hverandre siden ungdomstiden, men ikke i denne sal, og det ser jeg fram til i tiden som kommer. Statsråden snakket lenge om norske interesser overfor EU. Jeg er enig i at vi skal utnytte det handlingsrommet vi har. Derfor har den tidligere regjeringa vært aktiv i arbeidet med å påvirke en rekke Det jeg stiller spørsmål ved, er denne motsetningen som det tilsynelatende legges opp mellom realisme og fokusering på et overordnet ansvar i utenrikspolitikken. Jeg mener at fokusering på bistand, på miljø og på menneskerettigheter absolutt ikke står i motsetning til en realistisk utenrikspolitikk. Mitt spørsmål til statsråden er om regjeringserklæringen er å oppfatte som en endring i kursen som ble lagt opp i St.meld. nr. 15 for 2008–2009 om interesser, ansvar og muligheter i utenrikspolitikken, hvor da nettopp egeninteresser ble omdefinert? Jeg takker representanten for velkomsten, og for utsiktene til gode dialoger i årene framover! Jeg mener at EU på mange måter er et eksempel på at interesser og verdier lar seg forene i utenrikspolitikken, og at det også må ligge til grunn for Norges politikk i en EØS-sammenheng. EU er verdens største aktør på bistandsområdet. Norge har et godt samarbeid med EU på det området som på andre områder. Men i en EØS-ramme er det helt åpenbart at det første og fremste for Norge er å fremme våre interesser. Det er til beste for norsk næringsliv, og det er til beste for norske borgere. Men å fremme interesser er ikke noe man gjør bare gjennom å stille krav, det gjør man også gjennom å medvirke konstruktivt og finne brede løsninger i en europeisk sammenheng. Jeg er enig i at vi skal påvirke EU-samarbeidet så langt det er mulig. Det jeg stiller spørsmål ved, er i grunnen om dette er en dreining i norsk utenrikspolitikk bort fra en definisjon av norske interesser som noe bredere enn økonomiske og strategiske interesser? Det å medvirke til mer miljøpolitikk, det å medvirke i form av mer bistand, det å medvirke til å bedre menneskerettigheter mener jeg er i henhold til norske egeninteresser. Det var nettopp dette statsråd Helgesen bidro med i sin tid som statssekretær i Utenriksdepartementet, da han var aktiv i fredsprosesser over store deler av verden. Jeg mener dette er med på å styrke norske egeninteresser. Er det slik å forstå at representanten Norheims fortolkning av hva regjeringserklæringen inneholder, nemlig en sterkere fokusering på realisme, i motsetning til andre typer verdier i utenrikspolitikken – betyr en ny dreining i denne regjeringens politiske plattform? Den europeiske union er Norges nærmeste partner i mange sammenhenger, inklusiv miljø- og klimaområdet og menneskerettighetsområdet, og en nær partner på bistandsområdet. Det forteller i grunnen nok om at det ikke er noen grunn til å oppkonstruere noen motsetning mellom å fremme norske interesser og å være en konstruktiv medspiller også for å fremme bredere verdier i det internasjonale samfunnet. Det er også slik at disse områdene som man gjerne karakteriserer som verdiområder i internasjonal politikk, i stadig større grad viser seg å være tunge interesseområder også.

implikasjoner, og da siktet han kanskje til den nye europeiske tilsynsordningen for finansnæringen. Det blir spennende å følge med på. En annen sak som dreier seg om finansene for folk flest, er den innskuddsordningen norske bankkunder har i vårt eget land. Det er av stor verdi for kundene å ha sikkerhet for at innskuddene er ivaretatt uansett om banken skulle gå konkurs. Så mitt spørsmål til statsråden er: Hvordan vil regjeringen forvalte den tverrpolitiske enigheten vi har hatt rundt dette temaet, for å sikre norske interesser? Jeg takker representanten Syversen for de gode ønsker. Det er jo slik, som representanten sa, at det har ligget en tverrpolitisk enighet i spørsmålet om innskuddsgarantidirektivet. Den tverrpolitiske enigheten tar regjeringspartiene med seg inn i regjeringen. Vi holder fast ved den gjeldende garantiordningen. Vi vil arbeide for at den kan videreføres. Det er, som vi alle vet, en posisjon som vi ikke møtes med full forståelse for. Det er vanskelig å angi noe konkret tidsperspektiv i den prosessen, men vi håper at vi kan få en relativ rask fremdrift. Hjarteleg til lukke med viktig Sikkerheits- og forsvarspolitikken har vore eit område med stor konsensus i Stortinget. Det har vore semje om at Noreg sine bidrag til internasjonale operasjonar skal ha heimel i FN-mandat. Ser me på plattforma til Høgre–Framstegsparti-regjeringa, er dette elementet teke ut. Derfor vil eg spørje om det er slik at Noreg skal stille soldatar til disposisjon, t.d. til EU sine styrkar, utan FN-mandat? Og vil statsråden i så fall meine at ein har dekning i Grunnlova for ei slik ordning? Jeg takker for representanten Navarsete Det er slik at utenriks-, forsvars-, og sikkerhetspolitikken tilligger en annen statsråd. Men la meg si at når regjeringsgrunnlaget framhever behovet for folkerettslig basis for internasjonale operasjoner, reflekterer det at en folkerettslig basis kan være – og ofte vil være – et FN-mandat. Men det finnes også i folkeretten andre former for basis, f.eks. invitasjon fra et tredje land om militær støtte, og en slik invitasjon er tilstrekkelig folkerettslig basis. Derfor er formuleringen folkerettslig grunnlag en fullgod
For fire år sidan blei det sagt at å leggje ned veto ville øydeleggje heile EØS-avtalen. No ser vi at Noreg står, EU står, EØS-avtalen står – og posten går. Mitt spørsmål til statsråden handlar rett og slett om ein verkeleg ønskjer å ha ei meir aktiv haldning til EØS og EU. Vil ein også stille seg kritisk til eventuelle nye direktiv som vil kome, eller vil ein, slik tradisjonen har vore frå dette partiet si side, automatisk ta over den poltikken som kjem frå EU? Jeg takker representanten for gratulasjonene og ser fram til godt samarbeid. tror det er viktig at vi forlater den mentaliteten at vi skal sitte og vente på direktiver fra EU. Det som er viktig for å fremme norske interesser, er å markere norske posisjoner tidlig og gå i konstruktiv dialog med EU på et tidlig tidspunkt for å fremme interessene. Bruk av vetorett er en mulighet innenfor EØS-rammeverket, men det er en mulighet som bør brukes med ytterste varsomhet, fordi internasjonalt samarbeid oftest dreier seg om å forsøke å få en konstruktiv dialog. Vi er opptatt av at den dialogen skal føres tidlig, slik at vi fremmer norske interesser før man kommer til det punkt at man er misfornøyd med innholdet i Eg vil òg ønskje Vidar Helgesen velkommen til Stortinget. Eg ser fram til gode diskusjonar. Kanskje kan det bringe litt naudsynt liv inn i EU- og EØS-utgreiingane her i Stortinget, der det ofte brukar å vere relativt tomt både i presselosjen og i salen. Eg oppfattar at det eg har lese om den nye europapolitikken, og det å ha ein særskild statsråd som ei oppfølging av ganske breie tverrpolitiske ting, er forslag frå både Sejersted-utvalet og tidlegare rundar her i Stortinget. Men eg sit likevel igjen med eit spørsmål etter å ha høyrt innlegget og debatten no: Kva skal statsråden og regjeringa eigentleg gjere? Eg skjønar at ein skal prøve å kome inn tidlegare. Det trur eg alle regjeringar og alle parti har sagt – i alle fall så lenge eg har drive med politikk og kan hugse det. Men kan vi vente oss institusjonelle endringar? Korleis skal ein leggje meir politisk trykk? Skal ein delta tyngre i uformelle ministermøte, kan ein gjere noko med Stortingets strukturar? Korleis ser ein faktisk føre seg å sette den felles intensjonen om ein meir aktiv europapolitikk ut i livet? Jeg takker igjen for gode ønsker. Jeg ber om forståelse for at det på et område med veldig mange saker av politisk, rettslig og teknisk kompleksitet, på et område med en ny ministerportefølje og med en ny statsråd, vil ta noe tid før jeg har fått den nødvendige oversikt og innsikt, og før definisjonen av nye måter å gjøre ting på er kommet dit at den kan kommuniseres. Jeg ser fram til en god dialog med Stortinget og Stortingets organer i denne prosessen, for det er, som representanten Solhjell pekte på, bred enighet om behovet for aktiv og tidlig norsk innsats. Det er stor erfaring på mange hold i denne sal for hvordan dette kan gjøres bedre, og det er en dialog jeg ser fram til.

Hun var på den lokale Coop-en for å kjøpe mat da en annen kunde, som var en av hennes ansatte, kom bort og lurte på om de kunne møtes neste dag. Han hadde nemlig funnet fram til noen smarte løsninger på den nye X-BOW-en på det skipet de bygde. Hun slår opp i kalenderen sin inne i butikken og finner tid til et møte. Slik tar de tak i ideene som dukker opp, og kan sikkert forklare hvorfor slike prosesser er langt mer naturlige i Norge, ikke minst i steder som Ulsteinvik, enn i mange lavkostland vi konkurrerer med. Men vi kommer ikke unna at stikkord som likhet, tillit, trygghet og kreativitet faktisk henger sammen. Vi går på den samme skolen der vi ikke bare pugger fakta, men også blir utfordret til å tenke selv. De økonomiske forskjellene er ikke så store at vi blir fremmede for hverandre, men vi har tvert i mot mange felles møteplasser. Og norske arbeidstakere har en dobbel trygghet som gjør at flere tør å være kreative. Man mister ikke jobben på grunn av en feilbemerkning, og verden raser heller ikke nødvendigvis sammen om man mister jobben. Man kan finne en ny. Det handler om høy organisasjonsgrad, opparbeidede arbeidstakerrettigheter, offentlige velferdsordninger og en samarbeidsmodell i arbeidslivet som bidrar til innovasjon og høy sysselsetting. Jeg snakker om den norske modellen. Og jeg vil be den nye regjeringen tenke seg om både to og tre ganger før den begynner å plukke biter av denne. Modellen er nemlig en sammenhengende og sterk konstruksjon som bare fungerer når alle delene er operative og smøres sammen. Og den bidrar altså ikke bare til at Norge er et godt og velfungerende land i dag, men også til den kreativiteten og omstillingsevnen som gjør at vi står rustet til å møte framtiden med optimisme, som det høykostlandet vi er og skal være. Vi kan derfor ikke tillate oss snikbrutalisering av arbeidslivet, med svekkede velferdsordninger og oppsplitting av fellesskolen i A- og B-skoler, og tro at vi likevel sitter med suksessformelen «den norske modellen» i behold. Det at kvinner har like muligheter på alle nivåer i arbeidslivet, henger også sammen med organiseringen av velferdsgodene. Full barnehagedekning kontra kontantstøtte og dagmamma gir kvinner større muligheter i arbeidslivet. Gode fødselspermisjoner og økt pappaperm er med på å lette mulighetene for at begge foreldrene kan kombinere familie- og yrkesliv. Denne likestillingspolitikken har altså gitt oss økt konkurransekraft. Jeg er derfor lite imponert over en høyreside som framstiller barnehageløftet som et brudd med handlingsregelens fokus på en oljepengebruk til Da vi startet industrialiseringen i Norge, var det en helt annen maktbalanse i arbeidslivet. Det var sjefen som hadde all makt, det var 13 timers arbeidsdag og ingen overtidsbetaling eller sykelønnsordning. Det var altså et skikkelig gammeldags arbeidsliv og en situasjon norske arbeidstakere i dag neppe vil finne seg i. Det har kostet mange mye å kjempe for et så balansert arbeidsliv som vi har i dag. Til gjengjeld er det utrolig fort gjort å rive det hele ned. Igjen vil jeg advare regjeringen mot å snikbrutalisere arbeidslivet. Frykten ligger der. Høyrepartienes retorikk er på en måte pudret eller sminket, men ut fra regjeringsplattformens uttalte ønsker og tidligere forslag er det en fare for en brutalisering av arbeidslivet under nytale som fleksibilitet og modernisering. Næringsministeren sa på NHOs Småting i Trondheim at Høyre er imot alt LO er for. Jeg håper at også hun kan gå inn i seg selv og vurdere om hun egentlig kanskje har sagt noe dumt før, og muligens mene noe annet framover. For en slik holdning overfor et velfungerende arbeidsliv blir ført opp på en liste – håper jeg – som er en litt tilgivende liste, der man faktisk tenker litt annerledes. For det handler dypest sett om å vise at man forstår hvorfor høykostlandet Norge hevder seg så godt som det gjør i et internasjonalt marked, før man går i gang med å reformere på nytt. Det er

hevder seg så godt som det gjør i et internasjonalt marked, før man går i gang med å reformere på nytt. Det er enkelt å ta ting for gitt når man er frisk og har få plager i livet. Men når sykdom, alderdom eller skade gjør oss avhengige av hjelp fra helsevesenet, trenger vi trygghet for rask, kompetent og tilgjengelig omsorg. I vårt gode velferdssamfunn er det et offentlig ansvar å Det er en viktig bærebjelke for Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Mye er bra i norsk helsevesen, men samtidig er det behov for å styrke og modernisere helse- og omsorgstjenestene og sikre en bedre samordning av det totale helsetilbudet. I Høyres og Fremskrittspartiets regjeringsplattform er satsing på et kompetanseløft for de ansatte i helsetjenesten en viktig del. Det er ingen tvil om at kompetente ansatte er blant de aller viktigste virkemidlene vi har for å styrke kvaliteten på pasientbehandlingen. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA, gjennomførte i 2013 en undersøkelse for Norsk Sykepleierforbund om Samhandlingsreformens betydning for kommunene. I denne bekrefter 91 pst. av de spurte sykepleierne at oppgavene har blitt mer komplekse etter innføringen av Samhandlingsreformen. Et stort flertall av sykepleierne mener at andelen ufaglærte i sektoren er for høy, og fra tidligere undersøkelser vet vi at én av tre i omsorgssektoren er ufaglærte. NOVA-undersøkelsen understreker at sykepleierne er positive til utfordringene Samhandlingsreformen gir, og de mener det gir mening å få større ansvar i kommunene. Men samtidig sier de: «Det holder ikke med bare hender. Vi må ha sterk fagkompetanse i dag med de kompliserte oppgavene som er tillagt kommunen.» Trygg pasientbehandling og riktig ressursbruk sikres først og fremst ved et kompetanseløft i helsesektoren. Et annet viktig tiltak regjeringen gjør for å sikre trygghet for gode helse- og omsorgstjenester, er å styrke pasienters valgfrihet. Mange venter i dag unødvendig lenge på diagnostisering, behandling eller rehabilitering. Noen får også et altfor dårlig omsorgstilbud. Det kan forverre sykdomsbildet, og det kan gjøre hverdagen utrygg og krevende. Regjeringen vil derfor styrke pasientens rett til å velge mellom ledig kapasitet i det offentlige, hos private og hos ideelle aktører. Det handler om å ta alle gode krefter i bruk for å redusere ventetid og helsekøer. Jeg er glad for at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen så tydelig setter pasientene og deres behov i sentrum for utvikling og endring av helsetjenesten. Verdighet i omsorgen kan ikke alene måles i antall sykehjemssenger eller sykepleierstillinger. Til det er helsetjenestene mye mer. Men i tillegg til trygghet for kompetent hjelp er det også viktig å ha trygghet for sykehjems- eller omsorgsplass når behovet er der. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen vil derfor at staten skal ta et større ansvar for en raskere utbygging av Det hjelper ikke å gi tilskudd til eller tilsagn om tilskudd til bygging av flere sykehjemsplasser dersom kommunene ikke ser seg i stand til å gjennomføre det. Det er ingen tvil om at de aller, aller fleste ønsker å bo hjemme så lenge det er faglig forsvarlig og mulig. Men når behovet for heldøgns omsorg melder seg, opplever mange det som svært tungt og utrygt å vente – i noen I tillegg til å styrke kompetansen og øke kapasiteten i omsorgen er det viktig for regjeringen å innføre kvalitetsindikatorer for pleie- og omsorgssektoren. Disse skal bl.a. basere seg på bruker- og pårørendeerfaringer. Vi vet at det er stor variasjon i kvaliteten på eldreomsorgen rundt om i landet, og det er derfor viktig å ha noen kvalitetsmålinger som er sammenliknbare, og som gjør det mulig for kommuner og institusjoner å jobbe systematisk med å heve kvaliteten. For oss i Høyre er det viktig at vi innretter omsorgen slik at vi gjør det mulig for alle å ha god livskvalitet, selv om behovet for bistand og hjelp er til stede. Regjeringsplattformen viser konkrete tiltak for å styrke både kvaliteten og kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten. Regjeringsplattformen bærer rett og slett bud om et viktig og ambisiøst velferdsløft

til, som politikerne har en plikt til å legge til rette for. La meg understreke at mye er bra i norsk helse og omsorg, og at mye er bra i den avgåtte regjeringens fremlagte statsbudsjett, selv om Stortinget selvsagt vil se endringer fra den nye regjeringen når tilleggsproposisjonen til budsjettet legges frem om kort tid. Vi må erkjenne at vi står foran store fremtidige utfordringer vil kreve mye av oss for at vi fortsatt skal kunne si at norsk helsevesen er blant de aller beste i verden. I regjeringserklæringen slår Høyre og Fremskrittspartiet fast at trygghet for hjelp og omsorg er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester for alle når behovet oppstår. Vi vet at vi i årene fremover vil oppleve en eldrebølge. Mange flere vil rammes av demens og få store pleiebehov. Over 70 000 mennesker i Norge har alzheimer eller en eller annen form for demenslidelse. I løpet av de neste tiårene vil antallet fordobles. Da er det viktig at vi også ser på løsninger med gode hjemmetjenester, som gjør at folk kan få bo i egen bolig eller i tilrettelagte bo- og dagsentra. Derfor vil den nye regjeringen innføre en statlig driftstilskuddsordning for å hindre skjevfordeling mellom omsorgsboliger og sykehjem samt sikre raskere utbygging av flere sykehjemsplasser. Vi må sette pasienten i sentrum, deres behov må komme først når vi ser på den fremtidige utvikling og endring av helsetjenestene. Den nye regjeringen vil holde egenandelene på et lavt nivå, ikke jevnt og trutt øke dem, slik den avgåtte regjeringen har gjort. Høyere egenandeler rammer dem som har minst fra før, og det ønsker ikke regjeringspartiene å være med på. Likeledes er det av stor betydning at de pårørendes situasjon styrkes gjennom bedre tilbud om avlastning og veiledning, og at det foretas en gjennomgang av støtteordningene for dem. Dessuten er jeg glad for at den nye regjeringen vil etablere en permanent og uavhengig undersøkelseskommisjon for uønskede hendelser ved norske sykehus. Unni Tobiassen Lie og Håkon Lie fra Modum i Buskerud mistet sønnen Benjamin på 22 år etter en tabbe på Ringerike sykehus for fire år siden. Først tidligere i høst fikk de en unnskyldning fra han som personlig måtte svare helsemyndighetene for feilbehandlingen av pasienten og for dårlig behandling av de etterlatte. Den unnskyldningen kom først etter at vedkommende hadde sluttet i Vestre Viken helseforetak, men betydde likevel mye for de etterlatte. er ikke minst takket være Unni og Håkons innsats sammen med andre i deres pårørendegruppe for en uavhengig undersøkelseskommisjon at dette nå kommer på plass. De skal ha all ære for sin utrettelige kamp for rettferdigheten. Ingen skal kunne si at den nye regjeringen ikke tar pasientsikkerhet på aller største alvor. Avslutningsvis: Den nye regjeringen ta et krafttak på rus- og psykiatrifeltet. Vi vil ta i bruk flere private tilbydere for å få dette til, i erkjennelsen av at vi ikke kan være bekjent av lange ventelister og dårlig ettervern for mennesker som sliter med slike problemer i sin hverdag. Den nye regjeringen har sittet i bare seks dager. Rom ble ikke bygget på en dag, det blir heller ikke et samfunn styrt av en regjering der Fremskrittspartiet er med – også romerne trengte tid til planlegging før gjennomføring. Det er fristende å kommentere hvordan språkbruken til folk fra Fremskrittspartiet har endret seg etter valget. Det gjelder for så vidt også representanter fra Høyre. Men jeg tror jeg skal la det ligge, for det jeg vil si noe om, er at vi har et helsevesen og en helsetjeneste i Norge som i mange sammenhenger er i verdensklasse. Den er i verdensklasse av to årsaker. Det ene er at den er godt utbygd over store deler av landet, og vi er ikke avhengig av lommebøkene til foreldre eller egen lommebok for å få behandling. Det er også et omfattende tilbud i alle landsdelene. Flere enn noensinne overlever alvorlig sykdom i Norge, og helsetjenesten leverer som sagt veldig gode resultater på mange områder. Det er det også lagt til rette for i det budsjettet som avgått regjering la fram. En sterk vekst i sykehusbudsjettene vitner om at vi også i årene som kommer, må satse, fordi ting fortsatt ikke er bra nok. I løpet av valgkampen har jeg møtt mange enkeltpersoner og familier som opplever at det store bildet ikke stemmer med deres erfaring med det norske helsevesenet. Et eksempel er pappaen som hadde en ung voksen sønn, som opplevde at kommunen ikke fikk sving på samarbeidet med psykiatrien og på det botilbudet som sønnen skulle ha. Et annet er pensjonisten som synes det var svært irriterende – og jeg forstår ham veldig godt – og rett og slett vanskelig å akseptere at vi ikke kunne ordne det kneet hans i tide, så han kunne gå de turene han elsket i skog og mark. Han hadde tross alt betalt skatt og jobbet og slitt hele livet. Det vil alltid være noe å strekke seg etter, og det er vi heldigvis enige om på tvers av partigrensene. Men vi har hatt en valgkamp som har vært preget av at mange partier har forsøkt å overby hverandre om hvor mye bedre det kan bli på kortest mulig tid. Jeg har derfor følgende forventninger og ting jeg ønsker å formidle til regjeringen, statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie: Det første er at jeg mener det er alvorlig når Høyre nå har drevet valgkamp på å fjerne den styringsmodellen vi har i Norge, de regionale helseforetakene, uten at de i løpet av åtte år her i Stortinget har hatt en idé om hva de skal erstatte dem med. De sier de skal erstatte dem med en nasjonal helseplan, men nå opplever vi at dette blir skutt ut i tid. Helseministeren sier at det vil ta år før man kan ha en ny modell på plass. Hvorfor er dette viktig? Jo, fordi det rokker ved selve autoriteten til dem som er satt til å styre norsk helsevesen. Vi må huske på at de resultatene vi i dag opplever, som vi ikke hadde for ti år siden, bl.a. har kommet gjennom at vi har turt å omstille, turt å si at noen funksjoner skal være på ett sykehus, mens andre skal være på andre sykehus. Noen har blitt spesialister på enkeltsykehus på å operere knær, andre har blitt hyperspesialister – de verdensledende – på å behandle enkelte kreftformer, og vi har også gjort mange ting knyttet til akutt- og fødetilbud. Poenget er at i det styringssignalet fra den regjeringen som nå har inntatt kontorene, etterlater de et tomrom i styringen av sykehusene når de ikke er i stand til å presentere hva som skal være alternativet til dagens måte å organisere ting på, der vi bl.a. har lokal forankring av beslutningene, der folk i Nord-Norge, f.eks. i Bodø, avgjør hvordan helsetilbudet skal være i nord – og sånn har vi det over hele landet. Så her må de komme opp med en forpliktende tidsplan for hva de har tenkt å gjøre, eller rett og slett legge dette valgløftet til side, selv om det kanskje er smertefullt for Høyre. Så vil jeg varsle at Arbeiderpartiet helhjertet kommer til å støtte en ny opptrappingsplan på rus- og psykiatrifeltet. Her er vi helt enig i at vi bør forsterke innsatsen. Vi har gjort mye i vår regjeringstid – det kan helt sikkert gjøres mye mer. Til slutt vil jeg si at vi også kommer til å støtte Høyres eget valgløfte om at sykehusene skal få 12 mrd. kr mer de neste fire årene, som er det samme som vår avtroppende regjering løftet sykehusene med i løpet av åtte år. Så når det forslaget kommer til Stortinget, vil vi selvfølgelig også støtte det. I åtte år viste Stoltenberg-regjeringen at det er mulig å skape et bedre helsevesen i Norge gjennom å ta tøffe valg, omstille og effektivisere. Men vi må også ta inn over oss at vi får en aldrende og mer syk befolkning, der flere og flere sykdommer kan behandles, folk overlever og lever Jeg spår at det fort blir et konfliktforhold mellom disse løftene og skatteløftene til de borgerlige, men det får vi komme tilbake til ved en senere anledning. Det får vi gjøre. Jeg merker meg foregående talers henvisning til de nåværende regjeringspartier, og jeg slutter meg til det, for det er bemerkelsesverdig hvordan også retorikken til de rød-grønne på veldig få dager er speilvendt og tilpasset den nye situasjonen, med bruk av karakteristikker og påstander. Tiltredelseserklæringen til regjeringen Solberg starter med en klargjøring av verdigrunnlaget og at trygghet er viktig for den grunnleggende friheten til hver enkelt av oss. Trygghet i hverdagen og en styrket beredskap er et viktig satsingsområde for regjeringen. En styrket grunnbemanning i politiet må til for å styrke operativ kapasitet, forebygging og lokal tilstedeværelse av politiet. Jeg vil benytte anledningen til å takke de to justisministrene i den rød-grønne regjeringen for et godt samarbeid. Debattene og uenighetene har vært mange. Men samtidig har det vært enighet om flere av de grunnleggende og lange linjene Dette skyldes ikke minst at vi har hatt justisministere som har lagt til rette for tverrpolitiske prosesser i viktige saker. Jeg nevner spesielt kampen mot organisert kriminalitet og lovgrunnlaget for bekjempelse av terror. Nå er rollene i justispolitikken endret. Høyre ønsker å legge til rette for brede flertall på dette viktige feltet, som skal ivareta befolkningens trygghet. Det er viktig å merke seg regjeringens vektlegging av at politiet skal styrkes, samtidig som antall mål og oppgaver skal reduseres. Det er å gi politiet frihet under ansvar. Den politiske detaljreguleringens tid er forbi. Politiets innsats om kjerneoppgavene skal styrkes. Gjørv-kommisjonens rapport og Politianalysen har påvist alvorlige mangler. Politianalysen viser at Norge i dag ikke har ett politi. Det er store variasjoner i den polititjenesten som tilbys befolkningen. Analysen konkluderer med at politiet verken er godt nok organisert eller rustet for å møte den kriminaliteten vi står overfor. Det er en knusende dom. Den underbygger behovet for det regjeringsskiftet vi fikk for en uke siden. Analysen bekrefter også behovet for omstruktureringer i politiet. Av respekt for høringsinstansene er ikke alle konklusjoner fattet. Men regjeringen vil skape en handlekraftig og moderne politiorganisasjon som skal bli enda bedre til å bekjempe kriminalitet. Det blir færre politidistrikter. Også ytre etat har behov for omstrukturering. Regjeringen understreker sterkt og tydelig Endringer i strukturen for politiets tjenestesteder skal derfor bygges på to grunnleggende premisser, nemlig at det skal medføre mer lokal politikraft, og at det forebyggende arbeidet lokalt skal styrkes. Norge har et rettsvesen som nyter stor respekt, og som har både autoritet og tillit. Dette er i seg selv med på å Samtidig ser vi nå tendenser til at restansene øker – at det tar lengre tid før saker kommer opp for retten. Det er derfor gledelig og nødvendig at regjeringen understreker betydningen av arbeidet med raskere behandlingstid og økt kapasitet i domstolene. Innen kriminalomsorgen er det også store oppgaver som venter. Soningskøen vokser. Det er mangel på fengselsplasser for både soning og varetekt. Hver tredje innsatt er utenlandsk statsborger. Regjeringens tydelige signaler om å forsterke innsatsen for soningsoverføring og retur av kriminelle utlendinger ønskes velkommen. Regjeringen arver også et etterslep av ubetalte regninger fra forgjengeren. Kostnadene for helt nødvendige oppgraderinger av politiets IKT-systemer er ikke Forsinkelsen med ikrafttredelse av ny straffelov er også et uavklart budsjettområde. Bygging av et beredskapssenter for politiet er fortsatt beheftet med flere spørsmål enn svar. Derfor: Regjeringserklæringen kjennetegnes av utålmodighet og vilje til gjennomføring av viktige tiltak. Ikke minst på justisområdet er dette synlig. Derfor ser jeg fram til et godt samarbeid og konstruktive debatter om innbyggernes trygghet i de neste fire år.

og som opplever tøffe og utfordrende hverdager. Det gjelder barn og unge som vokser opp i familier med lave inntekter fordi foreldrene står utenfor arbeidslivet, eller fordi de foresatte er aleneforsørgende. Basert på de målene vi bruker på fattigdom, har antallet fattige økt i Norge de siste årene. Det oppleves ekstra vanskelig å være fattig når en lever så tett på mange med god økonomi. Jeg er glad for at barnefattigdom er nevnt i regjeringserklæringen. Det er mange historier om barn som blir stående på utsiden av sosiale arenaer fordi familien ikke har råd til å betale medlemskontingent eller kjøpe nødvendig utstyr. Frelsesarmeen forteller om en økning av fattige familier, som tyr til dem for å motta matpakker og klær. Regjeringen Solberg vil at det skal utarbeides en tiltakspakke rettet mot barn som vokser opp i fattige familier, noe som også er forankret i samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Det er viktig å legge til rette for at flere barn får mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer, uavhengig av foreldrenes inntekt, gjennom å etablere lokale ordninger for utstyrslån og kontingentstøtte. I tillegg vil regjeringen jobbe for at det innføres en bedre sosial profil på foreldrebetalingen for både barnehage og SFO. Regjeringen Høyre–Fremskrittspartiet vil føre en politikk som styrker tiltak som fremmer sosial integrasjon for utsatte barn og unge. Vi er opptatt av å tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet. I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. De viktigste tiltakene for å bekjempe fattigdom er en god skole som utjevner sosiale forskjeller, og et åpent arbeidsliv med plass til alle. Gjennom å realisere kunnskapssamfunnet og ved å tette hullene i det sosiale sikkerhetsnettet skaper vi sosial mobilitet og muligheter for alle. Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. Velferdsstaten skal ikke være alt for alle, men den skal være sterk for dem som har behov for hjelp. Men det er et overordnet mål i arbeids- og sosialpolitikken å bidra til at flest mulig mennesker kan oppleve den tryggheten det er å ha inntektsgivende arbeid. Dessverre er det slik at 600 000 mennesker i arbeidsfør alder er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, fordi de er på helserelaterte trygdeordninger. Andelen yngre uføretrygdede øker, særlig gjelder det personer med psykiske vansker. Seks av ti uføretrygdede under 40 år er trygdet på grunn av en psykisk lidelse, ifølge tall fra Nav. En del syke og funksjonssvake mennesker er absolutt ikke i stand til å arbeide. Disse menneskene skal ikke stresses opp. De som er for syke til å jobbe, skal oppleve å ha et godt sikkerhetsnett med en trygg og forutsigbar inntektssikring. Det er et kvalitetsstempel på et godt samfunn at vi trygger hverdagen og ivaretar dem som ikke greier seg selv. Men like grunnleggende er det at alle som kan, har lyst og evner, skal få en ny sjanse til å komme inn i arbeidslivet. Alle som kan jobbe helt eller delvis, skal vi tilrettelegge for, slik at de kommer i jobb. Det bidrar til et sterkere sosialt sikkerhetsnett. For de aller fleste er arbeidsplassen den viktigste sosiale arenaen og nettverket utenom familien. Den nye regjeringen vil ha et arbeidsliv med gode tilretteleggingsordninger som inkluderer flest mulig. Det fungerer ikke godt nok slik som vi har det i dag. 80 000 funksjonshemmede står ufrivillig utenfor arbeidslivet. Det må legges bedre til rette for dem med nedsatt funksjonsevne i arbeidsliv og i dagligliv, fordi samfunnet trenger arbeidskraften, og for at de skal kunne delta i fellesskapet på arbeidsplassen på lik linje med andre. Derfor ønsker regjeringen å styrke tilretteleggingsgarantien og funksjonsassistentordningen for dem som trenger litt støtte og funksjonstilpasning for å yte 100 pst. Det er få oppgaver i Norge i dag som er viktigere enn å tilrettelegge og inkludere flest mulig i arbeidslivet. Jobben er ikke bare viktig som en inntektskilde; den er også viktig som et godt sosialt sikkerhetsnett. Skal vi få flere mennesker i jobb, trenger vi ikke bare god politikk, men et arbeidsliv der lederne ikke ser seg blind på begrensninger. Det er viktigere å fokusere på hva hver enkelt kan bidra med. Ett eksempel er NHOs «Ringer i vannet»-prosjekt. Målet med prosjektet er at NHOs medlemsbedrifter i større grad skal rekruttere dem som sliter med å komme inn i arbeidslivet. Dette viser at vi i Norge har en bred og godt organisert arbeidsgiverside som viser samfunnsansvar. Samtidig er det også en egeninteresse i prosjektet; NHOs bedrifter rekrutterer mange dyktige folk. Den nye regjeringen ønsker å slippe alle gode krefter til. Mange kan bidra og gjøre hverdagen bedre for dem som mangler et godt sosialt sikkerhetsnett. Det handler om å se det enkelte menneske, bry seg og ikke la systemene stå i veien for de gode løsningene. Det har vore hyggjeleg å følgja trontaledebatten i dag og registrera at kommunesektoren har fått stor plass og mykje god Det har vore hyggjeleg å følgja trontaledebatten i dag og registrera at kommunesektoren har fått stor plass og mykje god omtale. Kommunane er viktige for vårt demokrati. Heilt sidan 1837, då me fekk formannskapsloven, og fram til i dag har kommunane spelt ei viktigare og viktigare rolle for folket – for innbyggjarane. Nye oppgåver har dei fått fortløpande, og kommunane har løyst dei på ein svært god måte. Det er nemleg slik at jo nærmare innbyggjarane ein er, jo betre blir vedtaka og jo betre blir prioriteringane. Derfor er eg ein stor tilhengar av lokalt sjølvstyre og av kommunesektoren generelt. Eg er derfor svært takknemleg for at partiet mitt har gitt meg sjansen til å sitja i kommunal- og forvaltningskomiteen her på Stortinget, etter 14 år som lokalpolitikar. Mine beste augneblink som lokalpolitikar har vore når eg har hjelpt folk med dei heilt enkle sakene, dei daglegdagse problemstillingane, som at dei skal byggja på huset, byggja seg eit naust, få til eit kulturarrangement eller skilja frå ei tomt til etterkomarane sine. Spennet er veldig stort med omsyn til kva ein lokalpolitikar får oppleva, og ein er heile tida tett på innbyggjarane. Derfor er eg svært glad for at den politiske plattforma til Høgre og Framstegspartiet så tydeleg anerkjenner det lokale sjølvstyret, og at det alt i innleiinga står: «Regjeringen vil bidra til en enklere hverdag for folk flest. makt og myndighet må overlates til lokalsamfunnet.» Plattforma har gjennomgåande tillit til det lokale sjølvstyret og dei tankane og dei haldningane som blir sette pris på i Kommune-Noreg, og som gleder fleire enn meg. Regjeringa og samarbeidspartia har sagt at det skal gjennomførast ei kommunereform. Dette har blitt tatt litt ulikt Nokon helsar velkommen ein prosess for å diskutera ei vidareutvikling av kommunesektoren, og nokon tolkar det som at ein skal sitja i Oslo og teikna eit kart. Me har ikkje tenkt å teikna noko kart frå Oslo. Dette skal vera ein prosess der Stortinget blir invitert med tidleg, og eg håpar så mange parti som mogleg vil vera med på dette arbeidet. Men det kanskje aller viktigaste: Kommunane skal vera med i denne prosessen. Dei skal få Hovudmålet er ikkje å teikna kart; hovudmålet er å styrkja lokaldemokratiet ytterlegare, slik at kommunane i framtida òg skal kunna tilby gode tenester med høg kvalitet for innbyggjarane. Me er innstilte på å gi kommunane endå fleire nye oppgåver. Det er fordi kommunane lokalt veit best. Dei har vist heilt sidan 1837 at dei har løyst oppgåvene sine veldig godt. Ved nyttår, den 1. januar, er det akkurat 50 år sidan den førre store kommunereforma tredde i kraft, etter at Skei-komiteen hadde gjort sitt arbeid. Veldig mykje har skjedd i Noreg på 50 år. Avstandane har blitt mindre, nye løysingar innanfor teknologi har kome, så det er naturleg å sjå på om den geografiske inndelinga me har i dag, er den mest hensiktsmessige. Det kan godt henda at 428 kommunar ikkje er svaret med to strekar under med omsyn til kva som er den beste organiseringa. Bakgrunnen for å omorganisera kommunesektoren er å bruka ressursane smart og sikra gode fagmiljø både med tanke på dagens oppgåver og ikkje minst dei nye oppgåvene ein har tenkt å gi kommunane. Derfor må dette sjåast på, men landet er forskjellig. Derfor må kommunane vera med i denne prosessen, og det er heller ikkje aktuelt å setja – frå dette nivået – eit tal for kor mange innbyggjarar ein må vera for å vera eigen kommune. Så ynskjer me med nokre positive økonomiske verkemidlar som vil gjera det attraktivt å slå seg saman. I dag er det element i inntektssystemet som er innretta motsett, slik at det kan vera ulønsamt med elles fornuftige samanslåingar. Dette er ting me må sjå på. Så gleder det meg veldig at regjeringa vil la kommunane få behalda meir av si eiga verdiskaping. Det er faktisk eit poeng at skal me anerkjenna det lokale nivået, må det i større grad leva av eigne inntekter framfor av overføringar frå staten. Skattemoralen til næringslivet vil òg vera større om inntektene deira blir igjen lokalt og blir investert i idrett, kultur, skular, barnehagar og eldreomsorg, enn om alt skal bli sendt til Finansdepartementet og så bli fordelt tilbake etter regjeringserklæringa seier at ein skal sjå på selskapsskatten, og at ein del av han skal tilbakeførast til kommunane. Det aller kjekkaste med regjeringsplattforma for ein lokalpolitikar er å lesa formuleringa om Fylkesmannen og registrera at Fylkesmannen si makt overfor det lokale sjølvstyret skal avgrensast. Det trur eg er noko lokalpolitikarar har lese med stor glede. Dei ser fram til at ei regjering anerkjenner at det er dei lokale folkevalde som veit best kva som er best for kommunen, og ikkje Fylkesmannen.

Venstre vil styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt fra staten til lokale folkevalgte organ og på den måten gi borgerne økt innflytelse over egen hverdag. Grunnloven skal regulere forholdet mellom borgerne og staten, og statsmaktene seg imellom. Grunnloven vil gjennomgå store endringer i kommende stortingsperiode, både som følge av Menneskerettighetsutvalgets forslag om å styrke menneskerettighetens stilling i loven, og menneskerettighetens stilling i loven, og som følge av vedtatte språklige endringer. Venstre støtter en styrking av borgernes rettigheter i Grunnloven. Det er fortsatt behov for en oppdatering av Grunnlovens beskrivelse av landets styresett. Vi har bestandig gått i bresjen for å utvide demokratiet. De folkevalgte skal være folkets ombud, og det er derfor viktig at en har færrest mulig profesjonelle ombud. De ombud som gis mandat av Stortinget, bør først og fremst være knyttet til Barneombudet. Venstre vil styrke det lokale selvstyret og gi folk innflytelse over egen hverdag. Det lokale selvstyret innskrenkes stadig mer av statlig detaljstyring og taper terreng overfor statlige forskrifter, rundskriv og stortingspolitikeres trang til å blande seg opp i små ting. Venstre mener at maktsentralisering er alvorlig og uønsket, spesielt fordi vi trenger å flytte mer makt og flere oppgaver over til lokaldemokratiet. Venstres utgangspunkt er at desentralisering av makt og myndighet er en aktiv distriktspolitisk handling. Venstres politikk for kommunestruktur, næringsutvikling, landbruk, samferdsel og kommunikasjon, kunnskap og helse er alt innrettet med sikte på å styrke og myndiggjøre lokalsamfunn og distriktssentre og gjøre det mulig å leve over hele landet. Venstre er bekymret for et økende dokumentasjons- og kontrollregime i mange deler av offentlig sektor. Mye tid og ressurser går med til administrasjon og byråkrati. Vi vil arbeide for å begrense byråkratiske regler og rutiner også for offentlig ansatte, noe som igjen vil gjøre hverdagen enklere for borgerne. Store deler av offentlig sektor er preget av detaljstyring. Det legges for lite vekt på den vurderingsevnen de ansatte har som